her vil jeg

med 17. juni Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt. Fra første vararepresentant for Hordaland fylke, Astrid Aarhus Byrknes, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget i tiden fra og med 29. mars til og med 31. mars under representanten Knut Arild Hareides permisjon, av velferdsgrunner. Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet: Søknaden behandles straks og Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik: For Hordaland fylke: Filip Rygg 29.–31. mars og Astrid Aarhus Byrknes 5. april til og med 17. juni. For Oslo: Une Aina Bastholm 17. mars. Une Aina Bastholm er til stede og vil ta sete. Representanten Michael Tetzschner vil fremsette et

utvidet ansvar for selskapers ansvar for korrupsjonshandlinger, en tilføyelse til straffeloven § 389. Representanten Helga Pedersen vil

alle skipstyper innen 2030. Representanten Iselin Nybø vil fremsette et representantforslag. På vegne av representanten Trine Skei Grande og meg selv vil jeg sette fram et representantforslag om å styrke norsk tegnspråk og tegnspråk i skolen. Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Før sakene på dagens kart tas opp til behandling,

vedtatt. Dagens innstilling er et resultat av behandlingen av Dokument 8:119 S fra representanten Rasmus Hansson om å redusere vårt materielle forbruk. Jeg har lyst til å berømme Miljøpartiet De Grønne for å ha tatt opp dette forslaget og gitt oss en anledning til å reflektere over den miljøpåvirkning vårt forbruk har. I innstillingen dannes det ulike flertall og mindretall, og jeg antar at de ulike partiene sjøl vil redegjøre for sine syn i saken. Tidligere denne uka lanserte Schibsted The Second Hand Effect, der det svenske miljøinstituttet har beregnet hvilket miljøavtrykk omsetningen av brukte varer fra fem av Schibsteds nettsider har. Det var en undersøkelse som ga interessante refleksjoner og resultater, og som griper rett inn i noen av forslagene i denne innstillingen, bl.a. I, om å produsere en statistikk over miljøeffekten av vårt forbruk.

Komiteen anerkjenner det og er enige om at økende forbruk bidrar til utslipp av miljøgifter, utrydding av plante- og dyrearter og klimagassutslipp. Komiteen er også enige om at det er et mål å legge til rette for en bærekraftig utvikling, og at det må skje gjennom langsiktig ressursforvaltning, der ressursene utnyttes i tråd med naturens tåleevne. Siden 1990 har det private forbruket i Norge mer enn fordoblet seg regnet i faste kroner. Mange vil si at det er mange positive sider ved at forbruket blir økt, men det gir også grunn til ettertanke. Det er ikke slik at all økonomisk vekst gir større belastning på miljøet, men det å bidra til redusert vekst i forbruket er en helt nødvendig del av debatten om hvordan man skal ha en mer bærekraftig utvikling. Forslaget har gitt oss anledning til å gå inn på spørsmålet om delingsøkonomiens framvekst, både i Norge og internasjonalt. Det er mange positive sider ved delingsøkonomien, som vil gi muligheter for bedre utnyttelse av ressursene våre. I kombinasjon med ny teknologi kan salg av brukte varer, samkjøring og privat overnatting være eksempler på hvordan ledig kapasitet i samfunnet kan utnyttes på en bedre måte. Det kan gi lavere kostnader for den enkelte, men også medføre lavere ressurskostnader. Så erkjenner komiteen at vi ikke skal være blinde for at delingsøkonomien også kan ha negative sider når det gjelder skattemessige forhold og med hensyn til arbeidstakeres rettigheter. Det er ikke noe mål at det skal etableres en delingsøkonomi som får utvikle seg som en svart økonomi på sida av samfunnet for øvrig. Jeg synes det er viktig å understreke at sjøl om vi står overfor en stor omstilling for å redusere klimautslipp, er det også en positiv utvikling på mange områder. Teknologien utvikles hele tida, og sammen med tydeligere miljøkrav gir det resultater i form av lavere utslipp. Bruk av tungmetaller og miljøgifter er kraftig redusert, og det samme er forekomsten av lokale luft- og vannforurensningsproblemer. Men vi må erkjenne at det kan gjøres mye mer, og dette forslaget er ett av flere områder der det er potensial for at vi som forbrukere kan bidra til mindre miljøbelastning og redusere vårt eget forbruk av ressurser. En viktig del av forslaget handler om en sterkere reklamasjonsrett og det å legge til rette for at det skal være enklere og billigere å reparere en vare istedenfor å kjøpe en ny. En stor del av forslaget handler også om at forbrukernes rettigheter og informasjon skal bli bedre fordi godt opplyste og bevisste forbrukere har stor makt. Det at forbrukerne gis bedre rettigheter og også bedre informasjon, er en viktig del av arbeidet framover. Innstillingen adresserer også spørsmålet om kjøpepress, som kan ses litt i sammenheng med kroppspress, og det er et spørsmål som er viktig ikke minst knyttet til kommersiell reklame. Jeg vil med det få lov til å ta opp forslagene nr. 2–7, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne. Representanten Marit Arnstad har tatt opp de forslagene hun refererte til. Jeg og Arbeiderpartiet har

Arbeiderpartiet har en grunnleggende tro på at ny teknologi vil være det aller viktigste for å løse klimakrisen – nye måter å gjøre ting på som sikrer at verden tåler både befolkningsvekst og globalt sett økt velstand, samtidig som utslippene går ned. Jeg vil likevel, i likhet med saksordføreren, berømme Miljøpartiet De Grønne for å ha fremmet dette forslaget, også for å diskutere hvordan vekst og forbruk påvirker klimaet, og ikke minst hva veksten gjør med global rettferdig fordeling. For det stiller oss overfor en del etiske og moralske dilemmaer. Dersom alle mennesker på jorda skulle forbrukt like mye som oss nordmenn, hadde vi trengt tre jordkloder. Det har vi ikke, vi har bare én som vi må dele på så godt vi kan. Det sier seg selv at i en verden hvor vi ønsker at alle skal komme opp på det samme velstandsnivået som oss, må vi bruke ressursene Det handler selvsagt mye om teknologi, men det handler også om andre ting. Siden 1990 har vi blitt dobbelt så rike, men er vi blitt dobbelt så lykkelige? Jeg tror ikke det, og jeg er ikke sikker på at det viktigste vi vil trenge i framtiden, er økt vekst og høyere materielt forbruk. Det å reise disse debattene handler ikke om å gå tilbake til fortiden, som enkelte sier. Nei, det handler om framtiden – hvilke verdier vi mener skal styre i Vi har en regjering som jeg mener prioriterer feil, som velger skattekutt foran velferd. Det er også et miljøspørsmål, for som Marit Arnstad sa: all vekst har ikke den samme påvirkningen på miljøet. Jeg tror det vil bli større fotavtrykk på miljøet å gi skattekutt, økt forbruk, for de aller rikeste i Norge, istedenfor å satse på skole, helse eller kultur. Det er mange grunner til å gå imot regjeringens skattekutt Det samme så vi i debatten om søndagsåpne butikker. Regjeringen forsto ikke at folk ønsket å ha en dag hvor det gikk litt roligere, hvor tempoet ikke var det samme. Heldigvis vant folkets stemme fram, og vi beholder søndagen – inntil videre i alle fall – som en litt annerledes dag i uken. Årets nyord blir nødt til å være «delingsøkonomi». Jeg synes knapt vi er i en debatt uten at noen ender opp med delingsøkonomi som et av de viktigste poengene. Jeg tror vi må bruke tid på å diskutere hva det faktisk er for for det brukes i veldig mange ulike former. Men at vi kan bruke mobilene våre eller annen teknologi på å dele mer, det er jo i utgangspunktet en veldig god nyhet, ikke minst for klimaet. I et forbruksperspektiv er deling av varer en veldig god idé. Men delingsøkonomi er ikke noe man er enten for eller imot, det er der i ulike former. Fra Arbeiderpartiets side er vi positive til veldig mye av det, men vi er også veldig klare på at dette ikke må kunne føre til sosial dumping eller svekkede rettigheter for arbeidstakere. Det fremmes i dag en rekke forslag. Det er veldig mange av dem som har gode intensjoner, som vi langt på vei er enige i, men som vi i dag likevel har valgt ikke å stille oss bak, for vi mener at de er for lite utredet, og at en del av dem heller passer bedre inn i diskusjonen om statsbudsjettet. Ett av forslagene som vi har valgt å støtte, er forslaget om halvering av kasting av mat. I en verden som kommer til å trenge all den maten vi har, kan vi ikke kaste mat i samme grad som det vi gjør i dag. Havet av matavfall må være selve symbolet på den urettferdige fordelingen i verden. Den franske regjeringen har satt i gang et målrettet arbeid for å halvere matavfallet innen 2025 – med strenge reguleringer til butikkene og til matbransjen. Vi mener den norske regjeringen burde gjort det samme. Men nå har vi skjønt at det forslaget i dag ikke kan voteres over fordi det har vært fremmet før i sesjonen. Derfor vil jeg varsle at Arbeiderpartiet i dag istedenfor kommer til å stemme for forslag nr. 1, fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om at dette er noe som skal vurderes i forbindelse med stortingsmeldingen om den sirkulære økonomien. Fra Arbeiderpartiets side vil vi i dag si at vi har store ambisjoner om hva den meldingen skal inneholde når det gjelder kasting av mat.

Vi skal kunne ha en vekst og en utvikling uten å ødelegge mulighetene verken for naturen, klimaet, dem som kommer etter oss, eller dem som lever samtidig med oss. Det er et perspektiv som vi må ha med oss inn i alt vårt politiske arbeid. Representantforslaget vi har til behandling i dag, er

og de som mener at å begrense økonomisk aktivitet og vekst er et mål i seg selv. Representantforslaget viser også forskjellen mellom partier som mener at et fritt marked, kunnskap og teknologi vil spille en viktig rolle i å løse klima- og miljøutfordringen, og partier som mener at statlig kontroll, forbud, lavere velstand og mindre frihet er nødvendig for – som representanten Hansson pleier å si – å unngå å koke kloden.

Det er derimot ikke slik som forslagsstilleren legger til grunn, at økonomisk aktivitet og velstand i seg selv alltid er et problem. Det er ingen lineær sammenheng mellom forbruk og miljøbelastninger, tvert imot har de siste tiårenes utvikling vist oss at det er mulig å frikoble økonomisk vekst og økte utslipp og miljøskader. Senest i går meldte IEA at for andre år på rad er CO2-utslippene fra for at den globale økonomien vokser. Teknologiutvikling og fornuftig regulering kan skape endring i adferden hos innbyggerne som bidrar til å redusere miljøbelastningen av vårt forbruk av varer og tjenester, uten å bruke tvang og forbud som bremser utviklingen av vår velstand. Grunnen til at jeg understreker dette, er at vi er inne i en tid med økende arbeidsledighet og store omstillinger. Mer enn noen gang er det viktig at vi klarer å opprettholde sysselsetting og verdiskaping som sikrer velferdsstaten også for fremtiden. La meg bruke litt tid på noen av de konkrete tiltakene som foreslås i forslaget. Forslagsstilleren ønsker seg en årlig statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk. Høyre er opptatt av en kunnskapsbasert miljø- og klimapolitikk og derfor jobber også regjeringen aktivt for å forbedre standarder og anslag av slike fotavtrykk både i EU/EØS og i OECD. Det er likevel slik at det per i dag ikke er mulig å lage data som er gode nok til at de kan brukes til å utforme politikk eller virkemidler. I beste fall vil slike beregninger fungere som veiledere eller illustrasjoner til bevisstgjøring, men i verste fall kan de være direkte villedende og føre til tiltak som virker mot sin hensikt. Norge har et sterkt forbrukervern med lang reklamasjonstid og strenge miljøkrav til produkter. Faktisk er det slik at norske regler og forskrifter er strengere enn hva som er vanlig i Europa når det gjelder reklamasjonsrett og garantier. Levetid og kvalitet på produkter bestemmes mye større grad av forbrukernes krav og forventninger til produsentene enn noe politisk vedtak i Stortinget. Når det er sagt, er det viktig at når dagen kommer at vi ønsker å kvitte oss med et produkt, skal materialgjenvinning og resirkulering være måten vi gjør det på. Når forslagsstilleren ønsker å innskrenke og forby reklame for lovlige produkter, mener jeg det bærer galt av sted. Dette er også en politikk som avslører et fullstendig fravær av tillit til at informerte forbrukere gjør gode valg, og at politikere og byråkrater ikke alltid vet best. Det er dessuten en innskrenkning av ytringsfriheten og et ideologisk tankegods som vitner om et ønske om å ta Norge tilbake til en tid jeg tror de fleste er glad vi har forlatt med statlig regulering og styring av folk og næringsliv. Det er en lang rekke forslag i saken jeg nå ikke har kommentert. Mange av dem bærer preg av å være lite realistiske og vanskelige å gjennomføre og derfor en ren markering av Miljøpartiet De Grønnes standpunkter. Jeg vil uansett avslutte mitt innlegg med å takke forslagsstilleren for å reise en viktig debatt, og jeg vil samtidig ta opp forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om tiltak for å redusere matsvinn slik det står i innstillingen fra komiteen.
Da har representanten Olaug V. Bollestad tatt opp de forslag hun har referert

i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og realisere et samfunn med lavere utslipp, er å frikoble økonomisk vekst og økte utslipp av klimagasser. Det er viktig at målet med vår miljøpolitikk er å forebygge og redusere miljøkonsekvensene av økonomisk aktivitet – og ikke å begrense omfanget av økonomisk aktivitet eller privat forbruk i seg selv. Det er også viktig å merke seg at regjeringen og samarbeidspartiene har forpliktet seg til å følge opp arbeidet med Grønn skattekommisjon, som jo gir en rekke anbefalinger om hvordan skatte- og avgiftssystemet kan brukes for å vri forbruket i en mer miljøvennlig retning. Norge produserer i dag god offentlig statistikk av høy kvalitet når det gjelder forbruk, miljø- og klimagasser, men det vil ikke være hensiktsmessig å lage anslag om miljøfotavtrykk før det foreligger internasjonale, anerkjente metoder og data for denne typen beregninger, og presisjonsnivået vil ikke kunne bli godt nok for å utforme politikk og lovverk. Hva gjelder utvidelse av reklamasjonstiden, har Norge et sterkt forbrukervern, med lang reklamasjonstid og strenge miljøkrav til produktene. Å innføre et strengere regime vil nødvendigvis også medføre høyere priser på varene. Avslutningsvis kan det opplyses at regjeringen planlegger å legge fram en nasjonal bioøkonomistrategi, i samarbeid med næringsliv, organisasjoner og virkemiddelaktører, og det er liten tvil om at bioøkonomien kan spille en stor rolle i å utnytte våre ressurser og vårt forbruk på en langt mer optimal måte enn i dag. Fremskrittspartiet støtter selvfølgelig det forslaget der vi er medforslagsstiller. Jeg vil også gi ros til Rasmus Hansson og Miljøpartiet De Grønne for

Det materielle forbruket i Norge og i vår del av verden må settes under lupa med et kritisk blikk. Det må skje i tillegg til at produkter forbedres, og at det stilles skjerpede krav til produkters miljøegenskaper. Vi har ingen rett til å legge til grunn en forbruksvekst som de fleste andre bare kan drømme om, verken i et rettferdighetsperspektiv eller i et miljøperspektiv. La meg trekke fram en gammel høvding, professor Trygve Haavelmo. Da han mottok Nobelprisen i økonomi i 1989, ble han spurt hva han ville ha snakket om hvis han hadde fått et kvarter med verdens ledere. Han svarte at han ville forklart dynamikken i en eksponentialfunksjon, formelen for eksponentiell vekst.

den 29. dagen. Lærdommen av dette, som også kan overføres til stadig forbruksvekst, er at veksten i forbruket har hatt ikke en jevn utvikling, men en eksplosiv utvikling i vår del av verden. Det er ikke bærekraftig i det lange løp. Forbruksvekst medfører ofte, om ikke alltid, en økt belastning på miljøet, og det er nettopp derfor vi må ha en løpende debatt om det materielle forbrukets globale fotavtrykk. Det er også derfor vi må gjøre det lettere å omsette brukte varer. Heldigvis ser vi en oppblomstring av bruktbutikker i dette landet. Vi har fått en økende bevissthet mot bruk og kast. Det bør også stilles krav til produsenter at varer, så sant dette er mulig, så sant dette er mulig, kan repareres, og dette bør stimuleres ved lettelser i rammevilkårene for reparasjonsvirksomhet. En reklamasjonsfrist på fem år for flere varegrupper vil ha en positiv effekt på produsentenes innstilling. Det skal lønne seg å lage noe som holder. Vi på Stortinget kan gjøre en god del, men her vil jeg minne om at forbrukermakt også kan flytte fjell. Bevisste forbrukere som etterspør produkter som holder, er minst like viktig. Delingsøkonomien, som er i ferd med å få fotfeste, er blitt en positiv trend. Vi må se på hvilke skattemessige konsekvenser dette kan gi, og yte positiv stimulans til denne trenden. Også reklame spiller en vesentlig rolle, og vi kjøper en god del vi ikke trenger – iallfall gjør jeg det. Dermed er det Dermed er det god miljøpolitikk å se nærmere på regelverket for reklame. Vi gjentar bl.a. – sammen med Senterpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne – vårt tidligere forslag om at telefonsalg bør kreve et aktivt samtykke, ikke bare ha en reservasjonsmulighet. Jeg vokste opp i en tid, som sikkert flere i denne sal, da doktrinen var «vi kaster ikke brukbar mat». Det var en selvsagt ting. Det er absurd i en verden der mange må gå til sengs sultne, at vi i vår del av verden kaster enorme mengder fullt brukbar mat. En målsetting om å halvere matkastinga i 2030 er moderat og overkommelig. Igjen: Jeg er glad for påminnelsen som ligger i dette forslaget, og for at behandlinga har munnet ut i at flere viktige saker får flertall.

De store utfordringene vi står overfor, er at vi må redusere klimagassutslippene – klimaendringene er en fundamental trussel mot den livsstilen vi har i dag. Vi må redusere oppsamlingen av miljøgifter i naturen. Tapet av biologisk mangfold må stoppes 2020. Og vi har en verden med stigende grad av ressursknapphet, så vi må bruke ressursene langt mer effektivt enn det vi har gjort tidligere. Derfor er også Venstre glad for at dette forslaget er lagt fram, slik at Stortinget også må diskutere hvordan vi skal redusere den påvirkningen som vårt forbruk har

Grunnen til at vi ikke går inn for de andre, er for så vidt ikke formålet og hensikten med dem, men mer at vi mener måten de er utformet på, ikke fører oss nærmere det målet som vi ønsker. Skal vi få ned påvirkningen av det forbruket vi har, trenger vi en helt annen systematisk tilnærming til problemstillingen. Jeg skal peke på noe av det vi mener må gjøres. Det ene er å se det positive i en delingsøkonomi. Vi bor stadig tettere, og vi bor flere i de store byene både i Norge og internasjonalt. Det å bo tett innebærer at vi i framtiden må dele mer – på det enkle gjennom bysykkelordninger og bedre kollektivtrafikk, og det gjelder sportsutstyr. Dette gjelder både den private delingen og det gjelder den som ideelle organisasjoner står bak, og vi må ha systemer for den kommersielle delingsøkonomien som kommer. Jeg vil også peke på at det offentlige gjør innkjøp for over 450 mrd. kr i året, og vi har med budsjettet for i år blitt enige om at

skatte- og avgiftssystemet aktivt for å redusere miljøbelastningen ved forbruk. Her er vi fortsatt bare ved begynnelsen. Heldigvis er det på dette området slik at økonomiske incentiver virker. Regjeringen skal også legge fram en bioøkonomistrategi, og det er viktig at vi bruker de biologiske ressursene vi har, for å redusere det fossile forbruket. Og kanskje er den største saken som står foran oss, initiativet fra EU – EUs handlingsplan for en sirkulær økonomi. Her må man se på både produktdesign, produktprosesser – hele livsløpet for et produkt og hvilken belastning det gir på miljøet – og den forbrukerinformasjonen som det er nødvendig å utvikle for folk. Her må vi få til en total ressursbesparelse. Det er klart at avfallssystemene våre, hvordan vi bruker avfall, å redusere ressurser på avveier og å ha gjenbruk er viktig, og vi ser fram mot den meldingen om avfall og sirkulærøkonomi som Stortinget tidligere har bestilt, med forventning. Det er avgjørende at vi beholder taket i et systematisk arbeid for å redusere miljøbelastningene. Så vil jeg ta opp en ting til, det er at vi også må bruke de positive virkemidlene. Vi har en svanemerkeordning i Norge, som fungerer godt med relativt små ressurser. Det er viktig også å forsterke dette. Det er viktig å holde tak i at vi må redusere miljøbelastningen ved vårt forbruk, og det krever et langsiktig og systematisk arbeid for å få det til. Vi må slutte å bruke opp kloden vår, for det er

så å zoome enda mer inn på Nauru. Zoomer man inn på den lille øystaten i Stillehavet, som er opphavet til en veldig stor del av fosforet som brukes, ser man hvordan vårt forbruk av fosfor bit for bit har spist opp hele den lille øystaten, som nå snart står ribbet igjen, uten flere ressurser. Dette er et eksempel på hvordan vårt forbruk av fosfor, som er helt avgjørende for landbruksnæringen, kunstgjødsel og all den matproduksjonen vi har, gradvis utarmer sted etter sted på kloden. Eksperter advarer om at vi kan gå mot fosformangel, og det er bare et eksempel på hvordan vi bruker opp kloden. Hva burde vi gjøre? Vi burde i stedet i alt vi gjør, tenke kretsløpsbasert, sånn at vi sier til oss selv, og legger som et styringsinstrument for politikken, at kan det ikke brukes igjen, er det ikke godt nok. Lager vi varer for produksjon og salg i Norge, i EU, i Europa, i verden som ikke kan brukes igjen når det er ferdig brukt, er det ikke godt nok. Alt må innrettes mot å gå inn i kretsløpet. Dette burde være standarden vi legger til grunn, og jeg håper at regjeringen – og jeg vil jo høre på klima- og miljøministeren senere – legger det prinsippet til grunn når den nå skal lage en stortingsmelding om sirkulær økonomi, på komiteens oppfordring. Det største, akutte problemet for oss akkurat nå, er at vi bruker opp de fossile lagerressursene våre, olje, kull og gass. I løpet av det siste året har vi passert den magiske grensen på 400

kom TFO-en med tildeling av nye blokker i modne områder. Den kom i dag, med enda flere blokker, noen av dem rett ved inngangen til Lofoten, Vesterålen og Senja, der et utslipp ville drive rett inn i Vestfjorden. Det er etter min oppfatning en skummel utvikling, og i tillegg er det en beslutning som fullstendig er frikoblet fra klimaavtalen i Paris. Det ligger ingen vurdering fra regjeringens side av hvordan dette vil virke inn mot 2-gradersmålet, det ligger ingen – eller en enda mindre – vurdering av hvordan det er plass i verden for denne oljen og gassen som kanskje vil bli funnet der, inn mot 1,5-gradersmålet. Alt tyder jo på at hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, har vi allerede passert grensen for hvor mye det er vi kan slippe ut, og vi burde slippe ut mindre og suge ut CO2 fra atmosfæren i årene som kommer. Det er jo, som alle her i salen vet, en ganske krevende affære. Jeg er overrasket over at det ikke er flertall for å be regjeringen stille krav om at bedrifter må rapportere på direkte og indirekte klimagassutslipp. Tina Bru hadde en del resonnementer rundt at forbrukere skulle kunne fatte opplyste valg, og var imot regulering. Det er et veldig underlig standpunkt. Det er helt åpenbart at det må regulering til om vi skal få til en sirkulær økonomi. Det er helt åpenbart at det må avgifter til for å hindre bruk av engangsressurser. Nå sitter jo til og med regjeringen og diskuterer Grønn skattekommisjon. Det er helt åpenbart at det må bli dyrere å forurense om vi skal få til noe som helst. Og det er helt åpenbart at reguleringer er det eneste som skal til for å hindre unødvendig oljeutslipp. Man kan ikke si til et oljeselskap som har funnet olje, at de bør la oljen ligge, at man synes de burde ha en moralsk forpliktelse til det. Man må jo istedenfor la være å tildele muligheten for å finne denne oljen til Vi støtter ikke Miljøpartiets forslag om at vi må kutte alt materielt forbruk i Norge – eller hvordan det materielle forbruket skal kuttes. Vi synes det er upresist. Vi fremmer vårt eget forslag der vi sier at vi mener at det miljøskadelige forbruket må reduseres i Norge. Jeg tar med dette opp de forslagene SV har fremmet, dem vi har fremmet alene, og dem vi har fremmet sammen med Miljøpartiet De Grønne. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp

beslag på store deler av jordas overflate for å produsere råvarer til det materielle forbruket vårt. De arealene vi allerede har tatt i bruk, er i tillegg de mest fruktbare og artsrike, mange områder forringes nå av monokulturer, og livsviktige ressurser som vann begynner det å bli knapt på mange steder. Dette handler om mye mer enn klima. Ifølge en ny FN-rapport ligger det globale og mineraler an til å tredobles i perioden fram mot 2050. Derfor vedtok også FNs generalforsamling i desember at bærekraftig produksjon og forbruk er et av de nye globale målene som skal følge opp tusenårsmålene. De forslagene som vi debatterer nå, handler om å følge opp regjeringens støtte til disse FN-målene med konkrete tiltak på hjemmebane. Vi vet at klodens ressurser er begrenset, at naturen har tålegrenser, og at vårt forbruk tømmer ressurser ut av samfunn og økonomier som trenger dem mer. Da må vi forholde oss til det. Men forbruksreduksjon er også et lønnsomt, spennende og nettopp teknologifremmende prosjekt. Det illustreres godt av en del av de forslagene som fremmes i dag, som f.eks. å dele på produkter og tjenester som i praksis kan innebære at samfunnet får mer ut av mindre fordi mange kan ha glede og nytte av eller å gi forbrukerne lengre reklamasjonsfrist, stille strengere krav til kvalitet og hindre varer på markedet som er laget for å gå i stykker. Det er også bra for forbrukerne, smart for miljøet, og det utfordrer produsenter til å bidra til en mer ressurseffektiv økonomi. Å få på plass gode rammevilkår for reparasjon, gjenbruk og resirkulering er avgjørende for at kretsløpsøkonomi skal bli noe mer enn et moteord. Til Å betrakte et forslag om strengere regulering av reklame i de offentlige felles rommene våre som mistillit til forbrukeren, vil jeg si er – for å bruke representantens egne ord – lite realistisk. Reklame bruker man jo milliarder på milliarder på i hele verden nettopp fordi det fungerer. Og vi mennesker lar oss påvirke av både nøytral informasjon og selvfølgelig kommersiell reklame. Så klart er det forbruksdrivende. Det er bra at Stortinget for første gang debatterer å redusere det materielle forbruket i Norge, men det er trist at Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet av prinsipp har bestemt seg for å stemme imot alle forslagene som er fremmet i saken. Arbeiderpartiet stemmer også ned de fleste med den begrunnelse, som vi har hørt i dag, at det trengs mer vurdering, selv om de aller fleste av formuleringene nettopp begynner med at man ønsker utredning eller mer vurdering. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er med på flere gode forslag, men det er altså kun SV som er enige med Miljøpartiet De Grønne i at Stortinget bør vedta et mål om å redusere forbruket til et rettferdig og bærekraftig nivå innen 2030. Mange partier er imot å gjøre det materielle forbruket vårt til et politisk tema. Og ja, det har lenge vært vanlig å tenke – og jeg vil også si, kanskje ikke minst føle – at forbruk er noe privat som politikere bør holde seg unna. unna. Forbruk er privat, men i en globalisert økonomi er vårt private forbruk også politisk. Både offentlig og privat forbruk har direkte påvirkning på andres mulighet til å leve gode liv. Det er politikk. De ressursene som kloden har å by på – grunnlaget for økonomiene våre – deler vi med mennesker nært og fjernt og med framtidige generasjoner. Og vi deler dem med andre arter. Så klart er det Stortingets anliggende da hvordan forbruket vårt kan reduseres uten at livskvaliteten forringes. Vi merker oss særlig at Venstre her velger å stå utenfor en rekke gode forslag som svarer på flere av vår tids største globale problemer samtidig: ressursknapphet, matmangel, tap av artsmangfold og klimaendringer. Vi i De Grønne er sikre på at flertallet på Stortinget kommer til å ta materielt overforbruk på alvor etter hvert, sånn som flertallet også har anerkjent konsekvensene av sur nedbør og klimaendringer. Så vil jeg igjen takke for mange gode innlegg, en spennende debatt, og jeg tar med dette opp forslaget fra Miljøpartiet De Grønne. Representanten Une Aina Bastholm har dermed tatt opp det forslaget hun refererte til. Det er sjelden man får mulighet til å diskutere et tema som er

Et av mine favorittsitater fra Edmund Burke er: Samfunnet er en kontrakt ikke bare mellom de som lever, men mellom de som er levende, de som er døde, og de som ennå er ufødte. Det er et viktig grunnlag for denne regjeringen at vi bygger på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Vi har overtatt en klode, og vi skal overlate den til våre barn i minst like god stand som vi overtok den fra de som gikk foran oss. Det dreier seg i veldig stor grad om å styrke miljøvernet og styrke klimainnsatsen, men det dreier seg også om å gjøre det på en måte som tar vare på det økonomiske grunnlaget og det velferdsgrunnlaget som vi har arvet. Derfor må vi ikke bruke virkemidler i miljøkampen som undergraver vår langsiktige evne til å bygge et bærekraftig samfunn, og derfor er dette en viktig debatt. Det kan ikke bestrides – alle er enige om det – at presset på klodens ressurser ikke er bærekraftig. Vi må legge om til en mer ressurseffektiv økonomi. Vi vet at globale klima- og miljøutfordringer krever et grønt skifte i verden og i Norge. Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og det vil medføre vesentlige endringer, også i innretningen av det materielle forbruket. Hovedutfordringen er å avbøte uønskede konsekvenser av forbruket og avbøte uønskede konsekvenser av forbruket og redusere miljøbelastningen av kritiske biologiske ressurser og økosystemtjenester. Jeg synes at både komiteens gode arbeid med saken og debatten her i dag viser stor enighet om målet, men det er også klare forskjeller i synet på hva som skal til for å komme til målet. Jeg og regjeringen er overbevist om at vi må ta markedet i bruk i miljøets tjeneste, vi må ta teknologi og teknologiutvikling i bruk, og vi må stimulere den teknologiutviklingen i miljøets tjeneste. Det er ikke regjeringens politikk verken å kritisere eller redusere omfanget av forbruk i seg selv, slik Miljøpartiet De Grønne tar til orde for. Lavutslippssamfunnet handler ikke om å avstå fra å forbruke varer og tjenester, men å dekke behovene på smartere og mindre miljøbelastende måter. Komiteen foreslår årlig publisering av statistikk over det norske forbrukets globale fotavtrykk. Fotavtrykk er et kraftfullt kommunikasjonsverktøy som kan vise hvordan norsk forbruk påvirker andre deler av verden. Det er krevende å Det kreves gode nasjonale data for produksjon, import og miljøvirkninger. I tillegg kreves det data fra produksjon i andre land som igjen er påvirket av omfattende handelsstrømmer innenfor den internasjonale arbeidsdelingen. Fotavtrykkene egner seg derfor foreløpig best til bevisstgjøring og illustrasjon, rett og slett fordi datagrunnlaget ikke er godt nok i dag. Det er nødvendig med mer internasjonalt samarbeid og utviklingsarbeid for å etablere slik datatilgang og gode metoder. Slikt arbeid foregår i bl.a. OECD, EU og Nordisk ministerråd. Vi tar sikte på å følge opp Stortingets vedtak i samarbeid med Statistisk sentralbyrå ved å beregne og offentliggjøre fotavtrykkindikatorer der hvor det er mulig og forsvarlig. Målsettingen vil være å utvikle indikatorer i takt med metodeutviklingen internasjonalt. Komiteen foreslår også å styrke reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven ved at flere varegrupper gis fem års reklamasjonsfrist. Komiteen forutsetter at bestemte varekategorier har fem års reklamasjonsfrist, men forbrukerkjøpsloven – som for øvrig ligger til justisministerens ansvarsområde – gir ikke bestemte varekategorier en bestemt reklamasjonsfrist. Reklamasjonsfristen har som formål å ivareta forbrukerens klagerett, ikke å regulere varens holdbarhet. Men i den grad produsenter tilpasser seg reklamasjonsfristen, er det viktig at varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år, opprettholder fem års reklamasjonsfrist. Regjeringen arbeider overfor EU for å påvirke forslaget til nye fjernsalgsregler for å ivareta dette hensynet. Vi deler målet om å halvere matkastingen, og vi er godt i gang i arbeidet – i samarbeid med bransjeorganisasjoner – for å redusere svinn av mat. Det ble signert en intensjonsavtale i mai 2015 som legger rammene for arbeidet med en mer konkret avtale, hvor vi ønsker å sette reduksjonsmål, finne effektive tiltak, identifisere kilder og utvikle indikatorer for hele matkjeden. Vi har ikke i dag tilstrekkelig grunnlag for å fastsette et mål, men det er en del av det brede arbeidet som vi er godt i gang med. Det åpnes for replikkordskifte.
Jeg tenkte jeg skulle fortsette litt på det statsråden var inne på i slutten av sitt innlegg, nemlig spørsmålet om matkasting, for det har et enormt omfang, og det berører egentlig alle ledd i verdikjeden for mat. Det er åpenbart at de virkemidlene vi har i dag for å begrense matkastingen, er for få. Derfor er også spørsmålet om bare å ha en bransjeavtale utilstrekkelig. Nå er det slik at vi ikke kommer til å få stemt over forslaget fra et flertall av partiene i komiteen som en ønsker i dag, men vi vet at dette spørsmålet må en komme tilbake til i forbindelse med stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi, som statsråden også var inne på. Statsråden var litt unnvikende med hensyn til mål, og vi er i ferd med å komme bakpå i forhold til andre land, som allerede har satt seg klare mål. Så spørsmålet er rett og slett: Hvilket ambisjonsnivå vil regjeringen legge seg på? Og når andre land går så langt som det Frankrike f.eks. har gjort, vil også Norge kunne se det som realistisk å sette et mål om å halvere matkastingen? Jeg tror det er viktig at når vi skal sette et mål, må vi skaffe oss kunnskap. Vi jobber derfor så tett med bransjeorganisasjonene som er berørt. Vi ser, som sagt, på hva som er kilder, og hva som er mulige tiltak, hva som er indikatorer for hele matkjeden, og det vil kunne gi oss et grunnlag for å og det vil kunne gi oss et grunnlag for å tallfeste et mål, og vi tar sikte på at et sånt tallfestet mål skal komme inn i en avtale, som vi håper skal være på plass i år. Når det gjelder tallfesting av mål, er ikke det noe vi i utgangspunktet er negative til, men vi tror vi vil få større og bedre resultater hvis vi også har et samspill med de viktige aktørene om det å sette målet. Vi er for øvrig bundet av, og vi har støttet, FNs globale bærekraftsmål, som bl.a. har et mål om halvering av matkasting og matsvinn på globalt nivå innen 2030. Det er ikke unaturlig at Norge legger seg omtrent der. For øvrig er den tilnærmingen vi har tatt, av stor interesse også for EU i deres arbeid med sirkulær økonomi. Takk til statsråden for engasjementet i saken og sitatet fra Edmund Burke, det er Takk til statsråden for engasjementet i saken og sitatet fra Edmund Burke, det er hyggelig å kunne gi en anledning til det. Jeg refererte i mitt innlegg til at FN mener at det globale uttaket av fossil energi, biomasse og mineraler ligger an til å tredobles i perioden fram mot 2050. Jeg har derfor lyst til å spørre statsråden om

Prognosemakeri i dagens økonomiske og teknologiske utvikling er vanskelig. Det ser vi i Norge når det gjelder vår egen økonomiske utvikling og budsjettarbeidet gitt flyktningsituasjonen og annet, men også globale utviklingstrekk. Den teknologiske utviklingen vi ser ikke minst på energifeltet i dag, gjør at det kan være ganske vanskelig å være helt sikre på ulike prognoser. Det ble nevnt om vi hadde en eksponentiell forbruksøkning. Nei, det har vi vel ikke, men vi har muligens en eksponentiell utvikling i fornybar energi, og det er en utrolig positiv utvikling. I går kom også beskjeden om at verdens største kullselskap er i ferd med å gå konkurs. Det viser hvilken dynamikk som er på energifeltet. Norge har et betydelig ansvar og gjør veldig mye også på teknologiutvikling, men hvorvidt vi kan stole på prognoser som baserer seg på de foregående årene, skal ikke jeg være for sikker

Det er ikke akkurat den utviklingen regjeringen tar oss inn i. Det andre er det økonomiske, som ministeren understreket, og det tredje er det bærekraftige. Spørsmålet er: I dag er det sånn at bedrifter i hovedsak rapporterer på sine økonomiske resultater. Så skal man riktignok rapportere litt på påvirkning på ytre miljø, om man har god HMS-standard. Men det forslaget som flere store bedrifter tar initiativ til, er at man skal rapportere også på sosial og miljømessig bærekraft. Hvorfor støtter ikke ministeren en sånn utvikling i Norge? Det er kompliserte spørsmål knyttet til hva slags indikatorer og hva slags mekanismer som er egnet for rapportering. Det å pålegge næringslivet ytterligere rapporteringsforpliktelser uten at det er godt nok grunnlag for den typen rapporteringsforpliktelser, er ikke noe denne regjeringen legger opp til. Vi ønsker å gjøre livet lettere for næringslivet. Det er også fordi vi ser at dynamikken i næringslivet i dag er å gå mot det grønnere. De smarte pengene følger i stadig større grad de grønne løsningene, og da må vi gjøre det enklere å være bedrift. Da må vi gjøre det enklere å ansette folk i grønne vekstbedrifter. Vi må redusere skattene for å få bedrifter til å investere mer og trekke internasjonale investeringer til grønt næringsliv i Norge. Det er vår tilnærming, for vi ser at om vi spiller på lag med markedet, om vi spiller på lag med positiv teknologiutvikling, kan vi oppnå mye mer enn med reguleringer og

av opplysninger om ikke-finansielle forhold. Det dreier seg også om miljøopplysninger. De kommer til å levere sin utredning innen sommeren. Men vi må ikke glemme at utgangspunktet når det gjelder å få vridd forbruk og produksjon i mer miljøvennlig retning, er at vi trenger lønnsomme arbeidsplasser, og vi trenger investeringer i de lønnsomme arbeidsplassene. De to store skattespørsmålene som diskuteres i år i Stortinget, er selskapsskatten og – det kommer det til å bli – Grønn skattekommisjon og oppfølgingen av det. Selskapsskatten har et potensial i seg til å være grønn, fordi det dreier seg om at vi trenger å trekke flere investeringer til bl.a. den industrien som er blant verdens grønneste. Alternativet er at de pengene går til andre land.

Jeg synes at statsråden belyste det ganske fint, og at det egentlig er et ganske konservativt standpunkt også, ved å si at et materielt forbruk og en materiell vekst ikke kan fortsette ut i evigheten, for vi har et ansvar for å ta vare på naturen og på klimaet vårt. Det jeg stusset over, var da han begynte å snakke om at denne regjeringen fører en skattepolitikk for et grønt skifte, når de altså har gjort bensin billigere, og de viktigste skattekuttene de har gjort, er å

foreligger så vidt jeg vet ikke tall for om det er offentlige penger eller private penger som har de største klimagassutslippene. Det tror jeg vi skal være ganske forsiktige med å være kategoriske om. Men jeg mener at skal vi skape den vekstkraft i Norge som er nødvendig i den grønne omstillingen, ganske klassiske markedsmekanismer i bruk. Det er en av grunnene til at et av våre viktigste initiativer på dette området er ekspertutvalget for grønn konkurransekraft. Det er på mange måter en norsk oppfølging av den internasjonale rapporten The New Climate Economy, der Jens Stoltenberg var en av lederskikkelsene, som for et par år siden utvetydig fastslo at økonomisk vekst og kampen mot klimaendringer går hånd i hånd – og må gå hånd i hånd. Og det er derfor bl.a. skattepolitikk og en attraktiv og god næringspolitikk er viktig i det grønne skiftet. Det helt avgjørende prosjektet for å ta tak i den ressursødslingen som verden nå driver med, er å utvikle en sirkulær økonomi, kombinert med et kretsløpsbasert avfallssystem. Det er ikke noen tvil om at når det gjelder regelutviklingen for å få til den sirkulære økonomien, er det EU som sitter i førersetet. Det er gjerne også EU som er i førersetet førersetet. Det er gjerne også EU som er i førersetet når det gjelder å stille krav til avfallshåndtering når man skal ha både avfallsminimering, gjenbruk og materialgjenvinning. I påvente av saken som Stortinget skal få om den sirkulære økonomien, og ikke minst avfallsmeldingen, kan statsråden vi vil få et regelverk i Norge for avfall, og som har minst like høye ambisjoner som EUs regelverk? Det ligger over de norske ambisjonene i dag. Vi har ingen vi samarbeider nærmere med, og ingen vi ligger nærmere, enn EU når det gjelder miljøkrav generelt. Vi ser også veldig positivt på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

innfører en særavgift på kommersiell reklame, eller at regjeringen skal «utforme krav til at varer av slag der dette er naturlig, må være utformet slik at reparasjon er mulig», eller at «Stortinget ber regjeringen legge fram en plan for å øke varers levetid og kvalitet». Jeg tror virkelig ikke at det er måten å gå fram på for å få til resultater. Skal man få til resultater på så store

bruker forbud og pålegg på for å redusere kjemikaliebruken i samfunnet blir kjempeviktig i årene framover – og hvordan vi bruker makten vi har via offentlige innkjøp, for å redusere miljøbelastninger. Her er det gjort vedtak, men det må utvikles, og det er mange som har ansvar i årene framover. måten vi skal dele mer på – vi skal ha et samfunn der man fokuserer mindre på å eie, men har tilgang til ressurser – dette er noe som man ser utvikle seg særlig i byer, men som kan utvikles i stor grad i årene framover. Det vi trenger å få på plass, er et systematisk arbeid som driver ned den ressursbruken vi har, enten det er klimagassutslipp, som

samling forslag som her i denne saken, og som ikke kommer til å bringe oss noe nærmere den målsettingen som vi har. Her må det en helt annen vilje og systematikk til for å få til resultater. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlemmer av

enten det er profane bygninger, kirkebygg, fartøy eller industrielle kulturminner. Det er hevet over enhver tvil at kulturminnene skaper stolthet og identitet og kan spille en vesentlig rolle for opplevelse og næringsutvikling. Forslagsstillerne holder prisverdig oppe trykket på at vern og vedlikehold haster, og at det er viktig å se dette i en slik at man ikke mister noen av disse viktige kulturminnene. Det konkrete forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen foreta en samlet gjennomgang av viktige kulturminner og fremme en sak for Stortinget om en helhetlig plan for ivaretagelsen av landets viktigste kulturminner.» I sitt svar til energi- og miljøkomiteen sier daværende statsråd Sundtoft

Det skal likevel påpekes at Stortinget så sent som i juni 2013 behandlet Meld. St. 35 for 2012–2013, Framtid med fotfeste – Kulturminnepolitikken, og at man da gjennomførte en full gjennomgang av saksfeltet. Som daværende statsråd allerede har innrømmet, har oppfølginga av denne meldinga hatt en senere fremdrift enn Vi synes det er uheldig, men finner likevel at det nå ikke er grunnlag for en ny helhetlig gjennomgang, etter bare knappe tre år. Det er viktigere at regjeringa bruker energien på å følge opp den meldinga som allerede er behandlet. Vi foreslår derfor at Dokument

Det er selvsagt et selvstendig poeng at mange kulturminner påvirkes sterkt av klimaendringene, og at disse kan medføre et forsterket eller endret vedlikeholdsbehov for flere av kulturminnene, i noen tilfeller et helt nytt skadebilde. Dette har vi kunnet forutse i nokså mange år, og flere tidligere regjeringer og stortingsflertall bør ta inn over seg at man ikke har kommet tidlig nok i gang med å ta høyde for denne ekstrautfordringa. Det er heldigvis bred enighet i denne sal om at det er viktig å forvalte godt den kulturarv som ligger i kulturminnene våre, og at det er et felles nasjonalt ansvar å ivareta det mangfoldet av bygninger, anlegg og fartøy som sammen og hver for seg har en unik verdi. Vedlikehold forutsetter kunnskap, og det er dessverre eksempler på at vedlikehold med mangel på kunnskap har fått uheldige konsekvenser. Men forskning knyttet til kulturminner henter fram igjen kunnskap og metoder som kanskje var tapt en periode, og som muliggjør en riktigere forvaltning. Det er kostnadskrevende, det er tidkrevende, det er kunnskapskrevende, men det er uendelig viktig. Derfor imøteser vi med stor forventning den gjennomgang som er bebudet i budsjettforslaget til høsten, herunder en god plan på å innhente etterslep. Vi har mye å være stolt av og ingenting å miste.

De forteller mye om historien vår, hvor det er vi kommer fra. I går fikk jeg sammen med en rekke andre representanter en tur rundt her på Stortinget, et av våre aller viktigste kulturminner, denne bygningen som forteller en 150 års historie om Norge. Jeg tror vi alle er glad for at vi har tatt så godt vare på Stortinget, at selv om det er modernisert, har vi vært opptatt av å bevare mye av det sånn som det var. Det må vi gjøre også for andre kulturminner.

forebygge ødeleggelser enn det det er å reparere store ødeleggelser. Det å sette kulturminnene i god stand vil også gjøre at de i større grad kan brukes. For kulturminner skal ikke være museumsbygg som vi skal se på, de skal være der i bruk for oss. Det er også den beste måten å sikre at folk selv føler et eierskap til minnet på, og selv gjør det de kan for å ta vare på dem. Klimaendringene er en trussel mot det meste, også mot kulturminnene. Mer ekstremvær gjør at bygg står i fare. Det gjør det enda viktigere å ta vare på kulturminnene. Vi trenger å vite mer om hvordan klimaendringene kommer til å påvirke dette. Den forrige regjeringen la fram en stortingsmelding om kulturminner, som saksordføreren så glitrende gjorde rede for. Stortinget vedtok i juni 2013 målsettinger om en storstilt satsing på å sikre kulturminnene innen 2020.

De bevilgningene som vi så langt har hatt, har ikke vært i nærheten av det vi trenger for å komme i mål. Allikevel er dette en debatt som drukner litt i alle de store budsjettdebattene. Kulturminnene får ikke den plassen de fortjener når budsjettene diskuteres, heller ikke når energi- og miljøkomiteen diskuterer budsjettene på vårt område. Det er bra at alle partier nå ber om en full gjennomgang i statsbudsjettet som kommer til høsten, av hvor det er vi ligger. Vi mener allikevel at vi kunne gått lenger, og at vi kunne fått en egen sak som også hadde gitt kulturminnene den plassen de fortjener, som hadde hatt en gjennomgang av hvor vi er – om vi er i rute for å nå våre mål og ambisjoner – og ikke minst en helhetlig plan for hvordan vi skal komme dit at vi klarer å ta vare på alle de kulturminnene som betyr så mye for oss. Det er synd at dette forslaget i dag ikke ser ut til å få flertall, men jeg vil med dette ta opp det forslaget som vi sammen med SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne står bak. Representanten Åsmund Aukrust har tatt opp det forslaget han refererte til.

som lokale entusiaster bruker masse tid og penger på, eller industrielle kulturminner som forteller nye generasjoner historien om hvordan Norge har blitt det velferdssamfunnet det er i dag. Som statsråden skriver i sitt svarbrev, er det lett å være enig i viktigheten av å ta vare på kulturarven. Politikken som følges, har grunnlag i St. meld. nr. 16

etnisk og nærings- og tidsmessig bredde, skal ha varig vern innen 2020 ved fredning. Vernearbeidet er organisert i ti bevaringsprogram som er de viktigste virkemidlene for å nå 2020-målene. Det er oppnådd mange gode resultater, og for flere av programmene kan det se ut som om det er mulig å nå disse målene. Istandsettingsarbeidet for stavkirker er bl.a. sluttført i tråd med slik at innsatsen nå kan konsentreres om løpende vedlikehold og sikringsarbeid. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble det bevilget 10 mill. kr ekstra til brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker. I budsjettet for 2015 ble samme formål styrket med 20 mill. kr. Denne satsingen er også videreført i budsjettet for 2016. Også for bevaringsprogrammet for teknisk-industrielle kulturminner, for bergkunst og for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø ser det ut som om målene skal være mulig å nå. Andre program har derimot litt større utfordringer med hensyn til etterslep. Innsatsen innenfor disse programmene har derfor fått en særlig prioritet de siste årene, selv om situasjonen fremdeles kan være krevende. Senterpartiet og SV står bak en merknad jeg føler et visst behov for å kommentere. Disse partiene skriver at man i denne stortingsperioden har lagt for liten vekt på arbeidet med å nå de nasjonale målsettingene, og at Høyre og Fremskrittspartiet har gitt opp å nå disse målene. Dette er påstander det er lett å tilbakevise. Samlet har budsjettet på kulturminnefeltet økt fra 614 mill. kr i 2014 til 640 mill. kr i 2015. Tilsvarende har det økt til Dette utgjør en økning på henholdsvis 4,1 og 10,8 pst. Blant annet fikk Kulturminnefondet en økning på 10 mill. kr i forliket for 2016, nettopp for å begrense etterslepet når det gjelder fredede kulturminner i privat eie. Dette representantforslaget ble fremmet i oktober 2015, og de gode intensjonene i forslaget ble Her varsler regjeringen at de i budsjettforslaget for 2017 vil komme tilbake til en full gjennomgang av måloppnåelsen så langt og en vurdering av veien videre. Sånn sett burde det ikke være behov for et eget forslag som ber regjeringen gjøre det de allerede har sagt de skal gjøre. Stortingsflertallet er også enig i dette synspunktet, og jeg ser fram til gjennomgangen som kommer

så man kan trygt si at potensialet for kulturminner er omfattende. Disse kan variere fra gravhauger via boplasser til nyere tids industribygg, fartøyer eller ulike typer kirker og andre bygg. I tillegg til museer, kommuner, fylker og stat organiseres og utføres mye av kulturvernet i Norge av frivillige, av privatpersoner, eller gjennom frivillige organisasjoner. Jeg vil i denne sammenheng gi all honnør til alle de frivillige sjeler som setter av tid og ressurser til ulike aktiviteter for å sikre vår kulturarv for ettertiden. Etterslepet i vedlikehold av fredede og verneverdige kulturminner er imidlertid stort – har vært stort og er fremdeles stort. Hvert år forsvinner noen verneverdige bygg eller kulturlandskap for alltid, fordi de ikke har blitt istandsatt. I behandlingen av stortingsmeldingen så langt tilbake som i Leve med kulturminner, sluttet et samlet storting seg til de nasjonale målene for kulturpolitikken. Det årlige tapet av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller forfaller, skal minimeres. Innen 2020 skal tapet ikke overstige 0,5 prosentpoeng Fredede og verneverdige kulturminner skal være sikret å ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Kulturminner er fra det offentliges side samordnet under Riksantikvaren. Bare for 2016 er det bevilget over 0,5 mrd. kr til kulturminnearbeid og tilskudd til vern og bevaring innenfor kulturminneområdet. Siden Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen tiltrådte i oktober 2013, har bevilgningene til dette arbeidet økt med 100 mill. kr, så selv om det er noen i denne salen som mener at regjeringen ikke satser, er det faktisk slik at bevilgningene har økt, med 100 mill. kr. Fremskrittspartiet vil fortsette med å jobbe for å få en bedre samordning av kulturminnearbeidet fra det offentliges side samt etterstrebe å nå målene som Stortinget har fastsatt for kulturminnearbeidet i Norge. Kulturminnene og kulturmiljøet er noen av de viktigste delene av det

er om man klarer å få bevilget de nødvendige 120 mill. kr – i alle fall 120 mill. kr – hvert år i budsjettet framover. Jeg tror at enten må vi nå bestemme oss for at vi vil nå de målene og kollektivt følge opp det vi sier i innstillingene, med bevilgninger hver høst framover, ellers kommer ikke disse målene til å kunne bli oppfylt. Senterpartiet har prioritert tre områder i vår kulturminnepolitikk som vi mener samlet sett kan gjøre at målene nås. Det ene er at man er nødt til å øke de ulike tilskuddsordningene, og vi kan ikke nok en gang gjøre det på en sånn måte at vi prioriterer ett område ved å ta fra et annet område. Det er hele kulturminnesektoren som må prioriteres med økte bevilgninger og økte tilskudd. Det andre er at kan gjøre en del gjennom å styrke Kulturminnefondet på Røros, slik at det også får mer penger å gi tilbake og dele ut til dem som er aktive og gjør en stor og viktig innsats på dette området. Den dealen som fondet har, som betyr at staten står for en tredjedel av kostnadene, mens private og frivillige står for to tredjedeler, er egentlig en veldig god deal. Og det trengs mer midler inn for å få finansiert de spleiselagene som Kulturminnefondet er med på. Det tredje som må til, tror jeg er skattelette. Det må gis skatte- og avgiftslettelser for de eierne som faktisk har den type kulturminner i sitt eie, og som ønsker å bidra til å bevare og istandsette de kulturminnene eller de kulturmiljøene som er i privat eie. de kulturmiljøene som er i privat eie. De tre tingene i sammenheng kan fungere. Jeg opplever at det er positivt at vi nok en gang er enige i innstillingen i dag. Det er bra. Men vi trenger ikke lenger bare flertall for nye ord og heller ikke bare flertall for nye samlede planer. Vi trenger flertall for mer midler, og det vil vi få muligheten til å bli enige om i høstens budsjett.

og det er viktig fra statens side i sterkere grad å følge opp dem som eier disse kulturminnene. Fra Venstres side er vi fornøyde med og mener at det er viktig at vi nå får en gjennomgang av status i budsjettet for 2017. Men det er like viktig hvordan man vurderer veien videre. Det som er helt avgjørende, er at vi får nye programmer som peker framover mot 2030, 2035 og 2040, som komiteen påpeker i sine merknader. Nå skal vi nå dette steget, og så skal vi videre fra statens side. så skal vi videre fra statens side. Én ting er de nasjonale, verneverdige kulturminnene, som må følges opp av Riksantikvaren og staten. Like viktig er det å ha systemer for å verneverdige byggene som vi har i Norge. I den sammenheng er Kulturminnefondet avgjørende, og vi har styrket også det – ikke minst i årets budsjett – og Venstre kommer til å prioritere dette også i årene framover. Men vi trenger også en litt annen tenkning. Fra komiteen er det påpekt at klimaendringene truer men det er også viktig at vi ser på kulturminner som en viktig del av det å bekjempe klimaendringer, for er det én ting som FNs klimafond påpeker, er det at et av de viktigste tiltakene for å bekjempe klimaendringer er bedre å utnytte den bebyggelsen som allerede står der. Det handler om å ivareta den bebyggelsen som vi har, ved å signalisere overfor kommuner og andre som driver med arealplanlegging, at det å bevare klimaet ikke handler om bare å bygge tettere og høyere, men at det handler om å ivareta den bebyggelsen som allerede står der, og så ha en tilpassing av de nye byggene som skal settes opp. Ikke minst i forbindelse med den saken vi nettopp har behandlet, som handler om at vi skal redusere vi skal redusere det ressursmessige fotavtrykket, er det avgjørende at vi klarer å ivareta den jevne verneverdige bygningsmassen som man har i Norge, mye bedre enn vi gjør nå. Her er det store ressurser å spare. Det er mange viktige kulturminner å ivareta, og det er mye god stedsutvikling vi kan få til, ved ved bedre å ivareta og verdsette den historien som ligger i bredden av kulturminner som vi har i Norge, samtidig som vi skal sette vårt avtrykk og se vår tid i forbindelse med den bebyggelsen som allerede står der. Her har vi en stor oppgave. Dette handler ikke bare om å se til Riksantikvaren. Det er like viktig å se på hele det nasjonale ansvaret, ikke minst ansvaret, ikke minst når man ser på hele planverktøyet, og at dette også formidles ned til kommunene, og at man understøtter de kommunene som tar sikte på en stedsutvikling og en byutvikling som bygger videre på verdiene vi har, samtidig som man legger sin tid inntil og oppå det som allerede er

Som representanten Elvestuen nettopp var inne på: Det å ivareta den bebyggelse vi allerede har, er en viktig del av dette. Aftenposten hadde nylig et oppslag om hvordan gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, gjerne gjennom det som kalles eksperimentelt bygningsvern, er å anse som morgendagens viktigste byggevirksomhet. Bakgrunnen for oppslaget var fraflyttingen av sentrale kulturhistoriske bygg som NRK og Nasjonalmuseet uten at det foreligger planer for ny bruk. I et slikt perspektiv vil fortsatt bruk av ressurser som allerede er skapt, og hvor klimaavtrykket i stor grad er satt, være viktig for ikke bare å ta vare på kulturhistoriske verdier, men også som bidrag i klimapolitikken. Med et slikt utgangspunkt er det veldig lett for meg å si meg enig med forslagsstillerne forslagsstillerne når de trekker frem de verdiene som kulturminnene representerer, de utfordringene vi står overfor i å forvalte dem på en god måte, og viktigheten av gode og klare rammebetingelser for offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private i deres arbeid for å ta vare på viktige kulturhistoriske verdier. Bevilgningene på kulturminneområdet går til å følge opp politikken i de stortingsmeldingene som har vært nevnt, St.meld. nr. 16 for 2004–2005, Leve med kulturminner,
siste melding er både ambisjonsnivået og målene som Stortinget vedtok i 2005, videreført. Målsettingen er å ta vare på mangfoldet av kulturminner og kulturmiljø som bruksressurser og som grunnlag for kunnskap, opplevelser og verdiskaping. Det er også et mål at et utvalg av kulturminner og kulturmiljø som dokumenterer geografisk, sosial, etnisk og nærings- og tidsmessig bredde, skal ha varig vern innen
gjennom fredning. Vernearbeidet er organisert i ti bevaringsprogrammer som er de viktigste virkemidlene for å nå 2020-målene. Vi har, som det har vært nevnt, oppnådd mange gode resultater, og for flere av programmene ser det ut som vi skal nå 2020-målene. Et eksempel er istandsettingsprogrammet for stavkirker, som ble sluttført i tråd med målet i fjor, slik at innsatsen nå kan konsentreres om det løpende vedlikeholdet og sikringsarbeidet. Men så er det også programmer som har store utfordringer med hensyn til etterslep. Det er størst innenfor programmet for fredede kulturminner i privat eie, Bevaringsprogrammet for fartøyvern, med fartøyvernsentrene, og innenfor Bevaringsprogrammet for samiske kulturminne. Det er derfor innsatsen innenfor disse programmene har hatt særlig prioritet de siste årene, men det er fortsatt en krevende situasjon. Komiteen peker på viktigheten av en samordnet bruk av virkemidler på tvers av statlige sektorers ansvarsområder. Klima- og miljødepartementet har en viktig tverrsektoriell rolle i oppfølgingen av kulturminnepolitikken. Et eksempel på god utøvelse av den rollen er prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer, som har oppnådd mange gode resultater. Dette er et av de største fredningsprosjekter som har vært gjennomført i Norge. Alle statens sektorer og virksomhetsområder har registrert og vurdert de kulturhistoriske

vi i budsjettforslaget for 2017 vil komme tilbake med en gjennomgang av måloppnåelsen så langt og en vurdering av veien videre. Jeg mener det på en god måte gir rom for å fange opp de problemstillinger og de utfordringer som er tatt opp i Dokument 8-forslaget. Jeg er tilfreds med at komiteens flertall er enig i at det derfor ikke er grunnlag for en egen gjennomgang utover det som er varslet i budsjettet. Det blir replikkordskifte. Vi hører at ministeren sier at vi ikke er

Den statusgjennomgangen som kommer i budsjettet til høsten, vil gi mer presise svar på det, men jeg har jo allerede indikert hvor vi er godt i gang og forventer måloppnåelse – stavkirker, teknisk-industrielle kulturminner, middelalderruiner, bergkunst, Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø – og de områdene hvor vi har kommet kortere. Det gjelder privateide kulturminner, fartøyvern og samiske kulturminner. Målene står fast. Vi må satse mer og har prioritert innsatsen på de områdene hvor vi har kommet kortest, og det er det viktig at vi viderefører. Takk for klargjøringen av at målene står fast. Statsråden svarte ikke på spørsmål 2, nemlig om regjeringen fører en politikk for å nå målene. Da vil jeg si at det gjør de målene. Da vil jeg si at det gjør de ikke. Det er egentlig illustrert i hva statsråden selv sier, at vi ikke er i rute. Så mitt spørsmål til statsråden blir da: Hva skal han gjøre, hva ser han for seg at regjeringen kommer til å gjøre de neste to årene for at vi skal nå de målene som Stortinget har pålagt statsråden å følge opp, og som statsråden sier at er de målene han selv ønsker å følge opp? Nå vil jo forslaget fra flere, deriblant Aukrust, om en gjennomgang vil jo forslaget fra flere, deriblant Aukrust, om en gjennomgang bli håndtert gjennom det vi kommer tilbake med i budsjettet. Formålet med det er jo nettopp å gjøre opp status og nettopp å kunne invitere til en diskusjon om hva som må gjøres videre. Når den gjennomgangen det er spurt om, kommer, vil gjennomgangen også gi et bedre grunnlag for å peke ut prioriteringene på veien videre. Men at vi gjør en god jobb på kulturminnefeltet og har styrket innsatsen betraktelig i budsjettene mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, taler tallene klart om.

Statsråden er for øvrig kjent for når han ikke når målene på klimafronten for 2020 på grunn av manglende vilje og evne, heller å lage nye mål ti år fram i tid. Men på samme måte som vi ikke kan akseptere det på klimafeltet fra Stortingets side, kan vi ikke tillate det på kulturminnefeltet. Derfor, når statsråden sier at målene nå ligger fast, hva vil regjeringen gjøre utover å gjennomgå status? Hva vil regjeringen faktisk gjøre for å sørge for at vi når de å gjennomgå status? Hva vil regjeringen faktisk gjøre for å sørge for at vi når de målene som Stortinget har sluttet opp om? Svaret på det er relativt enkelt: Vi går fremover. Vi vil i stor grad nå målene på en rekke områder. Vi har et betydelig etterslep på noen områder, og det er derfor vi særlig prioriterer de områdene hvor vi har kommet kortest. Det er ingen grunn til å legge om kursen. Det er snarere snakk om å holde kursen, men å øke farten på noen av programmene. Jeg tar det

lage bymiljøavtale med krav om fortetting omkring kollektivknutepunkt. Og man har de statlige aktørene, enten det er Entra, ROM Eiendom eller andre, som er store byutviklere. Har statsråden noe initiativ overfor disse for å ivareta lokale og regionale kulturminner, samtidig som vi skal fortette, som et viktig

tilretteleggingen for urbanisering, som jo er klimavennlig i seg selv, og i tilretteleggingen for gode transportløsninger og fortetting ivaretar de hensynene. Det er ikke prinsipielt noen andre krav til verneinnsats, men det er veldig viktig at det hensyntas, fordi det er en dynamikk på det feltet. Både av klimahensyn, transportløsningshensyn og urbaniseringshensyn

tradisjonelt standpunkt, men denne gangen i klimaets tjeneste. Staten må ha et helhetlig ansvar og ligge i front. Vi er ikke uenige i det. Det betyr ikke at man slipper unna de konkrete vurderingene i det enkelte tilfellet, hvor hensynene kan være konkurrerende. Men at vi ser at kulturminneinnsatsen knyttet til byutvikling blir bare viktigere, og at staten selv må ha dette hensynet høyt oppe, er det ingen tvil om.

Av statsrådens brev til komiteen i sakens anledning går det fram at regjeringen har bevilget noen millioner til brannsikring av våre stavkirker – og det er selvfølgelig viktig. Stavkirkene er i stor grad restaurert som del av en nasjonal dugnad. Men nå er det på tide at andre vernede kirker blir prioritert. I Norge er det i dag 194 middelalderkirker i stein. 22 av disse er i mitt eget fylke, Vestfold. I regelen er det 22 av disse er i mitt eget fylke, Vestfold. I regelen er det kommunene som har ansvaret for at kirkebyggene blir tatt vare på. Men i en presset kommuneøkonomi fører dette dessverre til at viktige deler av vår kulturarv forsømmes. Kirkebyggene er en stor bevares. Det sørger Riksantikvaren for. Men det er altså kommunene som må dekke restaureringskostnadene. Kirken er som kjent «et gammelt hus», som det står i salmen, og byggene skal så vidt mulig bevares i sin opprinnelige form. Ordningen med rentekompensasjon for lån til kirkebygg bidrar noe, men er på langt nok til å dekke kommunenes behov for midler. Særlig i mindre kommuner med flere gamle kirkebygg er restaurering og vedlikehold av kirkebygg en byrdefull oppgave. Dertil kommer at Riksantikvarens tilskuddsordninger og Kulturminnefondet er underfinansiert, og ordningene Heller ikke Opplysningsvesenets fond, som burde kunne være en bidragsyter til bevaring av kirkebygg, føler noe ansvar for denne oppgaven. I et vedtak på sitt årsmøte nylig krevde Arbeiderpartiet i Vestfold at staten må dekke kostnadene for restaurering av vernede og listeførte kirker, gjerne gjennom en ordning under Riksantikvaren. Dette gjelder særlig middelalderkirkene, og jeg understreker at bevaring av kirkebyggene nettopp er en del av en helhetlig kulturminnepolitikk. Og så kan jeg selvfølgelig tilføye at en slik ordning vil ha betydelig sysselsettingsmessig effekt. I dagens situasjon er ikke det minst betydningsfullt.

Re kommune, har de fem kirker og 9 300 innbyggere. Tre av kirkene er middelalderkirker. Jeg minner om at middelalderkirkene i mange bygder er stedets aller viktigste kulturminne. De representerer en dokumentasjon på historien langt tilbake i tid og bidrar til stolthet og identitetsfølelse. Samtidig utgjør middelalderkirkene en nasjonalskatt, som det bør være i alles interesse å ta godt vare på. Vedlikeholdet av disse kirkene er under Riksantikvarens kontroll. Det er fornuftig for å sikre at arbeidet gjøres på en faglig riktig måte. Men ulempen er at kostnadene faller på kommunene. Disse kostnadene blir også betydelig større enn når såkalt vanlige kirker skal vedlikeholdes. Av det kommunale vedlikeholdsetterslepet det ofte snakkes om, representerer middelalderkirker for mange en vesentlig andel. Dette er sterkt beklagelig, siden prioriteringer, og det ikke er opp til kommunene selv å bestemme vedlikeholdet av disse kirkene. Da kan man jo tenke at det man bør se på framover, ikke er nye planer, men kanskje finansieringen – hvordan finansierer vi dette i framtiden? For det er mange kulturskatter. Og når vi nevner at Opplysningsvesenets fond besitter ca. 2,7 mrd. kr, og en vesentlig andel av dette stammer fra bør man kanskje tenke nye tanker – kanskje en større andel av det burde gå til å ta en sjau for middelalderkirker, slik at man kan få det opp å gå, slik som man har gjort med stavkirker? Så jeg støtter ikke forslagsstillerne, som mener at vi skal ha en ny plan for å kartlegge. Kartlegge har man gjort, man har gode planer, men hvordan finansierer vi det? Det har jeg ennå ikke hørt forslagsstillerne komme med i denne saken. Det er noe Stortinget bør ta fatt i og diskutere i

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 70 minutter, og at taletiden blir fordelt slik: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra partienes hovedtalspersoner og seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen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 forholdsvis omfattende, berører hele landet og berører en rekke selskaper og næringsvirksomheter. Det er i saken også prinsipper knyttet til framtidige reguleringer og justeringer i energiloven om bl.a. utenlandsforbindelsene mellom Norge og andre land når det gjelder overføring av elektrisitet. I denne proposisjonen er det konkret i alt fire områder hvor det er endringsforslag. Det er et forslag om å kreve selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet for alle nettselskaper. Det foreslås videre at transmisjonsnettet, det som tidligere var sentralnettet, blir høyeste nettnivå og defineres i energiloven, og at departementet i enkeltvedtak kan fastsette hvilke anlegg som inngår i det. Den tredje endringen som er foreslått, er en hjemmel til å gi forskrifter om konsesjonær etter energiloven som koordinerende operatør av distribusjonssystemer. Og det fjerde er at det foreslås en hjemmel til å fastsette bestemmelser om omgjøringsadgang som avviker fra forvaltningslovens tidsfrister ved feil i datagrunnlaget ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer. La meg starte med å si at de to siste punktene av endringsforslag som jeg refererte til, har det ikke vært noen særlig stor diskusjon om. Komiteen anser det vel egentlig som mindre justeringer av eksisterende lovgivning. Så er det de to andre forslagene som er omtalt, som har skapt større engasjement og større diskusjoner, og som også i komiteen er blitt avspeilet gjennom større usikkerhet om både grunnlaget for og konsekvensene av de lovforslagene som er fremmet fra regjeringshold. Når det gjelder de ulike partienes holdning til disse to spørsmålene og endringsforslagene, vil jeg vise til komiteens innstilling, som jeg tror på en god måte beskriver partienes ulike synspunkter. Men komiteen er veldig spredt i sine tanker om det. Når det gjelder framtiden til nettselskapene og dette med å distribuere elektrisitet, står komiteen egentlig veldig samlet om framtidssynspunktene. En ser for seg store investeringer og at nettselskapenes monopolfunksjon må ivaretas på en god måte. Ikke minst er kravet om at en skal opptre nøytralt, viktig, likeledes en tanke om at en skal dele inn

For Arbeiderpartiet er det viktig at vi bygger og regulerer samfunnet på en måte som er hensiktsmessig, som er troverdig, og som skaper muligheter. Ser vi på elektrisitetsnettet og historien som er knyttet til det, vet vi at elektrisitetsnettet har gjort det det skal gjøre – netteierne har gjort det de skal gjøre: De leverer elektrisitet med tanke på både kvalitet og pris. Tatt i betraktning skiftende vær gjennom de ulike årstidene og geografi og topografi, som er helt vesentlig i dette landet, ikke minst også når det gjelder bosetting, har de utvilsomt løst oppgaven på en god måte. Så tror jeg vi alle er enige om at nettkundene ikke skal betale noe mer enn hva selve nettjenesten faktisk koster. Derfor har nettdriften vært regulert som en monopolvirksomhet, med sterke og andre regler for hvordan dette skal gjøres. Til slutt har staten, ved NVE, tilsynsmyndighet, slik at en utøver den funksjonen på en god og riktig måte. Vi mener fra Arbeiderpartiets side at dette fungerer godt i dag. Så blir spørsmålet: Hva er det som ligger i lovendringsforslaget for andre energimarkedspakke blitt pålagt å etablere et selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper med mer enn 100 000 kunder. En kan stille spørsmål ved om dette EU-kravet er hensiktsmessig. Jeg tror ikke det – jeg tror ikke Stortinget på eget initiativ, uten et hadde innført en slik type regulering. Tvert om tror jeg en kanskje hadde tenkt seg om både en og to ganger før en hadde innført et slikt krav. Det store engasjementet når det gjelder dette lovforslaget, kommer selvfølgelig av at man mener at lovkravet som stilles om funksjonelt skille – og for så vidt også om selskapsmessig skille – er uhensiktsmessig, byråkratisk, fordyrende og en lovmessig helt urimelig detaljstyring av hvordan en eier selv skal kunne organisere sin egen virksomhet. Store deler av selskapene, bransjeorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene, en rekke ordførere, formannskap og kommunestyrer landet rundt har gjennom et sterkt engasjement tydelig sagt nei til den detaljstyringen som dagens regjering, med hjelp av Venstre, kommer til å gjennomføre – gjennom de forslag til vedtak av lovendringer som de kommer til å stemme for i dag. Politikk kan utøves på flere måter. Man kan velge en inngang til lovreguleringer og statlig styring og kontroll slik at man viser vilje til å fjerne uhensiktsmessige, byråkratiske og fordyrende lovreguleringer – eller man kan gjøre det motsatte. Dagens regjering gjør – merkelig nok – nettopp det, det motsatte. En endrer loven, gjør det dyrere, mer uhensiktsmessig, mer byråkratisk, og en setter en stopper for ved lov å utnytte kompetanse på en god måte. Forstå det den som kan. Det som også er merkelig i denne saken, er at komiteen har stilt en rekke spørsmål om konsekvensene av disse lovendringsforslagene – hva vil de bety? Men vi får ikke noe svar. Vi har spurt: Hva koster dette? Vi får ikke svar. Enten vet ikke statsråden svaret, eller så vil han ikke oppgi det. Det er på en måte litt underlig at en regjering som hevder at de er imot byråkratisering, hevder at de er for å begrense kostnadene og reguleringene i samfunnet, med bind for øynene får vedtatt en detaljstyring – uten engang å vite hvor mye det vil koste, og hva som er de langsiktige konsekvensene av lovforslaget. Det virker på meg som meget forunderlig – eller beundringsverdig. Det er blitt utarbeidet en rapport av Distriktenes energiforening som viser at kostnader ved å kreve et selskapsmessig og funksjonelt skille kan beløpe seg til henholdsvis 1,3 og 3,3 mrd. kr over en tiårsperiode, samlet altså 4,6 mrd. kr. Hvis tallet er riktig, er det nettkundene, innbyggerne i dette landet, som må betale

Så til transmisjonsnettet. Komiteen er i utgangspunktet enig om at det er fornuftig å ha to nettnivåer i tiden framover, og at transmisjonsnettet skal eies og drives av Statnett. Veldig bra – der er vi enige. Men så kommer regjeringspartiene med en tanke om at utenlandsforbindelsene mellom Norge og kontinentet eller Norge og andre land kan hvem som helst eie, selv om en i denne lovproposisjonen veldig tydelig slår fast at det bør være Statnett som eier og driver det, som en del av transmisjonsnettet. Det er – skal vi si – ideologi i den praktiske hverdagen der ideologien ikke helt ser hvilke konsekvenser det kan medføre. Det andre i tilknytning til dette er at det har vært en diskusjon om store forbrukere, altså kraftforedlende industri, hvor et stort mindretall – Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti – foreslår en ikke-diskriminerende likebehandling av disse bedriftene i elektrisitetsnettet, og ber om en utredning om det. Regjeringspartiene og Venstre sier nei

Da blir det

opptil 950 mill. kr i året i nåverdi. Det er et langt lavere tall enn anslaget fra Defo, og ser man dette over ti år, er det altså opptil 19 mrd. kr. Spørsmålet er egentlig hvorfor saksordføreren trekker fram Defo som det eneste sannhetsvitnet, når det åpenbart finnes andre analyser

har lagt saken fram for Stortinget med bind for øynene – når vi ser at påstander fra ulike organisasjoner og ulike utredningsinnganger i tilknytning til dette spørsmålet kan skilles så vesentlig ad. Det burde være et åpenbart problem som gjør at man stopper opp og faktisk tenker seg om: Hvilket grunnlag er det departementet – statsråden og regjeringen – velger i sitt framlegg til Stortinget når det gjelder å tenke konsekvenser?

og derfor er jeg glad for at flertallet i denne salen støtter lovendringene. Før jeg redegjør for hvorfor vi støtter forslagene, tillater jeg meg et kort historisk tilbakeblikk. Litt forenklet kan vi si at fram til 1990 var strømforsyningen i Norge i all hovedsak kun et spørsmål om offentlig forvaltning. Folk fikk strømmen sin levert av det lokale kraftverket, som var offentlig eid. Det var ingen konkurranse mellom ulike selskaper om å selge strøm, verken til husholdninger eller Samtidig økte velstanden i norske hjem, og strømforbruket ble nesten doblet fra 1970 til 1990. Norge var godt forsynt med fornybar energi etter de store vannkraftutbyggingene på 1960-, 1970- og 1980-tallet, men behovet for bygging av strømnett tiltok. I juni 1990 vedtok Stortinget energiloven, og strøm gikk fra å være forvaltning til å bli butikk. Loven åpnet for et fritt marked for kjøp og salg av elektrisk energi og dermed også for en energiutbygging mer styrt av markedet og mindre av politiske vedtak. Energiloven påla allerede den gang kraftselskapene å skille mellom produksjon og nettvirksomhet. Gjennom dereguleringen av kraftsektoren ble skillet mellom den fysiske leveransen og kjøp av strøm etablert. Ifølge Store norske leksikon plasserte energiloven Norge i fremste rekke internasjonalt med hensyn til liberalisering og frislipp av elektrisitetsomsetning. Med den nye loven skjedde det en del strukturendringer og konsolideringer i kraftbransjen, men det er likevel min påstand at energiloven ikke fikk sin fulle virkning før vi kom på 2000-tallet. Først da begynte markedet for kraftomsetning å fungere, og vi står nå på terskelen til en ny endring, en ny tidsalder. Endringene i energiloven som vedtas her i dag, er en naturlig forlengelse av dereguleringen på 1990-tallet og styrker forbrukerens interesser.

Det er liten tvil om at samfunnet slik vi kjenner det i dag, vil forandre seg radikalt i årene som kommer. Energisektoren er intet unntak. Vi står foran en teknologisk revolusjon de færreste kjenner rekkevidden av. Utviklingen går raskere enn noen gang, og vi ser at dette vil ha en dramatisk effekt på store deler av næringslivet på flere måter. De kraftselskapene som klarer å benytte seg av de mulighetene denne nye teknologien gir, vil få et betydelig forsprang. Vi vil legge til rette for en slik utvikling. Grunnlaget for framtidens kraftforsyning skapes i dag. Det er bakgrunnen for at vi nå foretar det vi mener er helt nødvendige endringer i energiloven. I forbindelse med tredje elmarkedspakke tilpasser vi inndelingen av vårt strømnett slik at det harmoniserer med EU-landenes. Vi går fra tre til to Det som i dag heter sentralnett, omdefineres til transmisjonsnett. For transmisjonsnettet gjelder krav om eiermessig skille, noe som innebærer at transmisjonsnettet i framtiden driftes og eies av Statnett. Hvilke deler av nettet som skal defineres som transmisjonsnett, bestemmes av departementet gjennom enkeltvedtak. Disse vedtakene skal basere seg på nettfaglige begrunnelser og På den måten sikrer vi at skillet mellom transmisjonsnett og distribusjonsnett blir gjort ut fra faglig gode begrunnelser for drift av strømnettet. Dette er viktig, særlig for de industribedriftene som er store kunder. I lovforslaget defineres utenlandsforbindelser, altså høyspente undersjøiske kabler til våre naboland, som transmisjonsnett. Flertallet legger til grunn at utenlandsforbindelser har en vesentlig betydning for transmisjonsnettet, men regjeringspartiene mener også at andre enn Statnett skal kunne bygge og drifte utenlandsforbindelser i framtiden. Regjeringen har derfor sendt på høring en annen endring i energiloven hvor det åpnes for at andre enn Statnett Jeg vil i den sammenheng understreke at EU-lovgivningen åpner for at enkeltstående utenlandsforbindelser kan eies av andre enn operatøren av transmisjonsnettet, eller TSO-en, som det heter i loven. Flertallet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, mener derfor at definisjonen av transmisjonsnettet ikke er til hinder for at enkeltstående utenlandsforbindelser kan være eid av andre enn Statnett. en sikker og god organisering av strømnettet en forutsetning for et framtidsrettet og klimavennlig kraftsystem. Fornybarsamfunnet kommer ikke av seg selv – det må faktisk bygges. I nær framtid vil det sannsynligvis bli slik at mange flere av oss blir såkalte plusskunder. Det innebærer at vi ikke bare får levert strøm av nettselskapet vårt, men at vi også kan selge overskuddsstrøm fra egen produksjon tilbake til nettselskapet. I en slik situasjon er vi avhengig av at nettselskapet, som har monopol på å drive nett i et bestemt område, opptrer nøytralt og at alle som skal levere strøm i nettet, får likebehandling. Nøytralitet og transparens blir særdeles viktig. Vi kommer nå til kjernen av uenigheten mellom flertallet og mindretallet i denne saken. Drift av strømnettet er et naturlig monopol, og kundene har ikke selv anledning til å velge nettselskap. Fordi det i dag ikke er et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom drift av strømnettet og annen virksomhet i nettselskap med mindre enn 100 000 kunder, finnes muligheten der til å lempe kostnader over på monopolvirksomheten. Vi mener at denne muligheten for kryssubsidiering tilsier at kundene har et behov for å beskyttes mot unødvendige kostnader.

Et skarpt skille, både i separate selskaper og med forskjellige mennesker i styre og ledelse, tror jeg vil styrke nettvirksomheten og øke bevisstheten rundt behovet for investering og opprusting av strømnettet. Når vi vet at nettbransjen i løpet av de neste ti årene står overfor investeringer i nytt strømnett og vedlikehold på over 100 mrd. kr, er det viktig at det investeres riktig. er Høyres syn at dagens organisering av nettet ikke er framtidsrettet, med en sammenblanding av nett og annen virksomhet i samme energiselskap. Skal vi være sikre på best mulig forvaltning av strømnettet i framtiden, er det nødvendig at nettet driftes for seg, og at energiselskap som ønsker å drive med annen virksomhet, holder

Det kan jeg godt forstå. Forandring er noe de fleste av oss ikke nødvendigvis liker, og bekymringene dreier seg om hva dette vil bety for selskapet, og hvilke kostnader det vil medføre osv. Til disse vil jeg si at jeg forstår uroligheten, men at for Høyre veier hensynet til forbrukernes interesser og til samfunnets behov for et godt organisert strømnett tyngre. Mange er også positive til lovendringene som foreslås. Fagetaten NVEs tall viser også at de selskapene som kun driver strømnett, har lavere kostnader og er mer lønnsomme enn integrerte selskaper. Ett eksempel på dette er sammenslåingen av Fortums tidligere distribusjonsnettvirksomhet i Østfold, som har gitt kostnadsbesparelser og forbedret leveringskvalitet til kundene. Til slutt: Lovendringene som foreslås her i dag, utgjør fornuftige grep som er en forlengelse av arbeidet som startet med innføringen av den nye energiloven i 1990. Endringene er helt i tråd med anbefalingene fra ekspertene i Reiten-utvalget, og de vil ruste vårt felles strømnett for framtiden. Det blir replikkordskifte. Mye av det

driver nettselskapene sine på en god måte. Det var en kommentar. Så til det jeg har lyst til å ta opp i replikkutvekslingen med representanten Odd Henriksen, og det er forholdet til gode rammebetingelser, gode nettjenester, likeverdige tjenester osv. i tiden framover for kraftforedlende bedrifter. Jeg er forundret over at Høyre og regjeringspartiene ikke stemmer for det forslaget som Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV tar opp når det gjelder en likeverdig, ikke-diskriminerende modell for SFHB-bedriftene. Hvorfor stemmer ikke Høyre for det? Når det gjelder det som kan benevnes som industritariffer – det er egentlig det vi snakker om med disse store virksomhetene – hadde vi for det første en sak om dette for ikke altfor lenge siden, jeg tror det var i fjor høst, hvor dette temaet var tatt opp til diskusjon. Det er slik at bedrifter som bruker mye strøm, har industritariff, de som er tilknyttet sentralnettet i dag, har en tariff, og andre bedrifter som er tilknyttet dagens regionalnett, har også regionalnett, har også gode vilkår for hvordan de skal betale sin strøm. Hvis det blir sånn at tariffene skal fastsettes av oss i Stortinget, kan man risikere at dette blir ansett som ulovlig bedriftsstøtte, og at de tariffene vi har i dag, blir satt på prøve. Vi tror det er viktig, når man skal ha det, at dagens system fungerer godt. De store industribedriftene har gode tariffvilkår, og de er begrunnet med verdien for nettet. Jeg vil først si at det er ganske historieløst å si at dette er en naturlig videreføring av energiloven fra 1990. Det er det

Representanten sa i sitt innlegg at dette var en harmonisering med EU-landene. Det er det heller ikke. Det er nettopp det vi ikke gjør. Vi går mye lenger enn noe EU-land gjør. Det er ingen EU-land som vil påføre de mindre kraftverkene med under 100 000 abonnenter de kravene vi nå gjør – det byråkratiet vi nå påfører, de økte kostnadene vi nå påfører viktige distriktsaktører over hele landet. Mitt spørsmål er egentlig: Hvordan føles det for Høyre å påføre viktig næringsliv utover i alle distrikt i Norge økte kostnader og økt byråkrati på den måten en kommer til å gjøre? Når jeg snakket om tilpasning til tredje energimarkedspakke, var det henvisning til at vi går fra tre til to nettnivå. Det var det som var knyttet opp til den kommentaren, og det er en harmonisering som vi nå gjør. Når vi så kommer til det andre spørsmålet, er det slik at når vi skal titte inn i glasskulen og tenke på hvordan vi best mulig kan organisere strømnettet, er det sånn at ingen endringer som jeg har vært med på, har vært gratis. De endringene man gjør, vil alltid ha en pris. Men vi tror at de kostnadene som dette vil medføre, vil gi forbrukerne et bedre nett, det vil gi dem bedre nettariffer, og vi tror at på sikt

Det som er problemet, er at en endring av om dette ligger i sentralnettet eller regionalt distribusjonsnett, har skjedd med litt ulike historiske begrunnelser. Derfor må jeg spørre representanten: Mener Odd Henriksen at dagens ordning, der noen har en mye lavere tariff enn andre av de bedriftene som har den samme stabiliserende effekten på nettet, er rettferdig? Hvis det var sånn at de enkelte industribedriftene hadde én og samme tariff, kunne svaret vært enkelt. Men det er faktisk ikke sånn det er. De enkelte bedriftene har en tariff ut fra den verdien som de gir til nettet, slik at forskjellige bedrifter kan ha forskjellige tariffer ut fra hvilken måte de stabiliserer nettet – og driften av nettet – på. Selv om man har det man kaller en «industritariff», er ikke den lik. Det er ikke sånn at Hydro på Karmøy har samme nettleie som Elkem i Salten selv om de ligger i sentralnettet. Vi har differensierte takster fordi verdien det har å stabilisere nettet, og den verdien de har for nettet. Det er ikke sånn at det er én tariff for alle industribedrifter her i Norge – uansett hvor de ligger. Det som er forskjellen, er at hvis det blir slik at noen ligger i distribusjonsnettet, og noen ligger i transmisjonsnettet, må man ha et lite påslag for dem som er i transmisjonsnettet.

man investere i nytt strømnett og vedlikeholde strømnettet de neste ti årene for over 100 mrd. kr. Mye av investeringene kommer ute i regionalnettet og distribusjonsnettet. Regjeringen valgte å ta opp Reiten-utvalget, som ble nedsatt av den regjeringen. Det er svært viktig å få et godt grunnlag med tanke på hvordan strømnettet, forsyningssikkerheten og kraftsystemet kan utvikles på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte. Et av forslagene fra Reiten-utvalget var å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille. Vi mener at dette er et godt forslag. Selskapsmessig skille innebærer at konkurranseutsatt virksomhet må skilles ut i separate juridiske enheter. Funksjonelt skille innebærer at personer i ledelsen ikke kan delta i både nettvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet, og at morselskapet ikke kan gi instruks til nettvirksomheten om den daglige driften. Det har vært et tema som har vært mye belyst av komiteen, og mange har snakket om høy nettleie og lav nettleie. Jeg tror at for oss er det for så vidt ikke spørsmål om høy eller lav, men egentlig om å få riktig pris på den varen man kjøper. Etablering av selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettforetak medfører noen økte kostnader, særlig på kort sikt. Engangskostnader omfatter bl.a. etablering av ny selskapsstruktur og inngåelse av avtaler. Økte løpende kostnader kan oppstå som følge av revisjon av ulike juridiske enheter, separate årsrapporter og en ekstra rapportering til NVE. Så er det sånn at ikke alle kostnadene nødvendigvis vil tilfalle nettselskapet og dermed slå inn på inntektsrammen og tariffene. Deler av kostnadene vil kunne tilfalle annen virksomhet enn nettvirksomheten, f.eks. morselskapet, kraftomsetning og kraftproduksjon. Så sa representanten Aasland at regjeringen har gått inn i denne saken med bind foran øynene, fordi man ikke kan legge fram noen tall. Jeg vil bare vise til en rekke av de spørsmålene som komiteen har stilt, som statsråden har svart på, og spesielt det brevet som kom 11. februar. Der blir det helt tydelig klargjort hvorfor man ikke kan legge nøyaktige tall på hva dette vil koste. Det er rett og slett slik at kostnadene ligger i bedriftene – og er vernet i så måte – og det ville ha vært en merkelig framgangsmåte dersom man skulle blottlegge disse bedriftene for svært jeg vet ikke om man har lest det, ikke har ønsket å lese det, eller ikke har forstått det man har lest. Jeg synes den påstanden som kom fra saksordføreren, faller på sin egen urimelighet. Så er det sånn at komiteen også har fått tilgang til at det er utarbeidet rapport fra THEMA Consulting Group, som anslår at kostnadene ved innføring av funksjonelt og selskapsmessig skille vil utgjøre ca. 950 mill. kr i nåverdi. Det tallet er langt lavere enn det anslaget som Defo har, på 4,6 mrd. kr. Samme THEMA finner også at det er et stort potensial for økt effektivitet og lavere kostnader i nettvirksomheten gjennom både strukturering og andre tiltak. Verdien av mer effektiv drift anslås til minimum 4,1 mrd. kr som nåverdi over ti år, og potensielt så høyt som 19 mrd. kr. Så det er klart det har en enorm betydning for forbrukerne, det som vi fatter vedtak om i dag, og forbrukerne er det som har stått fremst hos oss når vi har behandlet denne saken. Det er også det som er grunnlaget for det regjeringen har kommet med. Dette er en god dag for norske forbrukere. Det blir replikkordskifte. Det

Det vi må stille oss spørsmål om, er om det er dokumentert omfattende kryssubsidiering som dette lovforslaget om skille skal forhindre. Det har vi ikke sett noe til. Det vi derimot ser, er at det blir argumentert med at dette vil føre til en strukturering som er god for bransjen. Det er åpenbart sånn at høyresiden i norsk politikk synes at få, store monopoler utvilsomt vil drive mye bedre enn mange små. Da vil jeg spørre representanten fra Fremskrittspartiet, Øyvind Korsberg, om han er komfortabel med at staten og Stortinget nå skal tvinge ned over lokalsamfunnene en byråkratisk, uhensiktsmessig og fordyrende organisering av en samfunnsmessig viktig oppgave.

så vidt jeg har registrert. Til spørsmålet om det har foregått ulovlig kryssubsidiering: Man har jo registrert at det er nettselskap som kanskje har holdt på med litt andre ting enn nødvendigvis nett, nemlig bredbånd, og vi ser for oss at det er naturlig at det blir strukturelle endringer. Det som er avgjørende for oss, er ikke å hensynta hvert enkelt nettselskap i Norge, men det er faktisk å ivareta forbrukerne i Norge. Det er dem vi har i høysetet, og jeg vil jo anta at nettselskapene er til for forbrukerne, og ikke for selve nettselskapet. Det er altså forbrukerne vi ønsker skal ha en sikker, god og fornuftig kostnadsramme på nettet, og at de får den strømmen som de skal ha. Det er vårt mål. Jeg må si meg helt enig med representanten Korsberg i at det som er viktig her, å ivareta både forbrukerne og samfunnets interesser. Men da vil jeg spørre representanten Korsberg om ikke han har fått de henvendelsene som vi, i hvert fall i Arbeiderpartiet, har fått, fra lokalsamfunn og fra lokalpolitikere rundt omkring i hele landet, som er særdeles bekymret for hvordan de og deres regioner vil komme ut med den typen modell og organisering av virksomheten som det nå legges opp til med disse lovendringene. Disse reaksjonene kommer først og fremst fra dem som skal nyte godt av nettselskapenes tjenester, ikke så mye fra nettselskapene selv. Men nettselskapene er offentlig eid anser dermed det de driver med, som en samfunnsmessig oppgave. Det går også igjen i alle de henvendelsene som vi har fått, hvor de påviser at de endringene som høyresiden nå trer nedover dem, vil være fordyrende. Jeg skal ikke si at vi har fått de samme henvendelsene som Arbeiderpartiet har fått; jeg har ikke tilgang til journalene til Arbeiderpartiet, så det kan jeg i grunnen ikke svare på. Men vi har fått

ned nettkostnadene er jo at man åpner opp for at man kan få en bedre struktur. Vi har ikke sagt at det skal være et forbud mot offentlig eide nettselskap; det fremgår jo ingen steder. Men vi ønsker at det legges opp til at man kan få en bedre struktur, at man kan få mer robuste selskaper som skal være i stand til å møte de investeringene som kommer i framtiden, for å sikre riktig kostnad og drift av nettet.

Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og dette stiller krav til en ryddighet som ivaretar kundene og sikrer at ikke nettvirksomheten finansierer andre satsingsområder. Samtidig er det viktig at også tilliten til selskapene opprettholdes. Derfor mener Kristelig Folkeparti at det er riktig å stille krav om en større avstand mellom monopolvirksomhet og kommersiell virksomhet

Nettselskapenes viktige rolle i distriktene er en av disse. Det er bekymringsfullt hvis kravet til funksjonelt skille gjør at de små selskapene blir satt i en situasjon der administrasjonskostnadene øker så mye at selskapet blir ute av stand til drive lønnsomt. I praksis vil dette da være en tvungen restrukturering av bransjen. Kristelig Folkeparti er ikke negativ til en sunn restrukturering, men mener konsekvensene her er så dårligt belyst at vi ikke kan støtte dette forslaget. I lovforslaget omdefineres sentralnettet til transmisjonsnett. Det stilles også krav om eiermessig skille, et krav som blir innfridd gjennom at det vil være Statnett som skal være driver av transmisjonsnettet. Kristelig Folkeparti støtter denne endringa. Likevel er det viktig å påpeke at det i denne omdefineringa må tas visse hensyn. For Kristelig Folkeparti er det viktig at det i departementets vurdering gjøres unntak for anlegg som er planlagt avløst av nytt transmisjonsnett, med mindre de eksisterende anleggene har særegne egenskaper av vesentlig betydning for drifta av

skal være tvunget til å overdra eierskapet til nettet de selv har bygd, bare fordi det ved lovens tiltredelse var klassifisert som sentralnett. Kristelig Folkeparti mener at eierskapet til nettet skal ligge hos den lokale netteier, med mindre det er klare transmisjonsegenskaper ved dette nettet. den kraftforedlende industrien i Norge er viktig, og at vår fornybare energiproduksjon er et viktig konkurransefortrinn. Kristelig Folkeparti mener derfor det må utarbeides en tariffmodell for disse bedriftene der de likebehandles på ikke-diskriminerende og objektive vilkår, uavhengig av hvor i nettet disse bedriftene er tilknyttet. Dette vil gi

energiforsyningen. Det er bra at vi ikke gjorde det. Infrastrukturen kommer til å bli gjenstand for betydelige investeringer i årene framover, og parallelt med infrastrukturen for elektrisitet har mange energiselskap brukt tid, krefter og ressurser på å legge infrastruktur for fiberkabel for bredbånd, og det har også vært viktige samfunnsinvesteringer. I årene framover vil energiforsyningen måtte tilpasse seg mer variert fornybar produksjon. Det kommer til å bli viktig. Det kommer til å bety at en må

Tatt i betraktning merknadene i dagens innstilling synes jeg det er viktig å understreke at alle utredninger så langt viser at vi har et godt strømnett i Norge, og vi har en god bransje. Den fungerer godt. Den er godt drevet, og det er ikke dokumentert gjennomgående noen store forskjeller på de små og de større selskapenes evne til å drive energiforsyning og strømnett på en god måte. I dag behandler vi flere endringer i energiloven – noen av dem mindre kontroversielle, andre mer kontroversielle. Det største konfliktpunktet er sjølsagt spørsmålet om en ved lov skal pålegge alle nettselskap, uansett størrelse, et selskapsmessig og funksjonelt skille. Senterpartiet ser det som en drastisk inngripen i selskapenes eierstyring. Det vil bidra til et påbud som går langt utover det andre land i Europa har, og langt utover det vi er forpliktet til i Bransjen er allerede i dag underlagt strenge reguleringer, bl.a. gjennom kontrollforskriften og gjennom den overvåkingsrollen som NVE har. I dag er det 8 av 148 selskap som har innført et selskapsmessig og funksjonelt skille. Det er de største, sjølsagt, mens det er om lag 50 selskap som kun har innført selskapsmessig skille. Vi kan tenke oss hvilken endring det kommer til å medføre når det nå blir et påbud for alle. Senterpartiet mener at å pålegge alle selskap, uansett størrelse, et slikt skille vil være byråkratisk, og det vil være kostnadsdrivende, og det finnes ingen dokumentasjon på kryssubsidiering innad i selskapene som tilsier et slikt pålegg. Det finnes heller ingen utredninger som viser hvilke samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser et slikt pålegg vil ha. Det er rett og slett et dårlig underbygd forslag. Flertallet bruker tid her i salen i dag – åpenbart på tross av manglende dokumentasjon – til å mistenkeliggjøre aktørene i en hel næring uten at de på noen måte kan dokumentere det. Det er verdt å merke seg at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre innfører en regel som reelt sett verken forenkler eller forbedrer, men som reelt sett sjølsagt har til hensikt å føre til fusjoner og mer stordrift. Gjennom statlige pålegg skal en altså overstyre eierinteressene basert på behov som ikke er dokumentert, for å klare å få til strukturendring og fusjoner. Realiteten er at eierne ikke lenger vil stå fritt til å optimalisere virksomheten sin og til å disponere sine ressurser mest mulig effektivt. Dagens effektive selskap påtvinges med andre ord en ineffektiv drift uten at det er gjort en analyse av konsekvensene. Senterpartiet mener at strukturendringer i kraftbransjen må skje gjennom frivillige prosesser, ikke som et resultat av nye byråkratiske regler. Små og mellomstore selskap er solide i forhold til den oppgaven de skal løse, og de har tilgang til både kompetanse og kapital. Reiten-utvalget var også tydelig på at mange av de mindre selskapene er effektive og solide, og at de representerer gode arbeidsplasser over hele landet. Vi kan ikke se dette forslaget som noe annet enn en uheldig inngripen i eierstyringen av selskapene, og her som ellers bruker høyrepartiene staten som tvangsmiddel for å Senterpartiet mener også at en ved omdefinering av sentralnett til transmisjonsnett ikke må komme i den situasjonen at en gjennom vedtak fra statens side i realiteten kan ekspropriere nett som i dag eies av regionale energiselskap. Det må være rent faglige årsaker som legges til grunn for definering av den type nett, og for anlegg som er planlagt avløst av nytt transmisjonsnett, må det kunne gjøres unntak. Vi mener jo at Energi Norge var meget klar i komiteens høring på dette punktet. Vi skal som samfunn gjennom en rekke vedtak for å bygge det

der det skal gjøres store investeringer i det norske nettet, men det er også en endring der selve produksjonen og de som skal tilknytte seg dette nettet, vil få ulike interesser. Som flere har sagt her, er det flere småkraftverk, vi vil ha en situasjon hvor det er plusshus, vi vil ha en situasjon hvor det er plusshus, vi vil se flere solcellepaneler, vi har stadig flere elbiler eller ladbare biler, det vil være en utvikling i utviklingen av batteriteknologi. Det er vanskelig i dag å se akkurat hvordan dette kommer til å utvikle seg, men at vi står overfor en stor endring, er det ingen tvil om. Fra Venstres side er vi i dag over at det pågår kryssubsidiering i de små selskapene. Det er klart at i et integrert selskap åpner det for muligheten, og dersom det pågår, vil det være uheldig og kunne påføre samfunnet unødige kostnader, men det er ikke noe avgjørende for den beslutningen som vi skal ta. NVE foretok også i 2012 en undersøkelse av 126 selskaper. Det ble innrapportert 993 avvik. Mange av disse gjelder selskap der det er avvik i forbindelse med sammenblanding av nett og salg av kraft – det er altså en sammenblanding i sammenblanding av nett og salg av kraft – det er altså en sammenblanding i sosiale medier. Men ingenting av dette er avgjørende for den beslutningen som vi nå skal ta. Det som er avgjørende, er at overfor kunden trenger man selvfølgelig et nøytralt nettselskap, men vi er ikke minst avhengig av at de som også i framtiden skal levere kraft inn på det nettet, sikrer seg å ha et nøytralt nettselskap. For det er sånn at de ulike kraftprodusentene i større grad vil ha interesser. Da mener vi at det er riktig ikke bare å gå inn for et selskapsmessig skille, som jo egentlig alle partier er enig i, men at man også skal ta det siste steget, som sikrer et funksjonelt skille, sånn at man får en situasjon der nettselskapet får et eget styre, og at det legges begrensninger på hvem som kan være i ledelsen i dette selskapet, opp mot de andre selskapene i konsernet.

statsråden. Her legger vi opp til en romslig overgangsordning fram til 1. januar 2021. Det er viktig i saken at det også ligger en unntaksbestemmelse som gjør at departementet ved spesielle tilfeller kan gi unntak for enkeltselskaper, også i Dette er en endring som sikrer en nettnøytralitet som legger et grunnlag for en mye mer mangfoldig tilknytning til nettselskapene i årene framover enn det vi ser i dag, og for Venstre er det viktig at vi nå gjør også dette siste steget – også for å skape en trygghet og forutsigbarhet med tanke på hva skal skje framover. Så vil jeg også understreke at for Venstre er det viktig at definisjonen av transmisjonsnettet ikke er til hinder for at enkeltstående utenlandske forbindelser skal kunne eies av andre enn Statnett. Når det gjelder store forbrukere med høy brukstid, vil jeg også vise til de differensierte industritariffene som det ble vist til fra Odd Henriksen, og også til at her er det utfordringer med hensyn til ESA. Krav om en lik tariffering vil også gi konsekvenser for de andre kundene. Presidenten vil be om at man holder seg til taletiden. Det blir replikkordskifte.

Når Venstre tidligere i dag var så opptatt av at ting skal være godt nok utredet, synes Venstre at dette er godt nok utredet til å påføre et hundretalls små og mellomstore bedrifter ute i distriktene økte kostnader og økt byråkrati? Er dette forslaget godt nok utredet? Vi er klare til å ta en beslutning om det prinsipielle spørsmålet som handler om at det er behov for å sikre en tydeliggjøring når det gjelder nettnøytralitet. Når det gjelder hvilke konsekvenser og kostnader dette vil kunne føre til, når det gjelder nettnøytralitet. Når det gjelder hvilke konsekvenser og kostnader dette vil kunne føre til, er det viktig for Venstre at det blir en lengre overgangsordning, så man får bedre tid til å innføre det funksjonelle skillet. Det vi ser på, er den langsiktige endringen, at man vil få ulike aktører inn mot nettet. De vil kunne ha ulike interesser, og derfor er det viktig for oss at man nå også får tatt det siste steget, som gjelder nøytralitet. Det er ikke avgjørende at dette skjer med en gang, og derfor gir vi en utvidet overgangsordning, sånn at man har god tid til å gjøre de tilpasningene som ligger i

Her er det det stikk motsatte som skjer. Det er jo ikke sånn at det er et endelig punktum for det med nøytralitet som nå foregår. Det endelige punktumet ville vært et eiermessig skille, men det argumenterer ikke Venstre for. Men det å detaljstyre hvilke personer som kan – la meg si – opptre hvor, det mener Venstre nå er hensiktsmessig. Det synes jeg er meget forunderlig. Er det det de kostnadene, de byråkratiske ordningene som ligger der, som skal til for å få nøytraliteten på plass? Vil ikke et selskapsmessig skille i utgangspunktet tilsi det samme?
dette handler jo nettopp om frihet, og det handler om at de ulike aktørene som i framtiden skal ha sin produksjon inn på nettet, skal være sikre på at de har en nøytral aktør. Og så har man det fundamentale skillet som gjør at interessene hos selskapet og kraftselskapet kan være annerledes enn interessene nettselskapet. Da er det viktig at disse interessene ikke samles hos samme person. Det vil si at man må ha en leder og et styre som tar utgangspunkt i det som da er oppgaven til nettselskapet og gjør sine vurderinger ut fra det – slik også styret og ledelsen i resten av selskapet vil ta sine beslutninger ut fra de interessene. Disse kan være ulike, og vi mener derfor det er viktig at dette er ulike personer.
Heikki Eidsvoll Holmås

Hele denne endringen er det godt dokumentert at kommer til å føre til økte kostnader, f.eks. for et lite selskap som Stryn Energi, som har drøyt 4 000 nettkunder og 21 ansatte. De anslår at de, i det øyeblikket de må ansette ny direktør og nye folk i ledelsen, vil få økte kostnader for den enkelte strømkunde på kanskje mellom 1 500 kr og representanten Elvestuen enig i at med mindre man får til en storstilt sentralisering av nettet, vil kostnadene for nettkundene øke?
Nei, dette er ikke en beslutning som skal drive fram en sentralisering. Det er som du sier: Det som er minimum for å få det funksjonelle skillet, er at man har en egen direktør – det må jo strengt tatt ikke være en ekstra person – og man må ha personer i et styre. Og jeg går ut fra at man også er hvilke godtgjørelser man gir til styrerepresentanter. Så at dette kan håndteres innenfor det som er en normal såkalt pukkelkostnad når man gjennomfører en endring, er jeg ganske sikker på. Vi har også en romslig overgangsperiode, så dette skal gjøres i løpet av fem år. Så endringen i seg selv innebærer en kostnad, men at dette skal føre til en økt nettleie og økte kostnader i sin totalitet, mener jeg overhodet ikke er klart ut fra denne saken. Replikkordskiftet er omme. Denne saken vi

og Senterpartiet tidligere i debatten. Der er det fremmet forslag som SV stiller seg bak. I tillegg er det et forslag fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV der vi mener at det burde være et felles tarifferingssystem. Vi mener det fra regjeringens side burde ha vært utredet et felles tarifferingssystem for alle kraftkrevende bedrifter, uavhengig av om de er i regionalnettene eller om de blir liggende i sentralnettet. Bakgrunnen for det er veldig grei: Historien har vist at det å flytte bedrifter fra det ene til det andre medfører stor usikkerhet og store endringer i kostnader. Det hadde vært fornuftig å sikre et enhetlig system, noe som jeg også er helt overbevist om hadde holdt i ESA.

mer byråkratisering enn det man er pålagt fra EU. Det at Fremskrittspartiet er økt-nettleie-partiet, er altså helt uforståelig for meg.

om: Dere er nødt til å dele bedriften opp i mye større grad enn dere har gjort – dere må dele opp bedriften. Dere må ansette ledere på de nivåene som finnes der. Selskapene selv har hentet inn rapporter som viser at dette vil medføre betydelige ekstrakostnader. Det er betydelige ekstrakostnader som er basert på en spekulasjon. Reiten-utvalget sier jo at muligheten for kryssubsidiering ikke dokumentert kryssubsidiering, men muligheten for kryssubsidiering – er et godt nok argument for å gjøre dette. Vel, jeg mener man skal basere seg på erfaring og fakta, og skal en pålegge ekstra byråkrati, skal det være et godt dokumentert grunnlag for å gjøre akkurat det. Det er det altså ikke. Konsekvensen av dette er at enten blir det dyrere for nettselskapene rundt omkring over det ganske land, eller så får en en sentralisering. sentralisering. Jeg synes at flere av partiene som stiller seg bak denne endringen, burde gitt klar beskjed om at det de ønsker, er sentralisering. Ola Elvestuen sier: Nei, det blir ikke noe sentralisering av dette, og det blir ikke noe dyrere. Nei vel – ok. Han mener at det ikke er grunnlag for å høre på alle de folkene som har kommet med alle de innspillene rundt omkring over hele landet? Til og med Øyvind Korsberg sier jo at dette antakeligvis blir dyrere, med mindre man henter ut effektiviseringsgevinstene. Og hvordan skal man hente ut dem? Jo, gjennom sammenslåing. Står det noen steder i dette dokumentet og i innstillingen at regjeringen ønsker å drive fram større regionale nettselskaper? Nei, det står ikke det. Står det i innstillingen fra komiteen at komiteen ønsker å drive fram en sentralisering? Nei, det står ikke det. Hvis man ikke ønsker å drive fram sentralisering, da er konsekvensen økt nettleie for de selskapene som er rundt omkring i landet. Hadde man enda vært så ærlig at man sa: Vet du hva, vi ønsker å tegne kartet på nytt, vi ønsker at vi skal ha ni-ti nettselskaper her i landet. Vi ønsker en strukturering som er mye, mye større. Da hadde man i det minste lagt kortene på bordet og vært ærlige og sagt at det er i den retningen vi vil. Men konsekvensene av dette er altså at man i stedet for i stedet for er med på å drive fram økte kostnader eller sentralisering. Jeg vil bare avslutte med å si at jeg synes at det er skuffende at Distrikts-Venstre i denne sammenhengen helt åpenbart ikke har kommet til orde. Så vil jeg avslutte med å si noe positivt, og det er at vi har fått flertall for en merknad

Korsberg og Elvestuen har adressert denne saken på en god og informativ måte. La meg likevel si at det vi i dag først og fremst behandler, er en kundereform. Rundt oss, både i Norge og i Europa, er kraftsystemene i endring. Teknologien endrer seg, politikken endrer seg, markedene endrer seg. Det skjer i Norge, og det skjer i Europa – et Europa som vi når det gjelder energipolitikken og kraftsystemet, blir tettere og tettere integrert med. Det er ikke bare viktig at vi fra myndighetenes side svarer på disse endringene, men gitt den store oppslutningen arbeidet mot å redusere klimautfordringene har, så er dette også noe vi er nødt til å legge til rette for, det å produsere og bruke mer fornybar energi er åpenbart også en del av svaret på å håndtere klimautfordringene. Nettselskap har to kundetyper. Den ene kundetypen er strømkunden, enten det Den ene kundetypen er strømkunden, enten det er i industrien, i næringslivet eller det er vanlige folk i husholdninger. Den andre kundetypen som nettselskapene har, er kraftprodusentene. En av de endringene vi ser rundt oss, er at mens man aldri har hatt et lovmessig monopol, men et transmisjon og distribusjon av kraft, ser vi nå at det blir et større mangfold også på produsentsiden. Så også det er et viktig element, også der er det viktig at man beskytter mot utnyttelse av monopolsituasjonen. Vi er faktisk nødt til å legge til rette for et større mangfold av produsenter, ikke bare industrielle, men også produsenter i I årene som ligger foran oss, vil man investere i størrelsesordenen 100 mrd. kr i overføring av kraft i Norge. Det er i form av opprusting av nett som allerede er i bruk, det er ikke minst også for å etablere ny kraftkapasitet, altså ny overføringskapasitet, men det er også for å innføre AMS, som på lang sikt vil gjøre strømsystemene våre smartere, sånn at vi kan hente ut mer verdier av kraftsystemene og bruke energi bedre. Som representanten Henriksen var inne på, handler dette om å øke fokuset nettopp på denne viktige nettutviklingen. Ved å skille ut monopolvirksomheten tror vi fra regjeringens side at det vil stimulere sterkere til å gjøre rette investeringer til rett tid, ikke bare for å legge til rette for økt bruk av fornybar energi, men også for å legge til rette for økt produksjon av fornybar energi. Dette er hensynet som ligger bak ligger bak vårt forslag. Så til distriktene: Lavest mulig nettleie, altså det å kunne bruke strømmen til en lavest mulig kostnad, er selvfølgelig en fordel overalt, for industri og næringsliv overalt, men fordelen er jo størst i distriktene. Det er i distriktene, altså utenfor de mer tettbygde, sentrale strøk av landet, at nettleien er høyest og dermed legger en størst demper på næringsutvikling og vekst.

skille. Noen av disse kostnadene man peker på, kommer av det selskapsmessige skillet, mens andre deler av de kostnadene man peker på, kommer av det funksjonelle skillet. Det jeg opplever at man glemmer i debatten om kostnader her, er at det også er betydelige inntekter på den andre siden. Dette er store, komplekse spørsmål, som de enkelte selskapene vet mest Men vi har orientert Stortinget om NVEs rapport 28/2015 om utvikling i nøkkeltall for nettselskap med fokus på nettariffer i et av våre brev til komiteen i anledning denne saken, og den redegjør altså grundig for at det er adskillig mer kostnadseffektivt å drive med funksjonelt skille.

Nå går statsråden stikk imot mantraet; han øker byråkratiseringen, og han innfører uhensiktsmessig lovgivning for de minste nettselskapene gjennom et lovkrav om funksjonelt skille – og det uten å ha kostnadsberegnet det overhodet, ei heller på noen som helst måte analysert langtidsvirkningene av lovforslaget. det ikke nettopp den type opptreden som statsråden nå utviser, som regjeringen har sagt at de skal arbeide sterkest mot, å fjerne både byråkrati, dumme lovforslag
Det som forundrer meg i denne saken – inntil i dag, må jeg nesten si – er Arbeiderpartiet og SVs uvilje mot å være med på en sak som helt åpenbart vil legge til rette for å bygge mer bærekraftige energisystemer i Norge, noe jeg trodde Arbeiderpartiet og SV var for. Det som har overrasket meg i dag, er Arbeiderpartiet og SVs rørende omsorg for det frie markedet. Men dette er altså ikke et fritt marked. Der produksjon av kraft og salg av kraft er et fritt og deregulert marked, så er ikke nettvirksomhet et fritt og åpent marked. Det er i sin natur – og det vil det forbli i overskuelig Derfor er det nødvendig at staten regulerer dette markedet og nettopp sørger for større og friere spillerom for markedet, både på konsumentsiden og på produsentsiden. Det er det vi har lagt til rette for med dagens lovvedtak. Det er jo slik at regjeringen enn å regulere markedet og beskytte monopolvirksomheten. En innfører jo uhensiktsmessige lover, det er det en gjør gjennom det funksjonelle skillet. Det å gå ned og detaljstyre hvilke personer som skal gjøre hva i de ulike energiselskapene, virker for meg totalt meningsløst. Og det må jo være nettopp noen av de lovforslagene som Fremskrittspartiet hadde i hodet de snakket om uhensiktsmessige lover i dette landet. Nå står de altså for å innføre det selv. Det er ingen som er imot at vi skal ha en god kontroll, god regulering og betydelig tilsyn med monopolvirksomhetene i dette landet, enten de er store eller de er små – bare så det er understreket. Men mener olje- og energiministeren at det er mener olje- og energiministeren at det er det med det funksjonelle skillet som er avgjørende i denne saken, for det er det kommer mest angrep på, som er totalt uhensiktsmessig. Mener han at det er det som er årsaken til at en får en bedre lovgivning på temaet? La meg først si at jeg er glad for at Arbeiderpartiet støtter selskapsmessig skille i dag. Så kan man jo stille spørsmål ved om det hadde skjedd hvis ikke vi hadde fremmet denne proposisjonen. Jeg er uansett veldig glad for det.

men i denne omgangen støtter vi det heller ikke, men vi ber regjeringa utrede de økonomiske og samfunnsmessige konsekvensene et slikt skille får. Dette forslaget får ikke flertall, men spørsmålet mitt blir da: Vil regjeringa likevel følge med på disse kostnadene og eventuelt komme tilbake med opplysninger om dette til Stortinget, om Stortinget ber om
Jeg kan bekrefte at både myndighetene i stort og ikke minst NVE følger med på utviklingen av nettkostnadene, og en del av virksomheten til NVE er jo å passe på at nettkostnadene ikke utvikler seg i feil retning, men tvert imot holdes på et rettferdig og fornuftig nivå. Det er en del av den virksomheten myndighetene gjør allerede, og det vil vi selvfølgelig også i fremtiden fortsette med. Dette er også i stor grad offentlig tilgjengelig informasjon, som man kan finne på NVEs hjemmeside. Det er

også ganske oppsiktsvekkende at statsråden strør rundt seg med påstander om nettleie, kostnader og besparelser, som man ikke kan dokumentere. Det er noe av det virkelig oppsiktsvekkende ved denne saken, hvor lite departementet er i stand til å dokumentere virkninger og resultater av den lovendringa som foreslås. Statsråden åpnet innlegget sitt med å snakke om verden omkring oss. Når dette er et spørsmål om et statlig pålegg, nye reguleringer, nytt byråkrati, og man heller ikke kan dokumentere fordelene, hvorfor kunne ikke statsråden og den norske regjeringen ha lagt seg på den samme linja som EU, nemlig ikke å påtvinge selskap med under 100 000 kunder nye regler? Representanten Arnstad stilte meg spørsmål om vi ikke skulle følge etter EU, jeg Representanten Arnstad stilte meg spørsmål om vi ikke skulle følge etter EU, jeg mener tvert imot at her har vi som norske myndigheter et selvstendig ansvar for å gå foran EU. Jeg mener at dette er et fornuftig forslag som på sikt vil redusere kostnadene til drift av nettet, som vil komme både eierne og brukere av nettet til gode – produsenter og konsumenter er i så måte i samme båt. Hvis vi går tilbake til NVEs rapport nr. 28, om utvikling i nøkkeltall for nettselskap, fremkommer det jo at de selskapene som er organisert med funksjonelt og selskapsmessig skille, nettopp har lavere kostnader ved drift av nettet. Så har jeg jo redegjort for hvorfor Fremskrittspartiet mener at det er viktig å regulere en monopoldel av et marked. Det er greit å minne om i den anledning at Senterpartiets Ola Borten Moe satte ned Reiten-utvalget, som var ledet av en tidligere senterpartistatsråd, og som er en av dem som har anbefalt denne løsningen. Det er bestandig like vittig når EU-tilhengere skal prøve på en måte å gjøre et poeng av at Senterpartiet er imot EU, og derfor burde vi gå foran. Nei, Senterpartiet vil ikke gå foran med regler som er statlige pålegg, byråkratiske og som øker kostnadene for viktig næringsliv utover i hele Norge. Det vil vi altså ikke gjøre. Og da synes vi faktisk at en kan bruke den muligheten til å unnlate å gjøre det, som også EU har gjort – EU-landene har ikke innført dette for selskap under 100 000 abonnenter, og den friheten kan også vi benytte oss av. Det er helt riktig at vi nedsatte og Reiten-utvalget sier faktisk at det ikke er noen gjennomgående forskjell på de mindre og de større selskapene når det gjelder effektiv drift, og de sier også at det norske strømnettet er solid og godt drevet i dag sammenlignet med i de fleste land rundt oss. Så spørsmålet er igjen: Hvorfor skal vi innføre et krav til de små bedriftene som er så belastende, når det ikke er noe annet land i Europa som har innført
Nå ble jeg kalt EU-tilhenger, og det vil jeg – skulle jeg til å si – ha meg frabedt. Men jeg er opptatt av Europa, vi har viktige kundegrupper i Europa, og jeg har stor tro på en tettere integrering av det norske kraftsystemet i det europeiske kraftsystemet. Jeg er ikke EU-tilhenger. Så til spørsmålet fra Arnstad. Det er helt rett at det er veldig mange av de små selskapene som drives veldig godt, helt klart, noen av de aller best drevne selskapene i Norge er blant de små selskapene, men på den andre siden av den skalaen er det noen av de aller dårligste, de minst effektivt drevne selskapene, som også er blant de små selskapene. Det har jeg forsøkt å være tydelig på hele tiden. Men dette er ikke en reform for Oslo, Bergen og Trondheim. Dette er vel en reform først og fremst for de regionene, distriktene, som representanten Arnstad ellers brenner så veldig sterkt for – det er der effekten av dette vil bli størst i positiv retning både for nye produsenter og også for forbrukerne i distriktene. Et flertall på Stortinget og et flertall i komiteen – jeg siterer fra merknadene – peker på at «flere og flere husholdninger, boligselskaper og næringsbedrifter vil kunne Og videre: «Flertallet mener Stortinget bør be regjeringen legge til rette for dette og sikre at nettselskaper pålegges å tilby plusskundeabonnement.» Videre viser flertallet til at boligselskaper er i en særstilling fordi de kan gjøre investeringer i fornybarproduksjon i fellesskap». Jeg bor i et boligselskap selv. Vi har fått tilskudd fra Oslo by. blir imidlertid svekket dersom de tvinges til å levere på nettet og selge tilbake til sine egne beboere, i stedet for at de får muligheten til å ha fellesmåler i boligselskapet og dermed kun reduserer behovet for strøm fra nettet. Flertallet mener derfor det er avgjørende at boligselskaper sikres retten til å etablere fellesmålere som plusskunder om det skal sikres lønnsom utrulling av større distribuert produksjon av fornybar elektrisitet.» Hvordan vil statsråden følge opp denne flertallsmerknaden La meg begynne med å si at noe som jeg har snakket om stort sett hver eneste gang jeg har hatt ordet i dag, er at en del av denne reformen handler om å sette nettselskapene i stand til nettopp å møte nye typer produsenter, både industrielle produsenter og den typen produsenter som representanten Eidsvoll Holmås her peker på. I utviklingen av kraftsystemet vårt er det selvfølgelig viktig å legge til rette for den typen ny kraftproduksjon samtidig som det er viktig å ivareta hensynet til de kollektive løsningene, systemet i stort, og så er også opptatt av at hver enkelt forbruker skal kunne forholde seg til sitt eget forbruk, kunne styre sitt eget forbruk. Det vet vi har stor effekt på hvordan forbruket tilpasser seg kraftsystemet. Så ser jeg at representanten Eidsvoll Holmås er ivrig etter å få svar på det konkrete spørsmålet. Denne merknaden vil vi nå selvfølgelig måtte følge opp i departementet i tiden framover og orientere Stortinget om det på vanlig måte.

Produksjonen og distribusjonen av kraft har blitt bygget gradvis ut i dette landet. Det er i veldig stor grad kommunepolitikere som har tatt ansvar og dannet selskaper som har sikret elektrisitetsforsyningen til innbyggerne og verdiskaping fra kraftproduksjon. Statsråden uttrykte en forbauselse over Arbeiderpartiets rørende omsorg for det frie

Vi står overfor store endringer i både forbruk, produksjon og distribusjon av elektrisitet. Høyresiden uttrykker bekymring for at de små selskapene ikke vil klare å henge med i denne utviklingen. Men er nå det riktig? Det er egentlig veldig lite som tyder på det, ut fra det vi har fått framlagt av dokumentasjon på disse tingene. Vi har et offentlig eierskap av denne infrastrukturen. Det er de lokalpolitisk valgte representantene som gjennom styrene styrer disse selskapene. De ser på hva som er vårt samfunns behov. De setter selskapet i arbeid for å dekke de behovene. Det er ikke sånn at de endringene som kommer, kommer hele tiden. Dette vil komme etter hvert, og jeg er helt trygg på at lokalpolitikerne våre som sitter i styrene i disse selskapene, vil se disse behovene og handle deretter. Det er ikke påvist spesielt stor kapitalmangel generelt i bransjen. Det er heller ikke påvist at størrelsen på nettselskapet er avgjørende for kostnaden på driften Skal vi da, i blind tro på at store monopoler er bedre enn små, tvinge gjennom en kostbar og uønsket struktur? Jeg har tiltro til at vettet er jevnt fordelt i dette landet. Jeg har tiltro til at de enkelte aktørene i bransjen både er oppdatert på hva framtiden vil bringe i deres region, og at de ut fra sine egne og samfunnets behov vil finne gode måter å drive og organisere sin virksomhet på. Sånn har vårt velfungerende nett – og nettstruktur og selskapsstruktur – blitt utviklet fram til i dag. Det høyresiden nå gjør, er å tvinge på bransjen en uhensiktsmessig, byråkratisk og fordyrende organisering av virksomheten. er høyresiden ikke opptatt av å holde kraftprodusentene ute av nettet. Vi har i dag et velbegrunnet forbud mot at andre enn Statkraft skal bygge, eie og drive mellomlandsforbindelser. Dette vil høyresiden endre på. Hvorfor? Det er det veldig vanskelig å få en veldig klar forståelse av. Men det vi vet, er at det er de store kraftselskapene som ønsker en bedre pris på kraften sin i utlandet, som er pådrivere for ekstra mellomlandsforbindelser. Vi vet også at de mellomlandsforbindelsene koster forbrukerne mye gjennom nettleie. I sum framstår de lovendringene som flertallet i dag gjør, som en ren tilrettelegging for at de store aktørene i energibransjen nå vil bli enda større gjennom en mer eller mindre påtvunget strukturering. Det er godt nytt for dem, men det er dårlig nytt for samfunnet, og det er dårlig nytt for kundene.

herunder hindre kryssubsidiering og konkurransevridning, og at det dermed kan medføre lavere og riktigere nettariffer for kundene. NVE mener at det er avgjørende at det innføres krav til både funksjonelt og selskapsmessig skille. NVE hevder at dette vil bidra til mer effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet gjennom å legge til rette for strukturendringer som gjør at dette vil bidra til mer effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet gjennom å legge til rette for strukturendringer som gjør at stordriftsfordeler utnyttes, gjennom økt oppmerksomhet på effektivitet i nettvirksomheten og gjennom reduserte muligheter for å belaste nettvirksomheten med kostnader som tilhører konkurranseutsatt virksomhet. Reiten-utvalget pekte også på at selskaper som tar sine beslutninger med utgangspunkt i hensynet til mest best. Det er nettopp forbrukerperspektivet som har vært et av de viktigste argumenter for at flertallet nå går inn for et funksjonelt skille mellom selskapene. I det alt vesentlige har større nettselskaper hatt lavere nettleier enn de små. Dagens Adresseavisen gir en god Denne viser at TrønderEnergi Nett, som det største og billigste selskapet, har en nettleie som er 4 000 kr lavere for 20 000 kWh enn eksempelvis Kvikne-Rennebu Kraftlag. Markedet for overføring av strøm er et naturlig monopol. Derfor mener vi at nasjonale myndigheter har som oppgave å legge til rette for mest mulig rasjonell drift, og at forbrukeren betaler kun for den varen som kjøpes, nemlig levering av strøm.

Det er lett å se for seg at et selskap som både eier nett og leverer kraft, vil favorisere egen strømproduksjon, og at det kan bli vanskeligere for f.eks. plusskunder å få levert strøm på nettet. Flertallet har valgt ikke å gi pålegg om mottaksplikt av plusskundene, da vi ser den delen av diskusjonen som en naturlig del av Fra februar i år har NVE gitt en generell dispensasjon som gjør det enklere å bli såkalt plusskunde. Ordningen er avhengig av felles enighet mellom nettselskap og leverandør. I diskusjonen om utbygging av vindparker har det vært diskusjoner om kostnader ved å bygge ut nett og kraftproduksjon. Vi velger å hevde at disse diskusjonene vil bli enklere om ikke samme selskap både skal produsere kraft og ha ansvaret for Større satsing på fornybar energiproduksjon vil betinge investeringer i nytt, eller oppgradering av eksisterende nett flere steder. Vi har tro på at færre og større selskap vil ha bedre kapitaltilgang gjennom f.eks. lån i obligasjonsmarkedet, samt ha bedre tilgang til kompetanse for å utvikle selskap for I tillegg mener vi at større selskap bedre vil styrke forsyningssikkerheten og øke robustheten i kraftleveransen, noe som også er viktig for industri, næringsliv og nye, store kraftkunder, som f.eks. innenfor transportsektoren. Med disse endringene i energiloven mener vi at vi legger til rette for en mer robust og transparent kraftsektor, med større beredskap for å takle et våtere og villere klima. Vi legger til rette for å nå målsettinger om et mer fornybarbart samfunn og kunne ta i bruk framtidens teknologiske løsninger for både storsamfunnet, folk og næringsliv. Disse lovendringene er avgjørende for det grønne skiftet og for å ruste Norge til å nå målsettinger i

Sist dette ble vurdert, vurderte Norge en særnorsk grense på 20 000 nettkunder og sekundært 10 000 nettkunder. Men man landet på EUs minstekrav om selskapsmessig og funksjonelt skille for alle over 100 000 nettkunder. I dag er det de sju største selskapene i Norge som har over 100 000 kunder, og som har både 34 selskap har valgt å inngå selskapsmessig skille, mens alle de 144 nettselskapene har krav om regnskapsmessig skille. Det betyr at vi i dag driver innenfor EUs krav og har et system som fanger opp at man ikke driver kryssubsidiering. Det regjeringen ønsker nå, er å skille ut alle disse selskapene i egne AS-er. I tillegg til selskapsmessig skille ønsker man altså et funksjonelt skille. Staten og NVE mener at nettselskapene driver en slags subsidiering av disse andre virksomhetene, men slik kryssubsidiering er ikke lov og ville fort ha blitt oppdaget av både revisorer og regnskapsførere. I Europa har man som sagt satt krav til funksjonelt skille til selskap med over 100 000 kunder. I Norge skal vi altså innføre strengere krav enn i EU. Arbeiderpartiet synspunktene som har framkommet i høringen fra mange, om at et funksjonelt skille vil være en byråkratisk, uhensiktsmessig og fordyrende organisering av virksomheten. I tillegg er dette en inngripen i eiers rett til å forvalte sin egen virksomhet. Det foreligger ingen økonomiske eller samfunnsmessig utredninger som grunnlag for lovendringen. Det foreligger heller ingen begrunnelse for at monopolfunksjonen i dag utsettes for kryssubsidiering eller påføres kostnader

på lang sikt. Hvorfor står regjeringen og Venstre så hardt på funksjonelt skille også for nettselskap som har under 100 000 nettkunder? Jeg mistenker at man ønsker det samme som i kommunereformen: noen få store. Forslaget er et dyrt forslag, det er et dårlig forslag, og det er faktisk ikke et distriktsvennlig, men et distriktsfiendtlig forslag. Regjeringen forsøker å reparere noe som ikke er ødelagt. Dagens modell sikrer god beredskap og verdiskaping også i distriktene. Forslaget truer de lokale eierskapene i energisektoren. Den kunnskapen som i dag gir god forsyningssikkerhet, svekkes, og lokalsamfunnene mister en viktig utviklingspartner. Dette forslaget vil kunne føre til storstilt sentralisering av arbeidsplasser, økte kostnader for kundene, mer byråkrati og dårligere beredskap og forsyningssikkerhet i distriktene. Jeg hører at ministeren sier noe annet, men her er vi i hvert fall veldig uenige. Jeg er forbauset over at Høyre og Venstre, som ønsker å være bedriftenes venn, heller ikke støtter forslag nr. 1 fra mindretallet, der man legger opp til likebehandling av alle kraftforedlende bedrifter, såkalte men det er ennå tid til å ombestemme seg før voteringen i kveld. Jeg ser også at ingen har støttet Arbeiderpartiets forslag nr. 3, hvor man ber regjeringen påse at industribedrifter som i dag er tilknyttet sentralnettet, ikke får endret tariffmodell som følge av en omgjøring av sentralnettet. Dette er en veldig viktig sak,

og av eierne i de små og mellomstore energiselskapene. Det er ingenting som tyder på at små og mellomstore energiselskaper belaster nettdelen med kostnader fra andre deler av virksomheten, tvert imot kan energiselskapene vise til svært ryddig bokføring. Videre er det dokumentert at innføring av et funksjonelt skille vil innebære store ekstrakostnader, et unødvendig og kostbart byråkrati og en ineffektiv bruk av ressursene i energiselskapene. Økte kostnader i nettselskapene vil gi økt nettleie til distriktskundene – ikke billigere, slik Etter at et selskapsmessig og funksjonelt skille er gjennomført, vil det bli et stort sammenslåingspress på alle de små og mellomstore nettselskapene. Store nettselskap vil drive en offensiv oppkjøpspolitikk som vil svekke både det lokale eierskapet og strømberedskapen i distriktene. Norge er, som vi vet, et værutsatt land. I orkan etter orkan har vi sett verdien av lokale energiselskap og lokal tilstedeværelse ved strømbrudd. Får vi kun store nettselskap, vil de mest tettbebygde områdene prioriteres først – grunnet KILE-kostnadene, eller erstatningskravene – før distriktene blir prioritert. Igjen blir distriktene taperne. Nei, regjeringens argumenter for lovendringene er svake og dårlig begrunnet. Etter min mening er argumentene vikarierende. Målet er en storstilt sentralisering av nettselskapene. Så til slutt: Det forundrer meg at Venstre støtter forslaget. På tross av at komiteens leder har vært på e-verksturné og fått innsikt i hva konsekvensene vil innebære, på tross av massive protester fra distriktsrepresentanter i eget parti, og på tross av et kraftig ordføreropprør velger Venstre å støtte regjeringen. Det blir interessant å følge med framover for å se hva Venstre får i bytte for å gå inn for noe

Så har det vært fokusert på, spesielt fra statsråden i debatten her, at vi nå må sette nettet i stand til å møte ny produksjon og nye tider. Da er mitt spørsmål: Er det da riktig å øke byråkratiet og påføre selskapene mer kostnader? Jeg tror ikke det, jeg tror det er å gå stikk imot nettopp det å møte nye tider og møte nye tider og ikke minst ny produksjon på en aktiv måte. Hvis det er sånn at det var så påkrevd som olje- og energiministeren gir uttrykk for gjennom sitt innlegg, må en stille spørsmålet: Hvorfor brukte han to og et halvt år på å fremme lovforslaget som det argumenteres for er så påkrevd å få på plass? Og hvis dette var en forbrukersak, hvor det var nettkundene og hensynet til ny produksjon som var grunnlaget for lovforslaget, hvorfor går han ikke til kjernen av problemstillingen når det gjelder ny produksjon og forholdet til nettkunder, som jo er at ny produksjon i utgangspunktet påfører nettkundene der hvor produksjonen er, forholdsvis store kostnader? For det er jo realiteten i det systemet som er laget i forhold til dette, men det velger han jo ikke å ta opp eller diskutere. Det er løse påstander, det er manglende fakta i

Forstå det den som kan! Det andre er at i lovforslaget sånn som det nå foreligger, og som flertallet i Stortinget foreslår, får departementet frie fullmakter gjennom lovendringen til å regulere hvordan det funksjonelle skillet faktisk skal være i ettertid, frie fullmakter til å detaljstyre nettselskapene og det funksjonelle skillet. Jeg tror nok olje- og energiministeren med sin detaljiver kanskje vil benytte det. Det tredje og siste er at noen som har snakket så mye om behov for omstilling og ny verdiskaping i dette landet, så til de grader avviser behovet for likeverdige og gode rammebetingelser, ikke minst for kraftforedlende industri.

på besøk fra Bømlo og andre steder, og det er selvfølgelig mange andre aktører som har kommet med innspill i saken. Og det er veldig mange veldrevne, gode selskap i Norge. Denne beslutningen handler ikke om at det er noe som er feil. Det handler om å forberede seg på den endringen som vi mener både vil og bør komme,

de ulike interessene som ligger der. Da vil et styre i et nettselskap kunne gjøre sine vurderinger kun ut fra nettselskapets oppgave og ikke ut fra det som er en samlet oppgave for hele selskapet. Jeg mener dette er riktig å gjøre, men det er også riktig å gi selskapene god tid til å foreta den endringen. Derfor står det i forslaget at dette først skal være implementert 1. januar 2021. Det er mange overraskelser i

de selskapene som er organisert på denne måten, har betydelig lavere kostnader ved drift og vedlikehold av nettet – verdier som kommer både kunder og eiere til gode. Så er det også sånn at Produktivitetskommisjonen, i tillegg til Reiten-utvalget, har pekt på at dette er et fornuftig grep. I tillegg til gode. Så er det også sånn at Produktivitetskommisjonen, i tillegg til Reiten-utvalget, har pekt på at dette er et fornuftig grep. I tillegg til det har dette forslaget fått støtte fra mange rød-grønne fylkeskommuner. Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Oslo og Bergen kommuner og fylkeskommuner støtter dette lovforslaget. Det er, etter mitt skjønn, noe mer enn løse påstander som ligger bak rød-grønne fylkers og kommuners støtte til dette forslaget.

Når det gjelder spørsmålet om selskaper, industribedrifter, med stort forbruk og høy brukstid, som mange har vært innom, synes jeg representanten Henriksen på en god måte redegjorde for de tingene. Det er grunn til å peke på at mange kraftledende bedrifter har meget gode ordninger for nettkostnadene i dette landet. Mange ligger i sentralnettet, men mange har lavere nettnivå allerede i dag. Grunnen til at dette er i tråd med norsk og europeisk konkurransenett, er nettopp at tariffen settes som respons på den nytten nettet har av denne industrien.

hvor de er plassert. Det er ingen selvfølge at de godene som ligger i tilknytning til sentralnettet, blir overført til regionalnettet. Det er regionalnettseier som bestemmer det, og som vekter betydningen av de kraftforedlende industribedriftene i det regionale nettet. At statsråden og regjeringen ikke ønsker å gjøre noe med det, bekymrer meg, for er det noe regjeringen burde gjøre, så er det å engasjere seg mer i situasjonen knyttet til arbeidsmarkedet og hvilke vekstmuligheter som kan ligge f.eks. i industrien rundt omkring i landet. Når næringsministeren snakker om reindustrialisering, må man jo lure på om det ikke da er lurt å begynne å legge til rette for mer likeverdige og bedre rammebetingelser, ikke minst for den industrien som skal reindustrialiseres. Men det er lite initiativ og manglende tiltak fra

Så da er motivasjonen for lovgrunnlaget – og argumentasjonen som blir brukt – at en faktisk ønsker en strukturrasjonalisering. Men hvorfor sier ikke regjeringen det? Hvorfor skriver man ikke det inn som et grunnlag for lovproposisjonen, og hvorfor følger man det ikke opp på andre områder? Det velger man altså ikke å gjøre, men å skape et uhensiktsmessig regelverk som fører til økt byråkrati, er mantraet for denne regjeringen. Det skjer ikke bare på dette området, men på de fleste av samfunnets områder: Økt byråkratisering og uhensiktsmessig regulering blir toneangivende. Da fikk man for så vidt sluppet katta ut av sekken. Svaret fra statsråden var jo det som representanten man for så vidt sluppet katta ut av sekken. Svaret fra statsråden var jo det som representanten Terje Aasland nettopp sa i sitt innlegg, nemlig at hensikten med dette er at man vil få færre selskaper, altså større nettselskaper, og på den måten ha flere å dele det på, og så skal man tvinge dem til å gjøre det med dette kravet til funksjonelt skille. Det er jo akkurat det som skjedde med Rødøy-Lurøy. Det var ikke sånn at noen kom ovenfra og tvang dem til å slå seg sammen. Nei, de valgte det selv. Det kan de gjøre i morgen også, om vi ikke endrer loven i dag. Det kan de gjøre om ett år også, om vi ikke endrer loven i dag. Dette er den vesentlige forskjellen. Men her vil man altså gjøre grep som er det samme som man driver på med i kommunereformen, som er brukt som eksempel, ved at man bruker pisk for å få det til. Jeg har ingenting imot at det kan bli færre og større selskaper, hvis det er hensiktsmessig. Det vil også skje i framtida. Men det er forskjell på om selskapene, ved eierne, bestemmer dette selv, eller om de blir tvunget til det. Det blir ikke billigere av seg selv, ved bare å dele opp et selskap. Det blir doble kostnader på enkelte områder. Derfor er det sånn som det også står i proposisjonen på side 25: «På lang sikt forventes den samlede nytten av tiltaket å overstige kostnadene.» Da sier man med rene ord at det vil koste mer, men at man på lang sikt det var et dårlig eksempel, må jeg si. Jeg kunne heller tenkt meg at statsråden hadde brukt tida si på å kommentere hvorfor man ikke vil gå for de to gode forslagene som ligger i innstillingen fra komiteen. Det gjelder for så vidt også de partiene som ikke er med på dem. Dette er vesentlige ting som – jeg skal være forsiktig med å si det – kan ha store følger for enkelte industribedrifter, hvis man ikke tar til følge det som står. Jeg får dessverre ikke vært med på voteringen i kveld, fordi jeg skal fly til Helgeland og være med på et møte der, men når det gjelder de forslagene i innstillingen som er fra mindretallet, vil jeg henlede representantenes oppmerksomhet på forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet, og forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og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

Jeg vil redegjøre litt for det som står i innstillingen, og så regner jeg med at de andre partiene som sitter i komiteen og er i salen her, vil redegjøre for sine primærsyn. Det som komiteen har lagt vekt på, er at miljøhensyn og energieffektive løsninger har blitt tillagt stor vekt ved oppbyggingen av norsk petroleumsvirksomhet. Det er sterke virkemidler for å begrense utslipp av klimagasser ved utvinning av petroleum på norsk sokkel. De virkemidlene som benyttes, motiverer selskapene Bare for å ta noen eksempler over tid: Fra 1991 har det vært CO2-avgift på sokkelen. Petroleumsvirksomheten ble inkludert i kvotesystemet i 2008, i tillegg til at virksomheten var underlagt CO2-avgift. Det har aldri vært gitt tillatelse til avbrenning av overskuddsgass, og jeg vil også vise til at siden 1997 har det vært krav om at man for alle nye utbygginger må legge fram oversikt over energimengde og kostnader ved å benytte kraft fra land, framfor gassturbiner. Enova har program for å støtte energiledelse og teknologiutvikling som kan redusere energibehovet og klimagassutslippene både for industrien og for petroleumsvirksomheten. Her har det vært et sterkt fokus fra myndighetene og fra Stortinget siden tidenes morgen med hensyn til effektivitet og utslipp. Sånn som situasjonen er, tror jeg at man må tenke litt på den situasjonen olje- og gassnæringen er i nå, at det er en krevende tid i forhold til det det har vært tidligere, med kostnadskutt, prosjektutsettelser og redusert aktivitet innenfor utbygging, modifikasjon og vedlikehold osv., som har ført til oppsigelser og som kanskje spesielt har rammet leverandørindustrien. Det tror jeg er et bilde man også må ha med seg. Den oljeprisen som vi har i dag, har redusert interessen for leting, og et betydelig antall skip og rigger ligger altså i opplag. Det bildet må man ta med seg, og kanskje spesielt hvis man er på Vestlandet, burde det henge rimelig høyt. Det er en krevende tid, men det er også lys i sikte i så måte. Jeg vil også bare peke på at bransjen selv gjør mye for å ha fokus på de spørsmålene som representantforslaget, bl.a. gjennom prosjektet for energieffektivisering, kalt «Veikart 2050», gjennom samarbeidsforumet Konkraft. Det er viktig. Også det samarbeidet man har med Enova, er viktig, og det er jo på mange måter det flertallet i komiteen også peker på. Helt avslutningsvis vil jeg vise til at petroleumsvirksomheten omfattes av det europeiske kvotesystemet, vil nasjonale tiltak ikke påvirke samlet utslipp av klimagasser i EU og Det er slik at petroleumsvirksomheten kommer til å være den viktigste næringen for Norge i mange tiår framover. Det er vår største næring, målt i både arbeidsplasser og bidrag til økonomien. Så langt har vi faktisk produsert mindre enn halvparten av de estimerte ressursene som vi har. Vi har bare så vidt begynt å utforske vår nordligste sokkel. Vi vet også at det kommer til å være et marked for norsk olje og gass i mange tiår framover. Europa trenger norsk gass, sist uttrykt svært så tydelig fra EUs energikommissær. Hvis vi ser på produksjon/salg av biler i verden, vet vi at det er forbrenningsmotorer det går i og vil gå i i mange år ennå, og de som blir og har blitt solgt, skal rulle i mange år, så vi vil fortsatt få et stort forbruk av olje globalt. Vi vet også at med de målene som FN har satt seg med Sustainable Development Goals, vil energibruken i verden øke kraftig i forbindelse med at vi også skal bekjempe fattigdom. Samtidig er det slik at vi har en avtale som ble inngått i Paris om kutt i klimagassutslipp, med det siktemål å redusere global temperaturøkning til mellom 1,5 og 2 grader. Det betyr at det må gjøres mye når det gjelder energieffektivisering, når det gjelder energiomlegging, for å nå det målet. Det er forskjellige løsninger verden rundt på denne problemstillingen. Noen land kan kutte i kullkraftverk og komme svært langt ned når det gjelder utslipp, og man kan bruke forskjellige virkemidler. I Norge har vi valgt å gi klimagassutslipp en kostnad. fra 1991. Vi er, som saksordføreren påpekte, en del av det europeiske kvotemarkedet ETS. Norsk sokkel og oljeindustrien er vel industrien med de største utslippene per i dag. Dette ble behandlet i forbindelse med klimaforliket i 2012, hvor ble økt ganske så kraftig for å kompensere for at vi så at kvoteprisene i ETS-systemet ikke hadde den utviklingen som vi forventet. Da ble det mer eller mindre lagt et prinsipp om at det var på dette nivået man skulle ligge. Dersom kvoteprisen stiger, kan man regulere avgiftene – og Vi vet ikke hvordan kvotesystemet og -prisene vil arte seg i framtiden. Vi vet ikke engang om vi har et kvotesystem inn i framtiden. Det er diskusjoner rundt dette. Det som da er viktig for at vi skal kunne oppnå varige lave utslipp fra petroleumsvirksomheten, er at vi får til en teknologiutvikling. Per i dag ser vi på europeisk nivå at kvotesystemet leverer utslippskuttene, men de leverer ikke den teknologiutviklingen som er nødvendig. For Arbeiderpartiet er prisen på utslipp hovedvirkemidlet, men det må suppleres med positive virkemidler for å få den nødvendige farten i og det nødvendige omfanget av teknologiutviklingen. Jeg er veldig glad for å se at næringen selv tar ansvar for dette på sokkelen. Vi ser at Statoil, som hadde en målsetting om kutt på 800 000 tonn innen 2020, nå ligger foran i løypen med å nå dette. De har satt seg nye mål, de har økt målene med 50 pst., og har nå mål om 1,2 millioner tonn. Vi ser også at vi på norsk sokkel har oppnådd en veldig lav utslippsgrad i forhold til det som er det internasjonale gjennomsnittet. Mye av det kan tilskrives geologi, og det at vi har tatt i bruk kraft fra land, men jeg tror at CO2-avgiften og -kvoter er det som i hvert fall i framtiden vil drive fram dette. Men vi mener at arbeidet med teknologiutvikling som næringen selv gjør, må suppleres, og vi mener det bør settes i gang et dedikert program for teknologiutvikling som gir lave utslipp på sokkelen. Det er vår løsning inn i dette. Vi vil ikke gå inn for det som representantene kommer med i forslaget. Vi mener det er prisverdig å legge fram gode ideer for å få økt aktivitet i denne omgang. Vi tror at Enovas aktivitet på sokkelen i dag kan utvikles videre. Vi tror også at modifikasjon og vedlikehold kan utvikles videre, og at vi vil nå målene på den måten.

Vi ligger i front hva gjelder teknologiutvikling innenfor miljøteknologi, og Statoil er verdensledende innenfor karbonfangst i sine felt på Sleipner og Snøhvit. Miljøhensyn og energieffektive løsninger har blitt tillagt stor vekt ved oppbygging av petroleumsvirksomheten her i landet. Petroleumsvirksomheten er inkludert i kvotesystemet og underlagt CO2-avgift. Avgiften ble, som det ble sagt her, økt i 2013, som følge av Norge har derfor allerede kanskje den mest avgiftsbelagte olje- og gassnæringen i verden. Tidene i petroleumsnæringen betinger nå forutsigbare og stabile rammebetingelser. Nye avgifter og pålegg er ikke det næringen trenger. Derimot trenger næringen en fortsatt offensiv satsing på forskning og utvikling og gode rammebetingelser. er veldig glad for at det synes å være et bredt flertall for at man fortsatt skal stå på den linjen. Næringen selv er tydelig på at den jobber mot en mer energieffektiv og miljøvennlig måte å drive sin produksjon på. Dette ble gjentatt sist under oljeindustripolitisk seminar av konserndirektøren i Statoil, Eldar Sætre. Såkornfondet ProVenture Seed i Trondheim høstet kritikk da de i januar gikk ut med at de ville satse en halv milliard på petroleumsteknologi. Flere mente at det var feil å satse på teknologi i en nedgangstid, men det er nettopp i vanskelige tider det må satses på å utvikle næringer. Historien har vist at det er i dårlige tider innovasjonstakten øker, da incitamentet for omstilling og utvikling er størst. mest kostnadseffektive teknologiene vinner fram, og konkurransekraften til norsk næringsliv øker. Dette viser at det er satsing på forskning og utvikling som er de beste tiltakene vi kan gjøre for at næringen skal bli mer energieffektiv og utslippene redusert. Det er grunn til å minne om at petroleumsforskningen ble betydelig styrket i statsbudsjettet for inneværende år. har program for å støtte energiledelse og teknologiutvikling som kan redusere energibehov og klimagassutslipp. Forskningssentrene for miljøvennlig teknologi har gjort banebrytende forskning på flere områder. Regjeringen skal senere legge fram en ny strategi for CCS, og det jobbes nå med mulighetsstudie for teknologier for Dette viser at regjeringen jobber med å utvikle løsninger som bidrar til en mer energieffektiv petroleumsnæring som produserer med reduserte utslipp. Forskning og næringsutvikling skal legge grunnlaget for at petroleumsnæringen skal være energieffektiv og verdens mest miljøvennlige langt inn i Da trenger vi ikke ytterligere krav og nye ordninger for en næring som allerede har sine utfordringer med tanke på lønnsomhet og videre vekst. Skal vi nå de klimamålene vi har satt oss, og få er vi skal det, må vi snu hver stein og iverksette alle tiltak vi kan. Vi vil derfor gi honnør til Venstre for forslaget om å gjøre det mer lønnsomt med energieffektiviseringstiltak for norsk petroleumsnæring gjennom en kombinasjon av bedre avskrivingsregler og økt CO2-avgift. Det er riktig at miljøhensyn og energieffektive løsninger har blitt tillagt stor vekt i norsk petroleumsvirksomhet. Det har vi all grunn til å være stolte av. Men vi må i all vår tilnærming til dette tilstrebe best mulig klimateknologi og best mulig ressursutnyttelse. Olje- og gassrelatert virksomhet er tross alt hovedgrunnen til at vi har klimautfordringene. Dobbeltheten må alltid erkjennes. Vi erkjenner også at petroleumsvirksomhet vil foregå i flere tiår til. Fra 1990 til 2013 økte utslippene fra olje- og gassvirksomheten med 79 pst. Dermed blir sektorens bidrag til utslippskutt også en viktig del av klimakampen. Jeg tar herved opp forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Da har representanten Rigmor Andersen Eide tatt opp

mye lenger enn mange andre bransjer. Det er klart at CO2-avgiften har bidratt til både mer effektive løsninger og til en teknologiutvikling på sokkelen som har vært viktig og positiv. Jeg synes også at fokuseringen på effektive og mer miljøvennlige løsninger på sokkelen har vært bra. Norge startet tidlig, med forbudet mot fakling. Spørsmålet om elektrifisering av plattformene på norsk sokkel har de siste årene bestandig vært et viktig tema. Spørsmålet om forskning og utvikling, også knyttet til mer energieffektive løsninger og reduksjon av utslipp, har vært viktig. Aksen NTNU–SINTEF–Enova er og har vært viktig for petroleumsbransjen i så måte. Det er ingen tvil om at denne bransjen kommer til å møte en gjennomgang og antagelig også en endring av rammebetingelsene sine i forbindelse med oppfølgingen av Paris-avtalen. Det tror jeg de bør forberede seg på, og det tror jeg også vi i denne salen kommer til å diskutere i årene framover. Men jeg tror det er viktig for en for Norge så vesentlig bransje at man også avventer den mer helhetlige gjennomgangen man får i etterkant av Paris. Så kan man kritisere at det tar lang tid, og at man nå sitter og venter på EU og hva slags system EU blir enig om, og på hva det vil bety for Norge og hvilke forpliktelser Norge får. Men det må man jo nesten forholde seg til, og Senterpartiet ser det som vanskelig at man her skal løsrive enkeltvise forslag knyttet til olje- og gassbransjen på den måten som forslaget legger opp til. Vi synes også det er grunn til å følge med på og avvente litt det pågående bransjeprogrammet, bransjen sjøl kommer med forslag til energieffektive løsninger og til lavutslippsløsninger. Derfor er Senterpartiet ikke innstilt på å støtte det forslaget som ligger på bordet i dag. Det betyr ikke at vi ikke er opptatt av problemstillingene, men vi mener at de må ses i en bredere sammenheng når den tid kommer, og Paris-avtalen skal følges opp på en bredere basis.

som eg synest kanskje er mest synd med at ein ikkje får fleirtal for å gå vidare med dette forslaget, er at me i dag gjev ifrå oss ein litt unik sjanse til å få gjort noko med veldig mange ting samtidig. Dette er i praksis verkeleg eit grønt skifte. Det ville ha ført på sokkelen, det ville ha vore eit akuttiltak for å redusera den auken i arbeidsløyse som me no har langs kysten, ikkje minst i vedlikehaldsindustrien, og det ville sist, men ikkje minst ha styrkt norsk olje og gass i ein marknad der ein slit med å konkurrera på pris, men der nettopp klimavenlege produksjonsprosessar er eit konkurransefortrinn – og eit konkurransefortrinn som vil auka i styrke. Dette er jo ikkje noko meir hokuspokus: Når ein kombinerer gunstigare enøkavskrivingssatsar – gjer det lønsamt – med å setja opp prisen på CO2 for å få dobbel lønsemd på det, så skapar ein i realiteten berre ein marknad; ein gjer det lønsamt å investera i enøk, redusera utslepp. Eg trur til og med at den mellombelse ville ha ført til ei innsparing i dei totale utgiftene for operatørane på sokkelen. Sjølv om me eigentleg veit litt for lite om det – jamfør papira frå komiteen – så veit me i alle fall, gjennom ei studentoppgåve på Høgskolen i Sør-Trøndelag, at potensialet for enøk på sokkelen er rimeleg stort. Dei antyda minimum ein halv terrawatt berre på bustadplattformene, som i dag i realiteten vert fyrt for kråkene. Me veit òg at på grunn av prisreduksjonen på olje og gass no på verdsmarknaden, så er òg det som er høgst nødvendig vedlikehald sett på vent og forverrar eigentleg arbeidsløysa i vedlikehaldsindustrien. Hadde operatørane no fått eit enøkincitament, tippar eg at sjansen er rimeleg stor for at dei då hadde gjort terskelen veldig låg for å starta opp igjen vedlikehaldsarbeid som no vert skubba framfor ein, og som ein eigentleg berre utset til seinare. Sånn sett kunne det verkeleg ha vore eit svar på det me alle er opptekne av – korleis me skal hjelpa dei som no mistar jobbane sine langs kysten. Så summa summarum synest eg eigentleg det er litt utruleg at forslaget vert avvist av fleirtalet i dag. Det er en viktig sak som forslagsstillerne tar opp, der Venstre ønsker å øke kravene til energieffektivisering i oljesektoren, og SV støtter fullt ut intensjonen. Jeg hører jo at det er flere her som sitter og drømmer om en framtid der oljen fremdeles skal være en svært viktig bidragsyter til klimaproblemene i mange år framover, mens de fleste andre av oss håper jo både at den økonomiske avhengigheten skal bli mindre, og at vi også kan finne mer klimavennlige løsninger som slipper å ødelegge framtidas klima for oss. Men det er viktig at vi, på vegen dit, sikrer at det potensialet for energiøkonomisering og reduserte klimautslipp som bl.a. er vist gjennom Klimakur 2020 og i rapporten «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling» fra 2014, blir realisert. Miljødirektoratet har der pekt på betydelige muligheter for å redusere klimautslipp og utslipp fra andre forurensende gasser, og der har SV tidligere fremmet forslag, og Venstre har fremmet forslag nå i denne saken. Pluss i boka til Venstre for det! Det er veldig liten vilje her blant flertallet til å drive fram energieffektivisering og utslippskutt i den sektoren som sjøl produserer mest klimagasser. Og det er uforståelig, for flertallet i Stortinget nå sier jo at dette er en farlig utvikling, som man har akseptert Jeg er enig med representanten fra Venstre i at man også ved å stille krav kunne skapt arbeid til folk og en omstilling. Omstilling er nødvendig i vanskelige tider slik at man kan komme ut av det i andre enden med et bedre produksjonsapparat, som står i forhold til de nødvendige klimagassreduksjonene som må på plass. Jeg vil ta opp de to forslagene som SV og Miljøpartiet De Grønne fremmer i innstillingen, for SV mener at vi må ha andre enøkincitament enn det forslagsstillerne foreslår. Vi er jo enig i veldig mye, men det å bruke skatteregimet til å få dette fram vi tvilende til, vi mener derimot at CO2-avgift og tekniske krav er en bedre løsning. Derfor fremmer vi forslag om at Miljødirektoratet og Oljedirektoratet må få i oppdrag å gå igjennom oljeindustriens eksisterende utslippstillatelser samt øvrige juridiske vilkår, for å oppdatere kravene slik at teknisk mulig energieffektivisering blir gjennomført og slik bidrar til at Norge når sine klimamål for 2020. Vi har også et forslag om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å sikre at potensialet for utslippskutt gjennom energieffektiviseringstiltak i petroleumssektoren realiseres raskest mulig. Da har representanten Karin Andersen tatt opp de til. Norsk petroleumsvirksomhet bidrar med store verdier til fellesskapet. Selv om næringen ikke lenger har de samme vekstimpulsene, vil den i mange tiår fremover være en av våre viktigste næringer. Gjennom skattesystemet og SDØE har virksomheten gitt oss et betydelig pensjonsfond som kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Petroleumsnæringen er nå inne i en krevende omstillingsperiode med lave oljepriser. Selskapene arbeider aktivt med kostnadsreduksjoner og teknologiutvikling som på sikt kan styrke lønnsomheten. Myndighetenes viktigste oppgave er her å føre en langsiktig politikk som legger til rette for at selskapene velger de mest effektive Miljø- og energieffektive løsninger er viktige hensyn som har vært tillagt stor vekt under oppbyggingen av petroleumsvirksomheten. Det benyttes i dag flere virkemidler for å redusere utslippene av klimagasser. Avgifter, utslippskvoter og andre virkemidler motiverer petroleumsselskapene til å ta i bruk energieffektive løsninger og redusere utslippene. Fra 1991 har det vært en høy CO2-avgift på sokkelen, og avgiften er i dag på 435 kr per tonn ved bruk av naturgass. I tillegg kommer kvoteplikt gjennom EUs kvotesystem. Kombinasjonen gir en samlet pris på rundt 500 kr per tonn CO2. Dette gjør at petroleumsvirksomheten har den høyeste CO2-prisen i Norge. Denne høye prisen gir selskapene sterke incentiver til å velge utslippsreduserende løsninger. Energieffektivisering vil være et av tiltakene som selskapene kan vurdere for å redusere utslipp. Prising av utslipp anslås så langt å ha redusert norske klimagassutslipp fra petroleumsnæringen med totalt 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det innebærer at utslippene i denne næringen er 25 pst. lavere enn de ville vært uten virkemidlene, og energieffektivisering har bidratt til det. I tillegg til generelle virkemidler som CO2-avgift og -kvoter er det flere virkemidler direkte Gjennom Enova støttes bl.a. tiltak som kan redusere energibehov og klimagassutslipp både for industrien og petroleumsvirksomheten. Norsk petroleumsvirksomhet er omfattet av det europeiske kvotesystemet. Det betyr at tilleggstiltak i Norge i utgangspunktet gir oss ekstrakostnader uten å påvirke de globale utslippene. Representantene foreslår å innføre gunstigere avskrivningsregler for energieffektivisering. Som sagt er incentivene til energieffektivisering allerede sterke. Tiltak som fører til at energi kan brukes mer effektivt, er derfor allerede høyt prioritert av selskapene fordi CO2-utslipp har en høy pris. Teknologi utvikles over tid, og vi bør legge til rette for at næringen velger den mest effektive teknologien også når det gjelder utslippsreduksjoner. Skulle man derimot utforme avskrivningsreglene slik som representantene foreslår, vil det være vanskelig uten å favorisere bestemte teknologier fremfor andre løsninger som kan være mer effektive. Gunstige avskrivningsregler ville favorisere fremgangsmåter som gir mulighet til å føre opp store avskrivbare driftsmidler. Ved utforming av skattesystemet er to viktige prinsipper at næringer bør likebehandles, og at avskrivninger bør tilsvare driftsmidlenes økonomiske verdifall. Disse grunnleggende prinsippene produktivitet og økonomisk vekst og styrker økonomiens samlede konkurransekraft. Særskilte avskrivningsregler vil være et lite effektivt virkemiddel for å fremme teknologiutvikling og økonomisk vekst. Det vil også rokke ved stabiliteten og forutsigbarheten som er et viktig kjennetegn ved det norske petroleumsskattesystemet. Representantenes foreslåtte tiltak vil også kunne by på betydelige kontrollutfordringer for skattemyndighetene. Skattedirektoratet har ikke kompetanse til å vurdere hvilke investeringer som er energieffektiviserende. I en samlet utvinningsplan ville det være vanskelig å peke ut de driftsmidlene som bidrar til energieffektivisering. Tiltaket vil derfor føre til mer byråkrati og et mer komplisert avskrivningssystem, samtidig som grensedragningene kan virke dårlig. Dagens virkemidler gir allerede sterke motiver for energieffektivisering og utslippsreduksjoner i petroleumsvirksomheten. Kostnaden ved CO2-utslipp er høy for petroleumsvirksomhet og høyere enn i alle andre næringer. Jeg ser derfor ikke behov for å forsterke incentivene til energieffektivisering på sokkelen og mener det ikke er grunnlag for å utforme spesialregler i avskrivningssystemet for energieffektivisering. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra helse- og

Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 2 timer og 30 minutter, og at taletiden blir fordelt slik: Arbeiderpartiet 50 minutter, Høyre 45 minutter, Fremskrittspartiet 25 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter, Senterpartiet 10 minutter, Venstre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter og Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det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

et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional innovasjon, fra Venstre. For første gang siden staten overtok sykehusene i 2002 har en regjering lagt fram for Stortinget en så helhetlig og konkret plan for utvikling av spesialisthelsetjenesten. Stortinget er med planen invitert til å gi de overordnede politiske rammene for utvikling av pasientens helsetjeneste. Planen vil være regjeringens operative redskap for å ruste spesialisthelsetjenesten til å møte framtidens utfordringer. Hovedmålene i planen er å skape pasientens helsetjeneste, prioritere tilbudet innen psykisk helse og rusbehandling, fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene, bidra til nok helsepersonell med riktig kompetanse, styrke kvalitet og pasientsikkerhet og stille tydelige faglige krav til sykehusene, bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene og ikke minst styrke de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Komiteen er enig i at god styring og planlegging er en forutsetning for god helsetjeneste. Komiteen er enig med regjeringen i at å ruste spesialisthelsetjenesten til å møte framtidens behov i et så langstrakt land som Norge er spesielt. Det handler om å finne en god balanse mellom det som må gjøres sentralt, og det som skal gjøres lokalt. Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, skal hensynet til pasienten veie tyngst. Et av planens hovedgrep er å foreslå betegnelser på sykehus som tydeliggjør innhold og gjør begrepsbruken Et annet grep er at sykehusene må arbeide i nettverk for å lykkes med oppgavedeling og helhetlig pasientforløp. Planen stadfester at Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur med en ryggrad av akuttsykehus i hele landet, og ingen sykehus skal legges ned som følge av denne planen. Disse grepene har tilslutning av flertallet i komiteen. Vi har en god Ikke alle land har et så dyktig, kompetent og dedikert helsepersonell. Komiteen er opptatt av å få nok kunnskap om behovet for helsepersonell i årene framover, og flertallet mener utvikling av en bemanningsmodell for sykehusene vil være et nyttig verktøy, nettopp for å hindre mangel på helsepersonell. Norge er også det landet som har lavest dødelighet etter hjerteinfarkt og hjerneslag, og er blant landene med høyest overlevelse etter brystkreft og En enstemmig komité påpeker at unødig venting er vondt for pasienten og kan redusere mulighetene til å få best mulig utbytte av behandlingen. I denne uken fikk vi tall for dem som venter på behandling. Da denne regjeringen overtok, sto om lag 254 000 i kø for å få helsehjelp. Nye tall – det er det gledelige – viser at 42 000 færre står i kø. Samtidig som færre venter på helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, blir stadig flere henvist til vurdering og behandling. Det er gledelig. Vi må likevel ruste spesialisthelsetjenesten for framtiden. Det norske samfunnet vil gjennomgå store endringer fram mot 2030. Utvikling i folketall, alderssammensetning, folkets forventning til standard og kvalitet vil få betydning for planlegging. Vi blir eldre, og fram til 2030 vil det bli over 300 000 flere eldre over 70 år enn det det er i dag. Vi flytter altså til byene, og sykdomsbildet i befolkningen endrer seg. Over halvparten av tapte leveår skyldes kreft, hjerte- og karlidelser, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser. Forbruket av helsetjenester hos dem over 70 år er dobbelt så høyt som blant 40-åringene. I høringen av planen slutter Spekter seg til den beskrivelsen og skriver gir et godt grunnlag for en mer helhetlig og forutsigbar utvikling av helse- og sykehussektoren i årene fremover. Planen gir en grundig og realitetsorientert beskrivelse av utfordringsbildet med store demografiske endringer, fremtidig mangel på arbeidskraft, en rivende teknologisk utvikling samtidig som befolkningens forventninger til helsetilbudet En enstemmig komité viser til at brukermedvirkning på alle nivå er viktig for å sikre at pasientens stemme blir hørt, og komiteen viser videre til ekspertgruppen av brukere, pasienter og pårørende, som har gitt innspill til planen om viktigheten av å bli hørt, unge som eldre. Planen foreslår ungdomsråd ved helseforetakene, noe Unge funksjonshemmede er svært positive til. Medisinsk forskning og innovasjon bringer fram nye, forbedrede og skånsomme behandlingsmetoder. Forskning og innovasjon gir flere nye legemidler og avansert medisinsk utstyr, som robotteknologi. Komiteen støtter planen som legger opp til at pasientene må være mer delaktige i klinisk forskning, og videre at det er viktig å tilrettelegge for at alle sykehus skal kunne delta i og integrere forskning i Spesialiseringen skyter fart, og særlig innenfor kirurgi har man sett en rivende utvikling av f.eks. åpne bukoperasjoner som er blitt erstattet av kikkhullskirurgi, robotteknologi og intervensjonsmetoder ved bruk av billeddiagnostikk. Vi vil alle bli operert med nye teknikker, noe som gir mer skånsomme tilfeller og færre komplikasjoner for oss alle. Komiteen har merket seg at regjeringen på bakgrunn av samfunnsutviklingen vil ha en ny, modulbasert modell for spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen skal bli mer fleksibel og tilpasset morgendagens behov. Komiteen mener det er viktig med spesialister som har bred kompetanse i front i kommunene og spesialisthelsetjenesten, og vi ønsker å styrke den indremedisinske kompetansen. Planen varsler at det skal opprettes en ny legespesialitet rettet inn mot akuttmottak. Komiteens flertall av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre mener at målet med den nye spesialiteten må være å styrke kvaliteten i tjenestene og i størst mulig grad tilfredsstille internasjonale krav til kompetanse i akuttmottak og observasjonsposter. I dag har vi 51 sykehus i Norge med akuttfunksjoner. Planen tar opp utfordringer som små sykehus kan ha, enten det gjelder rekruttering av spesialister eller det er lite pasientgrunnlag. Ved 14 mindre sykehus ble det i 2013 kartlagt akuttmedisinsk og akuttkirurgisk aktivitet, og sykehusene hadde i snitt tre øyeblikkelig hjelp-innleggelser i kirurgiske avdelinger og seks i medisinske avdelinger. Dette er utfordrende. Planen skisserte derfor to scenarioer for utvikling av akuttilbud ved mindre sykehus. Ministeren har selv sagt at scenarioene ikke er premisser eller førende for utviklingen av sykehustilbudet videre, noe komiteen også er enig i. Komiteens flertall fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre viser til at det i planen at utviklingen i kirurgifaget gjør det nødvendig å endre organiseringen av den akuttkirurgiske beredskapen ved mindre sykehus. Det er foretatt en rekke lokale tilpasninger i akuttberedskapen i ulike helseforetak gjennom de siste ti årene. Jeg nevner bl.a. Diakonhjemmet, Lovisenberg, Helgelandssykehuset Mosjøen, Helse Førde og Vestre Viken. Diskusjonen om planen har stort sett dreid seg nettopp om de mindre sykehusene og deres funksjoner og akuttkirurgiske tilbud. Aldri har vel sykehus som Narvik, Lofoten, Volda, Stord eller Flekkefjord hatt så mange besøk og fått så mye oppmerksomhet, og aldri har engasjementet rundt sykehusene vært større. Det er positivt. Komiteen har mottatt mange høringsuttalelser i forbindelse med Stortingets behandling. Blant annet har Legeforeningen gitt gode innspill, og flere av disse er ivaretatt i innstillingen. Flere høringsuttalelser adresserer også en angst for nedleggelse og å miste funksjoner. Helsetjenesteaksjonen sier: «mange av disse lokalsykehusene har vært truet av nedleggelser og i en årrekke hatt svært usikre driftsbetingelser. Slike usikre rammebetingelser – mer enn sykehusenes størrelse – skaper rekrutteringsvansker. Når planen spår at små sykehus i fremtiden vil ha problemer med å rekruttere kvalifiserte kirurger, har planen selv lagt grunnlaget for at slike vansker vil oppstå. Hvis derimot et sykehus har en noenlunde trygg fremtid og forutsigbare driftsbetingelser, er det også mulig å rekruttere et stabilt og velkvalifisert personale». For regjeringspartiene har det nettopp derfor vært viktig å få i stand en avtale rundt planen som skaper ro og forutsigbarhet i Sykehus-Norge. Dette gjelder særlig områder rundt sykehus som har følt seg truet av nedleggelse. Partiene – med unntak av Senterpartiet, som har sin egen plan – ble invitert til samtale og dialog. Slik jeg ser det, var Arbeiderpartiet mest opptatt av å ta avstand til planen, kritisere helseministeren og fremme egne synspunkter. Det er greit nok siden synspunktene i stor grad er lik regjeringens, med unntak av at de vil beholde de regionale helseforetakene. Kristelig Folkeparti valgte ikke å bli med siden de har en annen oppfatning av Stortingets rolle med hensyn til hva som skal avgjøres av foretakene kontra Stortinget i spørsmål om beslutning av sykehusfunksjoner på enkelte sykehus. avtalen mellom Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre vil vi at planen skal bidra til å fjerne usikkerhet for framtiden til de mindre sykehusene nettopp ved å anerkjenne deres verdi og tydeliggjøre krav og innhold i disse. Vi er opptatt av å styrke samarbeidet og oppgavedelingen mellom små og store sykehus, herunder tildelingen av enkeltområder fra større sykehus samt hospitering og rotasjonsordninger. Det er viktig at små sykehus sikres økonomi til en slik utvikling. Disse partiene slutter seg til forslaget om definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. De fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i en helseregion, men dette utelukker ikke at store akuttsykehus og universitetssykehus Arbeiderpartiet støtter også planens intensjon om inndeling av sykehus i disse kategoriene. Partiene bak avtalen mener at akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og Vi mener også at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Flere av sykehusene vil måtte ha full akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander. Det er viktig å påpeke at endringer i sykehustilbud ikke må svekke det samlede fødetilbudet. Sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientens behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. Avtalen setter også kompetansekrav til barneavdeling og krav til geriatrisk kompetanse på store akuttsykehus, noe andre partier også støtter. Sykehusplanen foreslår å styrke de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og komiteen mener det er viktig å sikre de prehospitale tjenestenes dimensjonering og kvalitet. En eventuelt endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasiteten i ambulansetjenesten. Komiteen vil understreke at ambulansetjenesten har en avgjørende rolle i akuttberedskapen. Luftambulansen er viktig for beredskap, effektiv behandling og transport ved akutt sykdom og skade. Medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet fremmer et konkret forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med en egen sak om basestrukturen for luftambulansen i Norge. Nasjonal helse- og sykehusplan skisserer hvordan Stortingets behandling skal følges opp, og det er slik at alle foretak skal lage utviklingsplaner, og disse skal Flertallet i komiteen, med unntak av Senterpartiet, mener også at vesentlige endringer i oppgavefordeling nettopp skal skje mellom sykehus og avklares i lokale prosesser og i utviklingsplaner. Flertallet bak avtalen er opptatt av at helseforetakene skal ha tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører i arbeidet med utviklingsplaner. Vi ber også om at regjeringen holder Stortinget orientert om vesentlige endringer som er løftet fram til Flertallet i avtalen ønsker også en ny styringsmodell for spesialisthelsetjenesten der de regionale helseforetakene ikke inngår. Styringsmodellen skal endres etter at Nasjonal helse- og sykehusplan er vedtatt og virker. Vi ser fram til Kvinnsland-utvalgets utredning om alternative styringsmodeller for sykehusene. Til slutt vil jeg ta opp ledelse og kvalitet i ledelse. Komiteen mener det må stilles høyere krav til ledere og nye krav til ledere i framtidens helsetjeneste. Det må bli større oppmerksomhet på kvalitet, pasientsikkerhet og helhetlige pasientforløp på tvers av profesjoner, avdelinger og institusjoner. Flere innspill i høringsrunden viser til viktigheten av god kommunikasjon og nærhet til leder. Kompleksiteten i sykehus er stor, og det er viktig med god samhandling på tvers av enheter for å få til god pasientflyt. Komiteen støtter prinsippet om stedlig ledelse. I Nasjonal helse- og sykehusplan legger Stortinget føringer for store og viktige beslutninger og utviklingen av Sykehus-Norge. Det sikrer at sykehuset rustes for framtiden og gir en sterkere demokratisk styring av sykehusene. Det blir replikkordskifte. Kirurgisk akuttberedskap forsvinner fra de minste sykehusene. Det er på tide å forholde seg til det. Det slo helseminister Bent Høie fast da han la fram Nasjonal helse- og sykehusplan i november 2015. Han sa også i fjorårets sykehustale: «For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag.» Vi hører tydelig fra saksordfører Ørmen Johnsen, også sitert i Lofotposten etter at hun hadde vært på besøk på Gravdal sykehus, at de vil legge bort scenarioene som sier at det skal være mer enn 60 000 innbyggere for å opprettholde Hvordan vurderer saksordføreren kunnskapsgrunnlaget i regjeringens tilnærming når man så kategorisk avviser det bærende resonnementet til helseministeren? Resonnementet til helseministeren i scenarioene er godt. Det reiser problemstillingen med et tynt befolkningsgrunnlag rundt enkelte av våre sykehus. Og scenarioene sier, som riktig er: Hva skal til for å ha et stort antall operasjoner – en kirurg må trene seg? Samtidig sier også planen at man er nødt til å ha tilbud selv om det faktisk er geografiske avstander som gjør at det ikke blir ble egentlig litt rotete sagt. Poenget er at helseministeren selv har sagt at scenarioene skal legges bort, men scenarioene viser egentlig at man har noen utfordringer, og de løser planen ved at man nettopp skal ha akuttmedisinsk beredskap og akuttkirurgisk beredskap på alle sykehusene. Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om at de regionale helseforetakene skal bli avløst av en annen ledelsesform. Mitt spørsmål er: Har ikke denne planen faktisk forseglet helseforetakenes myndighet enda mer fordi en nå har overgitt så stor makt til helseforetakene at de kan bestemme og ta store avgjørelser, om f.eks. akuttkirurgi på lokalsykehus? Nei, det mener jeg ikke. Tvert imot har helseministeren skiftet som kommer til å komme, bl.a. ved at vi har fått et nasjonalt foretak for innkjøp, vi har fått et nasjonalt foretak for IKT og også for sykehusbygging. Det betyr at flere av de oppgavene som har ligget på det regionale nivået, er nå løftet ut. Det er en forberedelse til det som vil skje når Kvinnsland-utvalget har foretatt sin vurdering. Det er også viktig ikke å sementere strukturer i Norge. Helsetjenesten og utviklingen av helsetjenesten i Norge er dynamisk, og det er derfor vi har ment det er viktig at Stortinget ikke går inn i detaljer, men vedtar prinsipper for hvordan Sykehus-Norge skal styres. Regjeringspartia, Venstre og Arbeidarpartiet er einige om at dagens lokalsjukehus, som no skal heita akuttsjukehus, ikkje treng akuttkirurgi. Slike sjukehus utan kirurgar på vakt skal likevel ha ansvar for beredskap og skal kunna handtera akutte hendingar. Dette forslaget er ikkje fagleg truverdig. I Noreg har òg alle fagprofesjonar åtvara mot forslaget om å ha akuttsjukehus utan akuttkirurgi. I Sverige har ein sett at tidlegare velfungerande, fullverdige sjukehus har fått store problem med å rekruttera faste legar, og at kvaliteten gradvis har sokke i heile verksemda når akuttkirurgien vart tatt vekk. Spørsmålet mitt er: Korleis kan Høgre, som gir inntrykk av å vera opptatt av kvalitet og kunnskap, føreslå ein nasjonal modell som er så sterkt frårådd av eit samla fagmiljø? Jeg mener jo ikke at den modellen som nå debatteres, er frarådet av fagmiljøene. Det denne modellen styrker, er nettopp de små sykehusenes posisjon. Det sies helt klart hvilke kriterier og hvilke tilbud et akuttsykehus skal ha. Slik har det ikke vært tidligere. Lokalsykehusene, slik de var under den forrige regjeringen, hadde ingen definisjon. Ett grep er at man skal ha en ny spesialistutdanning innen akuttmedisin, noe som vil styrke akuttmottakene, og det er de som gjerne er det såre punktet. Vi har også sagt at vi skal ha akuttmedisinsk og akuttkirurgisk vurderingskompetanse på mottakene. Når man nevner akuttkirurgi, er ikke det en ensartet definisjon. Mange sykehus i dag har f.eks. akuttortopedi og mange varianter av akuttkirurgi, så det tror jeg er vist i

særskilte politiske beslutninger – oppdrag og mål gitt av Det norske storting og vekslende regjeringer. Hvis man skulle styrt etter hva som var rent effektivt, der det bor flest folk, der man kunne fått mest igjen for pengene, hadde ikke en del av de stedene som har blitt direkte berørt av denne planen til regjeringen, innleder jeg med å si fordi det av og til skapes et inntrykk av – og jeg synes også av og til at dagens regjering overspiller – at det nå nærmest for første gang etableres et dokument som nasjonalforsamlingen i Norge skal ta stilling til, der det nå skal politisk besluttes flere ting enn det som har blitt bestemt før. Jeg mener at vår felles offentlige helsetjeneste, med sykehusene i spissen, over hele landet er direkte resultat av måten vi har valgt å organisere oss på i Norge. Norske sykehus er hele tiden i utvikling. Det behandles flere pasienter, ventetidene går ned – det er veldig bra at dagens regjering følger opp det viktige arbeidet som forrige regjering gjorde på det området – og kvaliteten øker. Bare i år skal vi bruke over 140 mrd. kr av skattebetalernes penger – våre offentlige penger på drift, aktivitet og investeringer ved norske sykehus. Det er fellesskapets investering, og da skulle det bare mangle at ikke også vi politikere setter et klart politisk rammeverk rundt hvordan en del av disse pengene skal brukes. Men for at dette skal nå pasientene i størst mulig grad, er god styring og planlegging en forutsetning. Derfor må jeg innrømme at arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan fra regjeringen har vært krevende. Det har vært krevende fordi debatten om planen fra starten av og helt fram til målstreken har vært en debatt mot et bevegelig mål. Vi må huske på hva som er bakgrunnen for denne planen. Det er at vi gjennom mange år har opplevd at mange partier ofte har pekt på behovet for å etablere en nasjonal helse- og sykehusplan hver gang det oppsto en utfordring eller et budsjettunderskudd eller på andre måter problemer i sykehusene. Andre har pekt på at denne planen er nødvendig for å få andre ting til å skje som er politisk ønskelige. Derfor er det rett og slett litt rart at vi nå ender opp med en situasjon, selv om mange av forslagene får bred tilslutning, der det ikke er regjeringens forslag, men det største opposisjonspartiets forslag. Grunnen til at jeg tar opp dette innledningsvis, er at jeg nå håper at oppfølgingen av en del av de vedtak som nå skal bli gjort, ikke må ende opp på samme måte som forløpet til denne planen har gjort. Denne sektoren – sykehusene – kan ikke styres ved venstrehåndsarbeid. Oppfølgingen av vedtakene må gi sykehusene trygghet, stabilitet, gode tjenester solid, forutsigbart rammeverk. De gjør sin jobb mot at vi gjør vår. Derfor vil jeg si at det eneste som har vært sikkert ganske lenge nå, og som blir klart i dag, er at den nasjonale helse- og sykehusplanen til helseminister Bent Høie ikke har blitt det veldig mange så for seg at den skulle bli. Jeg minner om at de som skal iverksette det vi nå vedtar senere i dag med ulike flertall – Arbeiderpartiet er med på noe av det – er de regionale helseforetakene med de ansiktsløse byråkratene, som et overveldende flertall på Stortinget har gått til valg på at skal fjernes. Nå er vi snart to og et halvt år ut i denne stortingsperioden. Regjeringspartiet Høyre har for å bøte på valgløftet sitt – saksordfører Kristin Ørmen Johnsen pekte på det i sitt innlegg – som ikke er i nærheten av å bli innfridd, og jeg tror at det er bra, fordi det har ført til at man har sett at dette faktisk ikke var så galt som man skulle ha det til, nå nedsatt et offentlig utvalg som helt på tampen av denne stortingsperioden skal komme med forslag om hva som skal erstatte dagens sykehusstyring. Jeg minner igjen om at dette er en sektor som forvalter 140 mrd. kr, titusenvis av ansatte, millioner av konsultasjoner og behandlinger hvert år. Da skal man være ganske trygg på hva man har satt i gang, når vi nå er såpass langt ute i stortingsperioden. Likevel vil jeg si på vegne av Arbeiderpartiet at målene er alltid viktigere enn virkemidlene, og vi vil stille med et åpent sinn dersom Kvinnsland-utvalget, som det ble referert til, kommer med forslag som kan bevare mye av det som er bra med styringsmodellen. Men dersom det kommer forslag om enkelte endringer, er vi selvfølgelig med på å diskutere det. Så over til det som har vært stridens kjerne, og som også er litt besynderlig i en diskusjon som burde handle om en nasjonal plan med de viktigste sakene. I replikkordskiftet nå hørte vi et sitat fra helseminister Bent Høie der han helt kategorisk slo fast, og brukte anledningen da han la fram sin plan, at den kirurgiske akuttberedskapen ved de minste sykehusene forsvinner dersom han og regjeringen får viljen sin. Dette var Da hadde helseministeren gjennom hele året prøvd å overtale fagfolk, pasienter, oss politikere og befolkningen om at det en del av oss har dristet oss til å kalle en slags skrivebordsregel han hadde lansert, var svaret på organiseringen av akuttkirurgi og akuttberedskap ved de minste sykehusene. Jeg tror ikke jeg trenger å referere dette på nytt – dette kommer opp igjen og opp igjen. Grunnen til det er at det har vært et bevisst ønske fra regjeringen om å etablere et prinsipp nedfelt her i Stortinget som skulle gi ryggdekning for å gjøre en del endringer i Sykehus-Norge. I selve planen gjentas argumentene og forslagene som ble lansert for snart halvannet år siden i hans sykehustale. Men Norge er et langstrakt land med store geografiske avstander og mye vær. Det går etter vårt syn ikke an å fordele sykehustilbud etter en slags matematisk formel i et land som vårt. Norge er ikke A4. Da kan heller ikke organiseringen av sykehusene være det. Derfor har vi i Arbeiderpartiet brukt mye tid på å reise rundt, lytte og lære. Vi har diskutert intenst, forsøkt å veie opp og i mente og prøvd å konkludere på hva vår vei, hva vårt forslag, hva vårt alternativ skulle være da vi forsto at det forslaget som regjeringen hadde lagt fram, ikke bar, rett og slett. For godt over en måned siden la vi fram våre forslag, og her har vi vært veldig tydelige fra Arbeiderpartiets side. Vi la fram forslag både i komiteen og offentlig: Vi ville ikke la en befolkningsgrense være en slags veiledende grense, en styrende grense. Vi ba foretakene, hvis vi fikk flertall her i Stortinget, om å se bort fra de såkalte scenarioene som er beskrevet i planen, der altså en norsk regjering har fått det for seg at det er en smart idé å putte fire–fem navngitte sykehus på det mange kaller en slags svarteliste, der det ikke er klart hva som skulle skje, annet enn at et eller annet skulle skje, med en begrunnelse som nå ikke holder vann. Vi ba altså i vårt forslag om at man skulle se bort fra den listen. Vi foreslo at vi i stedet burde etablere en tredje vei, der det ikke kan være en «enten-eller-modell» som skal være svaret på hvilke tilbud et sykehus skal ha, fordi norske sykehus rett og slett er så Vi foreslo å flytte mer planlagt kirurgi ut til de minste sykehusene for å styrke vaktgrunnlaget for kirurgisk vaktkompetanse ved en del av de minste sykehusene. Vi foreslo at det bør utredes nærmere hvordan man kan modulbasere spesialisering for legers vaktkompetanse, fordi vi tror at det blir for sårbart dersom en enkelt gren av utdannede kirurger er de eneste som skal kunne betjene akuttkirurgisk beredskap ved de minste sykehusene i framtiden. Helseministeren tegnet rett og slett opp feil vei. Derfor måtte vi lage vårt eget kart som reflekterer den virkeligheten som vi mener Norge er en del av. Vi mener at vi landet på et godt forslag for vår felles helsetjeneste. Lokalsykehusene har alltid stått sterkt i Arbeiderpartiet, men jeg vil påstå at de aldri har stått sterkere enn de gjør i dag. Sykehusene fortjener å vite hvordan deres framtid skal se ut. Derfor mente vi at det var viktig at vi fant et faglig og politisk forslag som vi kunne stille oss bak, som vi kan stemme for i dag, men som vi også kunne styrt landet på dersom det var vår jobb å iverksette forslaget. Ut fra den innstillingen som ligger på bordet i dag rundt disse tingene, kan ikke vi annet enn å konstatere: Det er ikke flertall for de spisseste forslagene som regjeringen og helseministeren har lagt fram. forslag og formuleringer som ble lansert offentlig for over en måned siden, er de som nå får flertall. Dette har skjedd uten at vi har vært invitert inn i noe forhandlingsrom eller på noe annet tidspunkt har sittet rundt et bord og diskutert forslag som vi har fremmet. Allikevel får de flertall. Det må vi være fornøyd med, og jeg vil understreke at det betyr at vår politikk står seg både faglig og politisk, og at innstillingen dermed gir et mer solid – langt mer solid – utgangspunkt for det utviklingsarbeidet som nå skal foregå i sykehusene, og som regjeringen er ansvarlig for å følge opp. Allikevel vil jeg påpeke at vi har enkelte forslag på oppfølgingssiden av dette der vi mener at regjeringspartiene sammen med Venstre ikke går langt nok. Både gjennom merknader og forslag, som delvis får flertall, noen får ikke flertall, bør det være en klar marsjordre til landets øverste ansvarlige rundt sykehusstyring, som må være ekstremt bevisst på hva som er Stortingets vilje og intensjon om hvordan disse forslagene nå skal forstås. I dag kommer det til å bli en diskusjon om konteksten i disse forslagene, for det er det som ofte blir problemet når ytterpunktene møtes. Det ene ytterpunktet var forslaget fra regjeringen om at vi skulle etablere en veiledende grense, en intensjonsavtale i Stortinget, som kunne brukes nærmest ukritisk av foretakene på hva de ville gjøre rundt akuttberedskapen. Det vil ikke vi støtte. Men vi vil heller ikke støtte forslag om at Stortinget skal ta stilling til hvordan enkeltavdelinger på enkeltsykehus skal se ut. Det har heller ikke vært Arbeiderpartiets politikk før. Det står i vårt partiprogram hva det er som gjelder. Derfor vil ikke vi støtte 10–15 forslag som f.eks. Senterpartiet har om navngitte enkeltsykehus og organiseringen av dem. Til slutt til en del andre saker. Vi har vært opptatt av at nå må vi komme oss ut av å diskutere kun fire-fem-seks navngitte sykehus og over til det som flesteparten av pasientene kan dra nytte av dersom vi gjør gode, kloke vedtak. Vi har foreslått at det etableres en generell regel om at stedlig ledelse bør være et prinsipp som styringen av sykehusene retter seg inn etter, for vi tror rett og slett ikke lenger på en idé om at sykehusansatte kan fjernstyres. Og det betyr noe for utviklingen av kultur, tillit å ha ledere som er til stede i arbeidshverdagen, nær der pasientbehandlingen foregår. Det er vi glad for at det nå blir flertall for – vi synes det er veldig bra. I tillegg mener vi at et av stedene der det ikke fungerer godt nok, er i Helse Sør-Øst, som er det regionale helseforetaket her på Østlandet. Det er for stort. Derfor foreslår vi at det igangsettes en prosess, hvor det utredes hvordan det kan splittes opp, for å skape større nærhet til beslutningene og mer oversiktlige forhold rundt en region som jeg synes rett og slett har blitt altfor stor. I tillegg støtter vi også forslag om å få en utredning og forslag på bordet om basestrukturen for luftambulansene. Vi synes nok at regjeringspartiene sammen med Venstre tar seg vel god tid. Vi synes at forslaget og utredningen bør komme på bordet allerede i statsbudsjettet til høsten. Det haster. Helt til slutt en stemmeforklaring. Det er ikke lett for vanlige folk som ikke har jobbet intenst og grundig med denne planen, helt å få øye på hva som har skjedd. Vi har som sagt fremmet våre forslag, og de har stått seg i halvannen måned, og mange av dem får nå flertall. Det er vi glad for. Men en del forslag får ikke flertall. Derfor fremmer vi i Arbeiderpartiet romertallsforslag I og V sammen med komiteens flertall. Vi står ikke inne i romertallsforslagene II, III og IV, fordi vi har fremmet egne forslag som reflekterer vårt syn på de forhold som omtales i forslagene, i våre mindretallsforslag nr. 9, 10 og 11. De ser det imidlertid ut til at ikke får flertall, og da vil vi subsidiært støtte de romertallsforslagene vi ikke står inne i, i tillegg til dem vi står inne i som fremmes av komiteens flertall. I tillegg vil jeg gjøre oppmerksom på at ved en inkurie et par steder i innstillingen er Arbeiderpartiet blitt stående på utsiden der hele komiteen er med på enkelte merknader av mer universell karakter – kan man kalle det. Så for folk som eventuelt leser dette i ettertid: Det var ikke meningen å være mot det, det var bare en inkurie. Med dette tar jeg opp de forslag til Nasjonal helse- og sykehusplan

Men den planen var ikke operativ, og Stortinget var ikke invitert til å ta beslutninger, som vi er i dag. Men både før og etter denne planen har flere sykehus blitt lagt ned, mens dere satt ved roret. Jeg vil derfor spørre deg: Hvilke tydelige politiske grep er det Arbeiderpartiet mener de har gjort når det gjelder endring av sykehusstruktur i den perioden Presidenten vil gjøre oppmerksom på at all tale skal rettes til presidenten – ikke «deg»-form til den man snakker til. Først vil jeg bare si at jeg tror en skal være ganske godt skodd i helsepolitiske spørsmål for å se i hvilken grad den planen som vi i dag diskuterer, er særlig operativ, i den forstand at den vil bli tolket på noen annen måte enn planer tidligere iverksatt av den sittende regjering, og helseminister, til enhver tid. Jeg gjentar det jeg sa i innlegget, at det er ikke uten grunn at det er sykehus over hele landet. En av de tingene Arbeiderpartiet har vært særlig opptatt av i regjering, er å verne om den regionale styringen av sykehusene. Det betyr f.eks. at veldig mange av enkeltavgjørelsene om sykehusene i Nord-Norge skal skje fra Bodø, og ikke fra Oslo. Jeg vet mange Høyre-politikere leker med tanken om å etablere et direktorat som f.eks. kan ha hovedsete her i Oslo, som skal ta avgjørelser om hvordan sykehus i vår nordlige landsdel skal igangsettes. Så det er et av mange eksempler på klar politisk styring. I dag står Arbeiderpartiet utenfor et flertall jeg mistenker dem for at de gjerne skulle vært en del av. De store hovedtrekkene i planen er Arbeiderpartiet og Micaelsen enig i. Likevel har han på inn- og utpust i media gitt uttrykk for at helseministeren har tapt, og at prosessen rundt planen ikke har vært bra. Men i motsetning til den regjeringen Micaelsen selv var en del av i åtte år, har dagens regjering og dagens helseminister vitterlig gjort et godt stykke arbeid for å sikre fremtiden til norske sykehus. Arbeiderpartiet sendte ingen stortingsmelding om sykehusene på høring i løpet av åtte år. Og hva gjorde egentlig Arbeiderpartiet for den fremtidige utviklingen av norske sykehus, bortsett fra å legge ned en rekke av dem? Så mitt spørsmål til Micaelsen blir rett og slett: Hvorfor er Arbeiderpartiet så tilbakelent i sykehusspørsmålet når de er i posisjon, men synes å være veldig høye og mørke når de er i opposisjon? Jeg synes ikke vi var så veldig tilbakelente i posisjon. Det kan man begrunne på mange måter, men en av grunnene er at jeg tror ikke det er mulig å vinne to valg på rad uten å ha tillit i et av de viktigste temaene for folk flest, nemlig helse. Ser en på hva folk synes om ulike partier, langt høyere på tillit rundt det å ta hånd om sykehus enn det andre partier gjør. Og ser man på resultatene fra vår regjeringstid, står ikke de tilbake for noen. Overlevelsen ved en rekke sykdommer økte kraftig, ventetidene fikk vi under kontroll – de gikk ned mot slutten av vår regjeringstid – nye investeringer kom på plass. Men jeg har jo lenge sagt at jeg synes det begynner å bli ganske kjedelig, for å si det forsiktig, både for folk flest og for oss nå å diskutere ting som skjedde for ti–tolv år siden. Nå bør vi se framover, på hva som er framtidens sykehus. Det er det vi er mest opptatt av nå. Ved sist kommunevalg så vi at Arbeiderpartiet ikke fikk tillit verken på Kongsberg, i Tinn eller i Kristiansund for sin sjukehuspolitikk. Det store stridsspørsmålet nå er lokalsjukehusets framtid – Flekkefjord, Kongsberg, Volda, Lofoten, Narvik, for å nevne noen. Skal vi få fullverdige lokalsjukehus med akuttkirurgi? Arbeiderpartiets språkbruk angående akuttkirurgi og sjukehusbetegnelsene er lik regjeringas betegnelse. Det er meget interessant å lese innstillinga presist og nøye. På side 50 i innstillinga sier Arbeiderpartiet: «Sjukehuset skal ha kirurgisk vurderingskompetanse i beredskap og beredskap for akutte hendelser.» Et kort, enkelt spørsmål: Er det mulig å oppfylle dette som jeg nå har sitert, uten at sjukehuset har kirurger i døgnvakt? Det som jeg forsøkte å si i innlegget mitt, er at alle disse spørsmålene må drøftes i den konteksten de står. Det som representanten Per Olaf Lundteigen nå refererer til, er en del av et langt resonnement, vil jeg si, som er logisk oppbygd. Dette er et komplisert spørsmål, der det ikke er, slik Senterpartiet ser det, svart-hvitt hvordan man skal organisere enkeltsykehus og enkeltavdelinger. Det representanten Per Olaf Lundteigen henviser til, er det vi har definert som en absolutt minimumsgrense for hvordan man kan organisere et akuttsykehus, og det er helseforetakenes oppgave nå å gjøre den jobben. Det skal på den andre siden overhodet ikke forstås – og vi understreker det både skriftlig i merknader og på annen måte, og jeg gjør det gjerne på nytt her som et budskap om at helseforetakene skal styre mot et slikt minimumsnivå. Snarere tvert imot – resten av våre merknader og resten av våre forslag handler om det stikk motsatte: Det skal bygges på de ressursene som finnes, man skal utvikle for å styrke, ikke svekke lokalsykehusene. Replikkordskiftet er omme. I Fremskrittspartiets partiprogram kan man lese om sykehus at vi
Kjønaas Kjos var så

«For å gi pasienten et best mulig tilbud, og for å stabilisere og starte behandlingen av alvorlig skadde som trenger behandling ved større sykehus, bør lokalsykehus ha et minimum av behandling som sikrer døgnkontinuerlig akuttberedskap. Det er også behov for en kompetansereform for legene i akuttmottakene I denne planen følger vi opp alt dette. Etter flere år med et mye bruk av korridorsenger og et økende antall som ventet på behandling, ble dette våre viktigste punkter da vi gikk til valg. Og vi har allerede oppnådd mye. Ikke bare er det nær 42 000 færre i behandlingskø, de venter også i kortere tid. For å få en helhetlig oversikt over sykehustilbudet i dag og i framtiden var vi også opptatt av å få på plass den Planen gir oss, slik Fremskrittspartiet ser det, et godt innblikk i utfordringene vi står i for å videreutvikle pasientens helsetjeneste. Planen inneholder 146 sider, hvorav en liten del omhandler akuttkirurgi. Når det er disse få sidene alle har snakket om, sier det mye om hvor god planen samlet sett faktisk er. Arbeiderpartiet har kritisert helseministeren for å ha invitert til debatt allerede i sykehustalen 2015, fordi dette ifølge dem skapte unødvendig utrygghet. Åpenhet, lange og gode prosesser og debatt i forkant er man altså imot. Utryggheten ble skapt av opposisjonen, som kom med påstander om at helseministeren hadde bestemt seg for en særskilt grense for pasientgrunnlag, og at dette ville bety at halvparten av alle lokalsykehus ville bli lagt ned. Etter at planen ble lagt fram, kunne vi på side 44 i meldingen lese det som viser at opposisjonen tok grundig feil. Der står det: «Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60–80 000 innbyggere tas inn som en av flere føringer i denne vurderingen. Faktorer som geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold Likevel fortsatte mange å si at dette tallet var et absolutt krav. Så den unødvendige utryggheten som er skapt, får andre ta på seg. I merknader fra komiteens medlemmer kan vi se en bred enighet rundt det faktum at vi lenge har visst at endringer i kirurgifaget kan gjøre det nødvendig å endre organiseringen av den akuttkirurgiske Som helseministeren svarte representanten Torgeir Micaelsen på komiteens høring, betyr dette ikke et enten–eller, men at det finnes mange måter å innrette akuttkirurgien på, og at det er viktig at vi bruker dette spekteret av muligheter. Slike lokale tilpasninger er allerede tatt i bruk enkelte steder i landet. Sykehusene er utrolig viktig for oss alle. Alle mener noe om det, og de fleste er veldig glad i sitt eget sykehus. Å besøke sykehus rundt omkring i landet er alltid en stor opplevelse. Ingen sykehus er like. Faktisk er de svært forskjellige, ikke bare bygningsmessig, men i innhold, og det virker som om alle har noe eget ved seg. Jeg blir berørt av den stolthet som de fleste ansatte viser, og jeg blir rørt over lokalbefolkningens engasjement. Derfor har det bekymret meg at enkelte har ønsket å snakke noen av sykehusene ned. Vi trenger nemlig sårt å opprettholde stoltheten, troen og engasjementet. I den forbindelse vil jeg gi ros til SVs varaordfører i Narvik. Til sin lokalavis uttrykte han følgende etter at avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var lagt fram: Jeg er mer optimist enn tidligere. Kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt, så det er på plass når Videre uttaler han at summen av alle punktene i avtalen gir Narvik gode kort på hånden og gjør at han tror sykehuset kan utvikles. Det ligger en utrolig styrke i at sentrale lokalpolitikere løfter opp sitt eget sykehus, slik som Geir-Ketil Hansen her gjør. Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av at helseministeren har tapt, etter at Høyre, Fremskrittspartiet og Vi husker alle åtte rød-grønne år, hvor høringene var for syns skyld, og hvor flertallet lojalt vedtok det regjeringen fremmet. Det er Stortinget som gjør vedtak. Derfor er det både viktig og riktig at Stortinget gjør egne vurderinger. Fremskrittspartiet støtter opp om sykehusplanen. Men vi står likevel fritt til å ta inn andre ting som vi mener er viktig. Vi er tydelige på krav til innhold i akuttsykehusene, som er betydelig strengere enn de rød-grønne la til grunn den gang de definerte hva et lokalsykehus måtte inneholde. Da var ikke akuttkirurgi et krav. Det som er interessant nå, er at når man leser innstillingen, er det bred politisk enighet om det aller, aller meste. SV og Miljøpartiet De Grønne er ikke representert i komiteen, så deres syn kommer ikke fram der. Senterpartiet er ganske så alene om det meste. Men for meg er det hva man gjør, som betyr noe, ikke hva man sier. Da Senterpartiet styrte landet gjennom åtte år, la de ned lokalsykehus, de sa nei til å legge ned de regionale helseforetakene, de sa nei til en sykehusplan, og akuttkirurgi ved lokalsykehusene var ikke et krav. Arbeiderpartiet har vært opptatt av at dette ikke er første gang vi behandler en nasjonal plan for sykehusene, og viser til Nasjonal helse- og omsorgsplan. Det er grunn til å minne om at da denne i sin tid ble debattert i Stortinget, brukte saksordføreren, som var fra Arbeiderpartiet, fire setninger på sykehusene, mens daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke sa noe om sykehusene. Så mye vekt legger altså Sykehusplanen vi behandler i dag, har fått bred politisk støtte. En enstemmig komité støtter opp om følgende: at å ruste spesialisthelsetjenesten i stor grad handler om å finne en god balanse mellom det som haster, og det som kan planlegges at Nasjonal helse- og sykehusplan skal legges fram for Stortinget hvert fjerde år prinsippet om at pasienter bør brukes som systemrevisorer og forandringsagenter i utviklingen av tjenesten etablering av ungdomsråd ved alle helseforetak samvalg, det vil si større involvering av pasienten når beslutninger skal tas krav om økt brukermedvirkning i forskning regjeringens mål om å prioritere rus- og psykisk helse-utfordringer målet om å myke opp skillet mellom psykiske og somatiske helsetjenester at det innen psykisk helsevern skal prioriteres distriktpsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatriske enheter målet om flere ambulante akutteam etablering av et nasjonalt kvalitetsregister for tverrfaglig spesialisert rusbehandling at både diagnosesentre og pakkeforløp etter mal fra kreftområdet vurderes for andre diagnoser å utvikle en bemanningsmodell for sykehusene regjeringens mål om kvalitet og pasientsikkerhet innføring av nasjonale kvalitetskrav for utvalgte behandlingstilbud tilrettelegging av systematisk fagrevisjon på sykehus økt kapasitet i sykehusene en opprettholdelse og videreutvikling av en desentralisert sykehusstruktur at geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet til ambulansetjenester, værforhold og rekrutteringsmuligheter skal tillegges stor vekt i utformingen av framtidens akuttsykehus at vedtak gjort i fødselsmeldingen ligger fast at det skal stilles krav om at den faglige og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus skal styrkes og gjøres mer forpliktende at flere oppgaver desentraliseres til mindre sykehus Det er altså stor enighet om den planen som ble lagt fram. I tillegg har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sammen blitt enige om en del tillegg og en del presiseringer som Nasjonal helse- og sykehusplan skal legges fram for Stortinget hvert fjerde år. Den skal informere Stortinget om status og utfordringer og gjøre det mulig for Stortinget å ta de viktigste beslutningene om hvordan sykehusene skal utvikles. Dette støttes nå av en samlet komité. Vi vil skape trygghet for befolkningen i alle deler av landet. Vi ønsker at sykehusplanen skal konkretisere krav til innhold i sykehus. Planen legger til rette for en fortsatt desentralisert sykehusstruktur i Norge, med en «ryggrad» av akuttsykehus. Planen inneholder regjeringens anbefaling til Stortinget om hva slags type sykehus vi bør ha i framtiden. Dette støttes også av Arbeiderpartiet. Vi stiller høye krav til kompetanse. Selv om Norge i dag har generelt høy helsepersonelldekning sammenliknet med andre land, har vi geografiske variasjoner i tilgang på personell. av tall viser at utfordringene i framtiden vil bli enda større. Derfor har det vært viktig for Fremskrittspartiet å trygge de mindre sykehusene. Vårt hovedfokus har vært å legge nedleggelsesspøkelset dødt og samtidig gi disse sykehusene nye muligheter. I avtalen har vi derfor fått på plass at planen skal bidra til å fjerne usikkerhet for framtiden til mindre sykehus nettopp ved å anerkjenne deres verdi og tydeliggjøre krav til innhold i disse. I den videre utviklingen av sykehustilbudet i hele landet må alle sykehus samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. De mindre sykehusene kan spesialisere seg og bli fyrtårn for enkeltområder. Dette vil kunne gi sykehusene spennende fagmiljøer, utviklingsmuligheter og økt mulighet for å bli en viktig aktør Vi er opptatt av å styrke samarbeid og oppgavedeling mellom store og små sykehus samt hospitering og rotasjonsordninger. Det er viktig at de små sykehusene sikres økonomi til en slik utvikling. Mange av de mindre sykehusene sier at dette synes de er bra, men de er redd det ikke blir slik. De sier at de store sykehusene plukker oppgaver fra dem. Jeg har derfor lovet å understreke dette punktet. Sammen med Arbeiderpartiet fremmer vi et forslag for å sikre den videre prosessen rundt dette. Ved barne- og ungdomsmedisinske avdelinger skal barn og unge med kroniske tilstander sikres tilgang på psykologkompetanse. Dette støttes nå av hele komiteen. Eldre lever lenger og oftere med lidelser som medfører økt medisinering. Det er viktig med kunnskap om sykdomsbilder hos eldre og riktig medisinering og god samhandling med de kommunale tjenestene. Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene. Dette punktet i avtalen støttes også nå av en samlet komité. Scenarioene som er beskrevet i planen, vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres. Dette støttes av alle partier med unntak av Arbeiderpartiet, selv om de langt på vei sier det samme. Vi presiserer at akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Vi mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, ambulansetjenester og Arbeiderpartiet sier det samme i sine merknader uten at de stiller krav til kompetanse for å stabilisere, samt at de ikke krever beredskap for å kunne håndtere en akutt hendelse. De fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale behandlingstjenester i en helseregion. Men dette utelukker ikke at store akuttsykehus og universitetssykehus kan ha regionsfunksjoner. Vi fremmer også forslag om at sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. Vi understreker at eventuelle endringer i sykehustilbudet ikke må svekke det samlede fødetilbudet. Det er viktig å sikre de prehospitale tjenestenes dimensjonering og kvalitet. Aktørene må sees i sammenheng, og de må være samtrente. Samarbeidsavtalen mellom helseforetak og kommuner skal fungere som felles planleggingsverktøy. En samlet komité støtter dette punktet. Alle helseforetak skal i tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører utarbeide utviklingsplaner. Utviklingsplanene for de ulike helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Det er under utarbeiding en veileder for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Vi mener veilederen må beskrive hvilke krav som må stilles til dialog for å sikre gode prosesser, og krav til utredning av konsekvensene av eventuelle foreslåtte endringer. Når planen er vedtatt, må regjeringen holde Stortinget orientert om vesentlige endringer som er løftet til et foretaksmøte. Den foreslåtte avtalen mellom helseforetak og kommuner om prehospitale tjenester skal være en del av de lovpålagte avtalene mellom sykehus og kommuner, og derved en del av ordningen med tvisteutvalg opprettet i forbindelse med samhandlingsreformen. Vi ønsker ny styringsmodell for spesialisthelsetjenesten, der de regionale helseforetakene ikke inngår. Vi ser fram til Kvinnsland-utvalgets utredning. Dette punktet støttes av Kristelig Folkeparti. Innspill fra høringen viser at det er behov for stedlig ledelse ved sykehusene. Vi fremmer et forslag om dette, noe som støttes av en Det blir replikkordskifte. I Sunnmørsposten før jul ble representanten Kjønaas Kjos konfrontert med sitt klare budskap fra valgkampen i om at lokalsykehuset ville bestå dersom Fremskrittspartiet fikk det som de ville. I desember lurte de på hvorfor representanten Kjønaas Kjos var så stille da den regjeringen som hun var medlem av, la fram et forslag der nettopp Volda sto på listen over de fem som sto i fare for å miste akuttberedskapen. Dagen etter svarer Kjønaas Kjos at med denne planen kan vi legge trusselen om nedlegging død, avgjørelsen skal tas lokalt, Fremskrittspartiet mener at de har fått gjennomslag for at alle små sykehus skal bestå, og at planen skal gjelde for 10–20 år. Spørsmålet er: Betyr det at Fremskrittspartiet nå kan garantere at de fem sykehusene som står på listen – og Odda – vil bestå med
hvis vi vedtar planen slik den nå foreligger, vil det som resultat av de vedtakene ikke være noen sykehus som må legges ned. Jeg – og Fremskrittspartiet – har snakket om lokalsykehus. Vi har ikke pekt på enkelttilbud innenfor de enkelte sykehusene, hva slags type ansatte de skal ha, eller hva slags type operasjoner de skal gjennomføre, men vi har sagt at lokalsykehusene skal bestå. De skal være sykehus, de skal ikke være lokalmedisinske sentre.

som jeg synes er flott og bra, men det beviser jo at dette er politikk. Jeg lurer på: Hva er detaljstyring, hvis en kan detaljstyre når det gjelder barnepsykologisk kompetanse og geriatrisk kompetanse, men ikke vil si noe om prinsippet Jeg synes det er ganske stor forskjell på å si at sykehus må ha forskjellige typer kunnskap og kompetanse og å peke på navngitte sykehus og detaljstyre hvor mange kirurger de skal ha, og hva slags type kirurger de skal ha, til hvilke tider av døgnet. Den store forskjellen handler om at vi lager noen rammer for de forskjellige sykehusene, mens Kristelig Folkeparti har ønsket å gå inn i hvert eneste sykehus, som det er 51 av. Vi har sagt at det har vi i Stortinget ikke kunnskap til å kunne gjøre på en god nok måte. Sykehus uten akuttkirurgisk beredskap vil over tid og ut fra internasjonale erfaringer bli et distriktsmedisinsk senter. Derfor er akuttkirurgien så viktig. Som komitélederen sa, har Senterpartiet lagt fram sin egen plan. Den har liten støtte her i huset. Den har enorm støtte utenfor huset, og vi kommer sterkt tilbake i alle de diskusjonene som kommer framover. Fullverdige lokalsykehus engasjerer fordi det gir trygghet. Kjønaas Kjos sier at det er mange måter å ha akuttkirurgi på. Vi skal ta en liten blodprøve på hva som menes med dette. På side 48 under «akuttkirurgisk beredskap» står det fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: «Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi» – og så kommer det – «beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.» Er det mulig å oppfylle dette uten at sykehuset har kirurger i døgnvakt? Ifølge personer som jobber på lokalsykehus, og leger og kirurger som vi har hatt mange møter med, er det mulig. De har vært med og laget teksten i dette, så det føler jeg meg trygg på. Replikkordskiftet er omme. Denne debatten skal egentlig handle om fire saker, og vi snakker forholdsvis mye om den

Men vi skal også behandle et Dokument 8-forslag om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og regional helseinnovasjon for 2017–2021, vi skal snakke om nettverksmodellen til Senterpartiet, og vi skal snakke om kvalitet i fødselsomsorgen – i tillegg til helse- og sykehusplanen. Jeg har hatt gleden av å være saksordfører for innstillingen om et drømmeløft for akuttmedisin, psykiatri og

og flertallet i komiteen støtter grunnholdningen i disse forslagene. Det ser ikke ut til at noen av de ti forslagene blir fremmet til å voteres over i dag, men det ligger som en basis for resten av diskusjonen til de andre sakene. Så vil jeg gå til den store debatten i dag, som handler om helse- og sykehusplanen. Debatten startet ikke i Stortinget i dag. Veien har vært lang og dyptgripende. Det har vært viktig med en overordnet og helhetlig politikk i møtet både med eksisterende behov og med framtidens behov. En helhetlig nasjonal helse- og sykehusplan har lenge vært etterspurt, også fra Kristelig Folkepartiets side. Det er et politisk ansvar å sikre våre innbyggere likeverdige helsetjenester med god kvalitet i hele vårt langstrakte land. Sykehus handler om folks trygghet – trygghet, kvalitet, omsorg – og det skal prege tjenestene våre. For å lede sykehusene og Sykehus-Norge framover trengs det god ledelse, og Kristelig Folkeparti har vært en pådriver for å få tilbake en stedlig ledelse. De ansatte må ivaretas, de er gull verd, og de må ha grobunn for å kunne utvikle seg. Det må være åpenhet og tillit og medvirkning som ligger til grunn for en sunn kultur i sykehusene våre. og samarbeidspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre gikk i 2013 ut med en tydelig ambisjon om å prioritere pasienter og psykisk helsevern. Vi kan slå fast at ventetiden er betydelig redusert for personer med rusproblemer, og det synes jeg er kjempegode nyheter. Kristelig Folkeparti vil jobbe for å se det samme resultatet innen psykisk helsevern den kommende tiden, for både barn, unge og voksne. Vi er langt fra å være i mål spesielt når det gjelder barns og unges psykiske helse, og vi må sånn at vi kan vise handlekraft i den forbindelse. Kristelig Folkeparti har fremmet et forslag om en opptrappingsplan, nettopp for å nå målet om en psykisk helseplan for barn og unge. Helseministeren foreslo i sin sykehustale i 2015 en nedre grense på 60 000 for å opprettholde akuttkirurgi – det var liksom normtallet. Dette bekymret mange av oss. Kristelig Folkeparti sa klart og tydelig fra, fra dag én: Dette er vi uenige i. Vi etterlyste faglige begrunnelser for forslaget. De har ennå ikke kommet. Jeg er glad for at det navngitte sykehuset fredes midlertidig, som følge av stortingsbehandlingen. Dette har vi kjempet for. Men nå er det altså opp til de regionale helseforetakene å frede dem for framtiden. Nå må fakkeltogene gå til foretaket, ikke til dette storting. Samtidig mener vi at det er bekymringsfullt at regjeringen og Venstre legger ansvaret til de regionale helseforetakene alene, og for det andre at de legger opp til at sykehuset kan fratas akuttkirurgien som de har i dag. De åpner for at dette kan erstattes med et smalt akuttkirurgisk tilbud, et såkalt spesialområde – dette til tross for at sykehuset som er nevnt i planen, faktisk Hvis mindre sykehus kun kan behandle små nisjelidelser, blir det for spesifikt og for snevert til å kunne ta akuttkirurgi den dagen dette trengs. En må sikre bred aktivitet i de små sykehusene, som sikrer at vi har en god beredskap over hele landet. Ellers kan dette fort utvikle seg til det Kristelig Folkeparti kaller legges det et premiss om at framtidens spesialisthelsetjeneste vil bli så spesialisert at det vil bli svært vanskelig å opprettholde akuttkirurgien som er i dag, særlig for de små sykehusene. Å utvikle lokalsykehus med basisberedskap er viktig, og det må være en villet politikk. Vi må verdsette at medisinfaget stadig avanseres og spisses. Utvikling i behandlingstilbud må og vil og skal kunne gagne pasientene. Samtidig vil det være avgjørende at antall spesialiseringer ikke løper løpsk, men at det legges opp til å sikre en god og brei breddekompetanse gjennom må sikre breddekompetansen også i framtidens sykehus, og Kristelig Folkeparti støtter at det overføres spesialiserte oppgaver fra de store sykehusene til de små, sånn som det er gjort på Stord og på Voss. Det betyr at vi kan opprettholde god kvalitet. Og vi er for at det gis rotasjonsordninger, sånn at vi kan ha gode kapasiteter og god kunnskap på alle nivå. Akuttkirurgien på de mindre sykehusene er en del av sykehusets kjernekompetanse. Små lokalsykehus ligger i områder der legevaktene er spredt, der kommunehelsetjenesten har få leger, og hvor det ikke er et kobbel av Det er en indre sammenheng mellom kirurgi, anestesi, radiologi, indremedisin og laboratorietjenester, og det er nettopp denne helheten som gir gode helsetjenester for pasientene. Derfor har Kristelig Folkeparti vært opptatt av akuttkirurgien, for det handler om hele sykehuset, hele sykehuset over det ganske land. Jordmorforeningen ba om at det kommer en høring, en konsekvensutredning av hva det vil bety for fødetilbudet hvis en legger ned akuttkirurgien. Dette henger også sammen med et godt fødetilbud. Kristelig Folkeparti ber derfor regjeringen om å sikre at lokalsykehuset som i dag har akuttkirurgi, beholder den akuttfunksjonen for å sikre en god og forsvarlig beredskap i hele landet. Akuttberedskapen er forankret i lokalsykehusene, og lokalsykehusene er den forlengede arm ut til ambulansetjenesten og ut til luftambulansetjenesten. Dette henger sammen, og derfor har Kristelig Folkeparti foreslått, sammen med Senterpartiet, at vi ønsker responstider for ambulansetjenesten. Dette er et krav som helseforetakene må se til at blir fulgt og gjennomført, for rask og god hjelp, med gode fagfolk, for at de som er skadet, får god hjelp på plassen, mulighet til å bli behandlet på lokalsykehuset – og ikke minst på et større sykehus hvis det er nødvendig. Dette er viktig for at pasienter i Distrikts-Norge ikke skal få mein av lidelser som man faktisk blir reddet fra i sentrale strøk. sammen med Senterpartiet at nasjonal helseplan skal være som Nasjonal transportplan. Vi ønsker en operativ plan, en sterkere politisk styring, som gjør at vi kan diskutere prinsipper i Helse- og Sykehus-Norge. Kristelig Folkeparti mener at et av prinsippene faktisk er Så vil jeg si noe om alle de forslag til vedtak som foreligger. Først vil jeg si at det i det første avsnittet på side 37 i Innst. 206 S for 2015–2016 står følgende: «Flertallet støtter regjeringens ønske om at det skal innføres kompetansekrav i akuttmottakene Den setningen er ikke Kristelig Folkeparti med på. Kristelig Folkeparti støtter forslag nr. 33 og I, III, IV og V – pluss andre forslag

at det er viktig at ordninga og reformen blir evaluert etter en tid. Det vi nå ser, tyder på at man ikke har truffet planken med fritt behandlingsvalg – for å si det mildt. Kun et lite antall private institusjoner er påmeldt som interesserte behandlingssteder. Ingen av de store ideelle rusinstitusjonene er med. Hva tenker Kristelig Folkeparti om at vi har fått så lite ut av en pengebruk som så langt er på ca. 30 mill. kr bare i administrative kostnader, altså penger som er tatt fra de offentlige sykehusbudsjettene? Utgangspunktet til Kristelig Folkeparti er at vettet er ganske likt fordelt. Vi tror pasientene kan være i stand til å velge tjenester som de selv har tro på. Vi tror at spesielt innenfor noen områder, ikke minst rus og psykiatri, er det viktig at pasienten selv har et eierforhold til hva de skal reise til for å lykkes i å få god behandling. Så er det et paradoks at noen av de store ideelle organisasjonene ikke har gått inn på fritt behandlingsvalg. Det mener jeg må være sentralt i en evaluering av fritt behandlingsvalg, for vi er helt avhengige av å ha de ideelle med oss for å møte framtidens helsebehov, enten det er rus, psykiatri eller somatikk. Det er med en viss undring jeg har fulgt Kristelig Folkeparti og representanten Bollestad i saken om den nasjonale helse- og sykehusplanen. Hun representerer et såkalt støtteparti for regjeringen, men i den daglige og praktiske politikken går hun mest hånd i hånd med komitékollega Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Det blir det som kjent ikke rare gjennomslaget av. Jeg undrer meg på hva representanten Bollestad tenker om alt arbeid hun har lagt ned i forbindelse med planen, at det ikke på noen måte materialiserer seg når Kristelig Folkeparti velger alenegang og utenforskap fra det aller meste som fremmes som flertallsendringer til planen. Det heter at sterkest står den som står alene, men jeg er usikker på om det er slik representanten Bollestad føler seg i dag. Mitt spørsmål blir derfor: Hva er Kristelig Folkepartis stempel på denne planen, hvis det overhodet Jeg kan godt gå hånd i hånd med Senterpartiet. Hvis politikken bare er god, kan Kristelig Folkeparti gjerne gjøre det. Jeg vil be representanten fra Fremskrittspartiet om å legge merke til hva jeg sa om hvilke vedtak Kristelig Folkeparti faktisk støtter: I, III, IV og V av vedtaksforslagene pluss en del andre forslag som ligger i planen. Det er ikke sånn at Kristelig Folkeparti står alene, som du påstår. Kristelig Folkeparti gikk ut av forhandlingene på det punktet som handler om akutt kirurgi, fordi vi mener det er grunnmuren i lokalsykehusenes framtid. Hvis man ikke har sikret akuttkirurgien, vil det være som et korthus som faktisk gjør at de på sikt ikke er de sykehusene alle ønsker vi skal være. Kristelig Folkeparti er det partiet som i innstillinga har mest til felles med Senterpartiet – takk for det. Vi investerer for framtida, vi har en sterk støtte kommer det til å bli mange friske debatter framover, for dette er noe som er utrolig viktig for folk. Men det er viktig å ha et høyt presisjonsnivå på det vi driver med, og spesielt i denne saken, for her har det vært så mye tåketale opp gjennom årene at det er nødvendig med presisjon. Stedlig ledelse er en slik debatt. Senterpartiet har definert det, og jeg er spent på Kristelig Folkepartis definisjon. Så er jeg litt overrasket over at representanten Bollestad har kritisert Senterpartiet når det gjelder forslaget om fullverdig lokalsjukehus i Flekkefjord med det at Senterpartiet ikke gikk langt nok, at det ikke var et godt nok forslag. Ville det ikke da vært naturlig at Kristelig Folkeparti hadde fremmet et bedre forslag? har vært opptatt av å sikre en bredde i akuttkirurgien, mens det i Senterpartiets forslag handler om en minstenorm. Det var Kristelig Folkeparti opptatt av. Vi ville ikke legge noen begrensninger, for hvis det skulle vise seg at Flekkefjord sykehus både har personell som er motivert, får utviklingsmuligheter, har ressurser og ønsker å gi tenker Kristelig Folkeparti at da må vi ikke begrense det til et minimum. Vi ønsker at lokalsykehuset skal få lov til å utvikle seg bredere enn det jeg syns lå i forslaget fra Senterpartiet. Replikkordskiftet er Formålet med helsepolitikken er å fremja helse og førebyggja sjukdom og sikra nødvendige helse- og omsorgstenester til heile befolkninga. Norske sjukehus skal yta gode og likeverdige spesialisthelsetenester til alle som treng det, når dei treng det. Dagens debatt skulle gitt avklaring om framtida for våre lokalsjukehus. Nasjonal helse- og sjukehusplan skulle ført til politiske avklaringar om kvalitet, rekruttering og utdanning, organisering og leiing av helsetilbodet. Helse- og sjukehusplanen skulle avklart sjukehusstruktur, prioritert store investeringar, gjort greie for oppgåvefordeling og nasjonale, regionale og lokale funksjonar ved våre sjukehus. Slik kunne vi sikra norske sjukehus føreseielegheit, dei gode kompetansemiljøa og Regjeringas forslag til nasjonal helse- og sjukehusplan svarar ikkje på denne sentrale utfordringa. Innstillinga rettar heller ikkje opp i dette. Nasjonal helse- og sjukehusplan sikrar ikkje politisk styring av sjukehussektoren og har vorte ein plan som gir endå større rom for ikkje-folkevalde i dei regionale helseføretaka til å greia ut og ta avgjerder om vesentlege endringar i vårt offentlege sjukehustilbod. Senterpartiet meiner at Noreg må ta mål av seg til å skapa folkets helseteneste. Folkets helseteneste er noko langt meir enn behandling av pasientar og mykje meir enn regjeringas snevre og individretta mål for helsepolitikken sin, å skapa pasientanes helseteneste. Helsevesenet er ein grunnstein i vårt Folkets helseteneste skal vera eit gode for heile samfunnet og for menneske i alle livssituasjonar, som gir grunnlag for busetjing og næringsliv. I dag har vi tydelege sosiale helseforskjellar i befolkninga i Noreg. Difor er retten til likeverdig tilgang til sjukehustilbod, uansett kvar ein bur i landet eller kven ein er, viktig. Eit desentralisert sjukehustilbod er nødvendig for å skapa slike likeverdige Vi må ta på alvor samfunnsansvaret til helsetenesta. Helsevesenet må setjast i stand til å bera sitt samfunnsansvar gjennom ei demokrati- og leiingsreform og ein ny nettverksmodell for utvikling av kvalitet i sjukehus. Norske sjukehus treng ny leiing, organisering og finansiering. Senterpartiets alternative modell for organisering og finansiering av sjukehus er basert på ei klar og tydeleg arbeidsdeling og funksjonsfordeling mellom sjukehus, der ein har sentralisering av spesialiserte tilbod og desentralisering av andre tenester. Lokalsjukehus må sikrast føreseielegheit for sine nøkkeltilbod gjennom ei avklaring av dette i Nasjonal helse- og sjukehusplan. Utviklinga må skje i eit samarbeid mellom lokalsjukehus, sentralsjukehus og universitetssjukehus i regionen. Til no har dette samarbeidet vore sterkt prega av konkurranse mellom sjukehus og ikkje av ekte samarbeid til beste for pasientane. Felles fagmiljø, rotasjonsordningar, hospiteringsordningar, felles utdanningsprogram og felles bakvaktordningar er eksempel på tiltak som kan styrkja det faglege samarbeidet. Det skal setjast same krav til kvalitet ved store og små sjukehus, og det skal vera openheit om kvalitet, men kvalitetskrava må kunna I Senterpartiets nettverksmodell for utvikling av norske sjukehus baserer vi oss på at minimumskravet til basiskompetanse skal vera døgnberedskap innan indremedisin, kirurgi, anestesi, røntgen og laboratorietenester, i tillegg kjem fødetilbodet. Vi støttar ikkje forslag til minstekrav til eit akuttsjukehus som Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Arbeidarpartiet er einige om. At akuttsjukehus ikkje treng akuttkirurgi, men samtidig skal stå med ansvaret for kirurgiske vurderingar og stabiliseringar og i tillegg ha ansvaret for dei mest akutte hendingane – det er eit forslag som er totalt utan fagleg truverde. Senterpartiet meiner at norske sjukehus i dag vert leia på ein måte som med dagens føretaksmodell er at avgjerder om vesentlege endringar i sjukehustilbodet manglar demokratisk legitimitet og fører til mykje uro. Senterpartiet vil avvikla dagens helseføretakslov. Vi føreslår at norske sjukehus vert styrte i ein forvaltningsmodell med folkevald styring nasjonalt, regionalt og lokalt. I denne modellen skal alle sjukehus ha stadleg leiing som har fagleg ansvar, budsjettansvar og personansvar, og økonomisk gjeld dette også for drift og vedlikehald av bygningsmassen. Vi føreslår å gå vekk frå dagens marknadsorienterte finansieringmåte, og at sjukehus i all hovudsak skal rammefinansierast. Det er ingen grunn til at når det gjeld sjuke folk på sjukehus, så skal det finansierast på annan måte enn når det gjeld sjuke folk i kommunane. I sjukehusdebatten vert det ofte hevda at vi har for mange sjukehus i Noreg, og at ei samling til færre og større sjukehus vil gi betre kvalitet og meir effektiv pasientbehandling og mindre kostbar drift. Det er ikkje rett. Det kan ikkje påvisast at større sjukehus generelt yter sjukehustenester med betre kvalitet enn mindre sjukehus. Vi har heller ikkje mange små sjukehus i Noreg sett i høve til andre land. Små sjukehus er generelt ikkje mindre effektive. Tvert om viser forsking når det gjeld sjukehusfusjonar at det ikkje finst slik samvariasjon. Analysar av sjukehusfusjonar til storsjukehus i Noreg og utlandet viser at ikkje gir vinst korkje når det gjeld kvalitet eller kostnad. Det gir sjeldan det resultatet som er førespegla, og Oslo universitetssjukehus er eit eksempel på det. Senterpartiet registrerer at Nasjonal helse- og sjukehusplan ikkje inneheld nokon forpliktande formuleringar om investeringsnivå eller investeringsbehov. At sjukehusplanen heller ikkje tar for seg at norske sjukehus i dag har ein beleggsprosent langt over det som er vanleg i andre land, er også eit faktum. Senterpartiet føreslår at ein innfører eit forsvarlegheitstak i Noreg på 85 pst. belegg i ordinær drift. Dette står At fleirtalet går inn for sentralisering av lokalsjukehustilbod utan å ta inn over seg kva dette vil krevja av utbyggingar andre plassar, er uhaldbart. Lokalsjukehusa er vårt nærmaste sjukehustilbod. Dei er avgjerande for å sikra kvalitet, nærleik og tryggleik. Lokalsjukehusa er grunnmuren i helsetenesta og sørgjer for beredskap og behandling av pasientar med dei vanlegaste sjukdomane. I dag utgjer lokalsjukehuspasientane mellom 60 og 75 pst. av alle pasientar i norske sjukehus. Å ha lokalsjukehusa i nærleiken av kommunehelsetenesta og lokalsamfunnet er ein svært viktig kvalitet. Ei svekking av breiddekompetansen og den faglege kvaliteten til lokalsjukehusa, slik fleirtalet no opnar for, er ei svekking av pasienttilbodet i Noreg. Det viser erfaringane frå Sverige, som har gjort nettopp dette. Tidlegare velfungerande og fullverdige lokalsjukehus med alle basisfunksjonar som har vorte fråtatt akuttkirurgien og fungert etter Høie-modellen, med rein indremedisinsk akuttfunksjon, med indremedisinar og anestesilege på vakt, har vist seg i ettertid å oppleva store problem med å rekruttera faste legar, og kvaliteten har gått ned på heile verksemda. Må vi gjera den same feilen i Noreg? Fødetilbodet ved lokalsjukehusa er det veldig viktig å bevara og å utvikla. Å krympa kompetansemiljøa ved lokalsjukehusa og fjerna akuttkirurgi vil òg vera ein trussel for fødetilbodet på lokalsjukehusa. Eg er òg bekymra for fødetilbodet på dei store fødeavdelingane og fødeklinikkane i Noreg. Vi har fått mange bekymringsmeldingar frå jordmødrer om at kvalitetskrava som kom i 2010, ikkje og særleg kjem det tilbakemeldingar om at kravet om at alle fødande i aktiv fase av fødselen skal ha ei jordmor til stades, ikkje vert oppfylt. Dette er bakgrunnen for Senterpartiets forslag, som òg vert behandla her i dag, om å sikra at kvalitetskrava frå 2010 vert implementerte, at ein skal rammefinansiera og at ein må sikra forsvarleg bemanning som eit akuttilbod. Norsk sjukehuspolitikk treng no ærlegdom. Politiske parti må slutta med omtrentlege og tolkbare formuleringar. Folkevalde må ikkje skjula seg bak helsebyråkratane i føretaksstyra. Det er Stortinget som skal bestemma over vesentlege endringar i sjukehustilbodet vårt. Det handlar om sjølve grunnmuren i vårt solidariske helsevesen, nemleg retten til likeverdige helse- og sjukehustilbod i heile landet. Eg vil då ta opp Senterpartiets forslag i sakene. Vi vil subsidiært røysta for I og V i Innst. 206 S. Vi er allereie inne i III og IV, og vi kjem òg til å støtta SV sine forslag nr. 34 og 35 i saka. i tillegg fremja to forslag i salen i dag. Det eine er om å oppretta geriatrisk avdeling på alle regionsjukehus og universitetssjukehus. Det andre forslaget frå oss går ut på at alle sjukehus med akuttfunksjonar skal ha tilgang til adekvat radiologisk vurdering på døgnbasis. Dei to siste forslaga eg nemnde, burde fått fleirtal i denne

Toppe snakker varmt om jordmors kompetanse og viktige tilstedeværelse. Jordmor er ikke bare viktig i aktiv fødsel, men også svært viktig i svangerskapsomsorgen og i barselomsorgen. Kan representanten Toppe forklare meg hvorfor Senterpartiet ikke mener det er riktig å pålegge kommunene å ha jordmor? Vi pålegg kommunane å ha jordmorfagleg kompetanse og kompetanse til og kompetanse til å ha eit fagleg godt barseltilbod og ei svangerskapsomsorg, medan regjeringspartia vel ein annan måte å sikra kompetansen på, nemleg å lovfesta profesjonen. Det er berre to forskjellige måtar å sikra den kompetansen i kommunane som vi begge eigentleg er opptatt av. Det som eg er veldig skuffa over, er at ikkje Høgre har følgt opp sitt eige forslag frå førre stortingsperiode om å sikra jordmødrene i kommunane ein betre og meir tilrettelagd finansieringsmåte. Det har dei spurt om i mange år, og det forslaget er no igjen utsett. Det er eit krav frå jordmødrene som eg vil fortsetja å kjempa for.